pst. som varsler budsjettkutt. Og det som er mest skremmende, er at de største budsjettkuttene nå rammer utdanningssektoren, de rammer grunnskolen. Det er størst kutt i grunnskolen. Det er der man stort sett ikke klarer å holde tritt med lønns- og prisstigningen. Det vil si at de må kutte i tilpasset opplæring, og at det vil bli et dårligere grunnlag for dem som skal over i videregående. Dette gjelder også veldig mange høyrestyrte kommuner. Hva er det disse lokalpolitikerne ikke har skjønt når de ikke klarer å få et såkalt historisk godt budsjett til å gi noe som helst satsing i skolesektoren, men snarere en tydelig nedskjæring? Senterpartiets bekymring i dette spørsmålet ville ha vært atskillig mer troverdig hvis det var sånn at man hadde gjort noe med alt det man nå påpeker, mens man selv satt i regjering. Men faktum er at veksten i kommuneøkonomien neste år er helt på linje med det som veksten i kommuneøkonomien var under de rød-grønne. Så er det sånn at norske kommuner prioriterer. Jeg setter min lit til at norske kommunepolitikere også prioriterer skole. Denne regjeringen har lagt til rette for det. Vi har også styrket ordningen med etter- og videreutdanning for lærere, som mange kommuner nå nyter godt av, sånn at stadig flere lærere får bedre etter- og videreutdanning slik at vi over tid vil få bedre lærere og forhåpentligvis også flere lærere
Neste replikant er

for kommunesektoren hvordan de skal spare inn disse 3 mrd. kr i skattesvikt i år som Høyre nå ikke vil være med og kompensere, og hvordan det vil slå ut på det regnestykket som kommunene er nødt til å få til å gå i hop til neste år? For det første er veksten til neste år beregnet uavhengig av denne skattesvikten, så så det er på en måte sammenlignbare tall vi har uansett. Det ville ha vært interessant, hvis representanten fra SV har mer taletid, å høre om SV faktisk da mener at vi skal snu på opplegget og heller ha en fullt ut tilskuddsfinansiert kommunesektor og ikke egne skatteinntekter til kommunene. Hva er da poenget med å ha en skattefinansiert kommunesektor? Jeg registrerer og tar til etterretning at selv om det også er sånn at det er noen tall som trekker i motsatt retning og i mer positiv retning, er med på å kompensere for og redusere nettoeffekten av denne skattesvikten, så er det mange kommuner som får utfordringer. Men så registrerer jeg også, siden det nå har vært så tydelig framme i debatten fra flere andre, at rådmannsundersøkelsen til KS indikerer at det er ikke sånn at det er flere kommuner som har utfordringer med å snekre sammen og få kommunebudsjettet for neste år til å gå i balanse, heller ikke når vi kjenner de tallene som er knyttet til

lokalt. Den har regjeringen nå bestemt seg for å gjøre statlig, stikk i strid med alt annet man sier om å skulle gi nye oppgaver til kommunesektoren. Og det er jo ganske ille når Norges kemner- og kommunekassererforbund dokumenterer at skatteinnkrevingen i Norge er i verdenstoppen, og at de lokale kemnerne er mye mer effektive enn de statlige. De peker også på at det kan bli et stort provenytap for kommunene hvis man statliggjør dette. Hvorfor skal man statliggjøre en funksjon som fungerer bra lokalt? Fra Høyres side er vi veldig opptatt av at norske kommunepolitikere skal ha mulighet til å utøve politikk lokalt, at man ikke bare skal være iverksettere av statlig bestemt politikk. Når det gjelder skatteinnkreving, mener vi imidlertid at det ikke skal være en skjønnsbestemt oppgave, at det skal være opp til kommunestyret hvordan man skal kreve inn statlige skatter og avgifter. Det er en oppgave som faktisk kan egne seg for sentralisering og effektivisering, og regjeringen har lagt fram et forslag i tråd med det. Og bare for å si det: Hvis det er sånn at representanten Andersen mener at kommuneopplegget var ille for rådmennene i fjor, vil jeg bare minne om

Folkeparti vil ha en distriktspolitikk som gjør det mulig å bo, arbeide, drive næring og få et likeverdig tjenestetilbud i hele landet. Det er viktig å satse på utvikling, nyskaping og god infrastruktur for å utvikle alle regioner. Kristelig Folkeparti mener at en effektiv, moderne forvaltning skal sikre befolkningen et godt og tilpasset tjenestetilbud. Det må bli enklere å finne fram i det offentlige byråkratiet av skjemaer og regelverk. Kristelig Folkeparti ser fram til å gjennomføre en demokratireform for kommuner, regioner og landsdeler. Det er en offentlig oppgave å føre en sosial boligpolitikk. Nye boliger og bygg må være universelt utformet, tilgjengelige og brukbare for mennesker med funksjonsnedsettelser, både unge og eldre. Bostøtten til kommunale og private boliger skal harmoniseres i løpet av en toårsperiode. Forenkling av plan- og bygningslov kan legge til rette for økt boligbygging: tiltak som på sikt medfører mindre press i markedet. Kristelig Folkeparti ønsker at flere får kjøpe egen bolig. Kristelig Folkeparti mener også at Husbankens låneramme med fordel bør økes. Budsjettforliket styrker arbeidet med bærekraftig bolig- og byggkvalitet med 2 mill. kr. Det er behov for flere miljø- og energivennlige Folkeparti er også glad for justeringen av bostøtte til uføre og venter med spenning på en varig ordning, slik at de ikke mister støtten på grunn av omlegging av uføretrygden. Kristelig Folkeparti og Venstre har i budsjettforliket bidratt til en påplussing til barnehageplasser på 207 mill. kr i tillegg til 100 mill. kr fra regjeringen, noe som gir 3 400 nye plasser. Tilbudet om gratis kjernetid i barnehage til Det blir økt inntektsgrense for differensiert barnehagepris. Budsjettforliket øker også bevilgningen til barnevernstiltak for familier i kommunene, inklusiv en styrking av barnevernet i Oslo, til sammen 30 mill. kr. I tillegg kommer en betydelig satsing i grunnskolen med å styrke lærerressursene for tidlig innsats i de lave klassetrinn med 200 mill. kr fra august. Folkeparti er også fornøyd med en betydelig påplussing i satsingen innen skolehelsetjeneste, helsestasjoner, rusforebygging og psykiatri. Kristelig Folkeparti og Venstre bidro også til at kommunene får 220 mill. kr i refusjon for særlig ressurskrevende tjenester, noe forresten mange Høyre-ordførere ba meg om. Kristelig Folkeparti ønsker at brukere over 67 år blir innlemmet i denne ordningen på sikt. Kristelig Folkeparti er fornøyd med at vi bidro til videreføring av Den kulturelle spaserstokken. Enda viktigere er den økte bevilgningen på 78 mill. kr til økt lærlingtilskudd. Altfor mange ungdommer mangler godkjent lærekontrakt. Kristelig Folkeparti mener at omleggingen av skattesystemet for uføretrygdede i 2015 i minst mulig grad må påvirke fordelingen av frie inntekter mellom kommunene. Kristelig Folkeparti mener det må gis kompensasjon for ekstraordinære utgifter til opprydding og håndtering av akutte Vi ber regjeringen komme tilbake til saken i revidert nasjonalbudsjett. Noen fylkeskommuner får utfordringer ved omlegging til nytt inntektssystem. Kristelig Folkeparti er tilfreds med at samlet tapskompensasjon økte med 60 mill. kr til 185 mill. kr i forhandlingene, med størst kompensasjon til dem som mister mest, i fem år. Situasjonen er krevende, og Kristelig Folkeparti ber disse fylkeskommunene om ikke å bruke bevilgningen til å utsette nødvendige Sammen med Venstre mener vi imidlertid at regjeringen må vurdere behovet for en forsterking av tapskompensasjonen videre. 31 kommuner fikk i 2014 redusert arbeidsgiveravgift. Kristelig Folkeparti mener at de må få beholde gevinsten slik at ingen taper på endringen. I stedet for å trekke for fordelen av differensiert arbeidsgiveravgift gjennom skjønnsmidlene er fordelen trukket fra rammetilskuddet. Kompensasjon for tidligere endringer er lagt inn i basistilskuddet. Nå ber vi regjeringen påse at fylkesmennene ikke foretar endringer som medfører stor reduksjon i skjønnstilskuddet for enkeltkommuner fra ett år til et annet. Vi forventer også at regjeringen vurderer omleggingen og kommer tilbake til saken i kommuneproposisjonen og revidert nasjonalbudsjett. Kristelig Folkeparti vil legge til rette for et levende folkestyre der folkevalgte kan utnytte sin lokalkunnskap.

Så mitt spørsmål er: Er Kristelig Folkeparti fornøyd med retningen i regjeringens distriktspolitikk? Det er ikke til å legge skjul på at i vårt eget budsjett hadde vi prioritert litt annerledes. Vi har hatt større sans for de regionale utviklingsmidlene enn det regjeringen har hatt, og det prøvde vi å forhandle inn. Likevel ser vi at den vridningen som har skjedd ved at en prioriterer samferdsel, er i tråd med de signalene vi får fra næringslivet. Men vi hadde nok ønsket at det var avsatt mer i distriktsmidler. På den andre siden har vi fått oppfylt mange andre saker som har vært veldig viktige for Kristelig Folkeparti. Totalt sett er vi fornøyd. Med tanke på vårt partis størrelse registrerer vi at vi har oppnådd mer enn vi kunne tenkt på har vi fått oppfylt mange andre saker som har vært veldig viktige for Kristelig Folkeparti. Totalt sett er vi fornøyd. Med tanke på vårt partis størrelse registrerer vi at vi har oppnådd mer enn vi kunne tenkt på forhånd, så vi er fornøyd med resultatet. Når det gjelder lokal skatteoppkreving, støtter vi det som representanten Håheim sier. Vi ønsker at en fortsetter med dette i kommunene, og tror det er

Ved behandling av kommuneproposisjonen i vår ble vårt forslag om å få på plass en slik ordning dessverre nedstemt. Senterpartiet mener det må på plass en endring av kostnadsnøklene nå. Derfor mener vi flertallsmerknaden blir altfor svak. Spørsmålet mitt til Kristelig Folkeparti er om de er enig med Senterpartiet i at det ikke er nok bare å se på om det skal etableres en slik ordning, men at den må gjennomføres ganske umiddelbart, og hvilken tidsplan Kristelig Folkeparti ser for seg.

Det ønsker vi, for vi vil kompensere der dette gjelder. Men fylkeskommunene må ikke hvile på at det kan bli resultatet – de må forholde seg til et stramt budsjett. Det er realiteten når det gjelder det nye inntektssystemet. Spørsmålet mitt gjaldt i bunn og grunn det med fergeavløsningsmidler og om Kristelig Folkeparti er fornøyd med

men jeg kan ikke sette en bestemt tidsramme for det. Jeg forutsetter at regjeringen arbeider optimalt for å få fram de opplysningene som trengs for å få til den ordningen. Jeg har god tro på at regjeringen ønsker at den kommer fort på plass. Dette er en viktig del av utviklingen og det henger sammen med etablering av en større infrastruktur med veier. Regjeringen har til nå prioritert samferdsel, så jeg håper og tror at dette kommer fort.

I tillegg til det har jeg gått igjennom og sett på distriktspolitikken, på kommuneøkonomien og på bolig, innvandring og asyl, og jeg har funnet at på alle disse områdene er Kristelig Folkeparti mye mer enig med SV enn med de partiene de nå støtter.

La oss si at vi var enige med SV, men da er det for et lite parti desto viktigere å gå en regjering som har skattelette som øverste prioritet, i møte, for det har ikke vi hatt. Vi hadde ikke behov for den skatteletten, og det la vi også tydelig vekt på i vårt eget budsjett. Men desto viktigere må det være for det norske folket at vi går inn i et slikt samarbeid. Det beviser jo de resultatene vi har fått. Innenfor familiepolitikk, frivillighet, samferdsel, justis og helse har Kristelig Folkeparti fått satt sitt tydelige stempel i dette budsjettet. Det er nok forklaringen. Jeg regner med at representanten fra SV vet hvordan det er å samarbeide i en regjering med store partier. Da gjelder det å få gjennomslag for sine saker. I den rød-grønne regjeringsperioden hadde vi få gjennomslag. Nå opplever vi å bli hørt og får betydelig gjennomslag for ting som betyr mye for folk og distrikter. Jeg har gitt Kristelig Folkeparti ros for en del av de tingene de har oppnådd i dette budsjettforliket, det er bra. Men poenget er vel at de egentlig står mye nærmere andre partier som det er mulig å danne et flertall sammen med, for å få en politikk som står enda nærmere Kristelig Folkepartis hjerte, f.eks. når det gjelder fordeling mellom fattig og rik, at man bruker mer av den felles velstanden vi har, på viktige tjenester som eldreomsorg og barnevern, og at vi klarer å ha en god boligpolitikk og ikke får sånne store kutt i f.eks. bostøtta, som denne regjeringen presenterer, der vi vet at det går ut over dem som ikke har råd til å ha et hjem, eller at man får det som representanten fra Senterpartiet var opp her og sa: en vridning på distriktspolitikken, der man skal satse på de sterkeste, satse på sentrene, Hva er grunnen til at Kristelig Folkeparti likevel velger samarbeid med de partiene de er mest uenige med?

Vi har oppnådd å få styrket tidlig innsats i skole betydelig. Vi har oppnådd en betydelig merfinansiering innenfor helse osv. At de rød-grønne nå sier at vi hadde oppnådd mer sammen med dem, er jeg usikker på. Det er opposisjonens privilegium å si det, men Kristelig Folkeparti er ute etter realpolitikk, og det har vi fått gjennomslag for nå i sak etter sak. Fortsettelsen vil vise hvordan dette går, men vi er i alle fall til nå i disse forhandlingene fornøyd med situasjonen, selv om vi skulle ønske at budsjettet var mer vridd i sosial retning enn det vi har fått til. Men uten oss ville dette sett helt annerledes ut. Det forholder jeg meg til, og det gir motivasjon i arbeidet. Replikkordskiftet er omme. I Senterpartiet er vi sterkt bekymret over de fordelingspolitiske signalene regjeringen gir i sitt statsbudsjett for 2015. Budsjettet har negative fordelingsvirkninger grupper imellom og

Rammene til kommunesektoren øker i vårt forslag samlet sett med 3,7 mrd. kr utover regjeringens forslag. Kommunene har ansvaret for å sikre innbyggerne sine tilgang til gode velferdstjenester som skole, omsorg og sosiale tjenester, kollektivtrafikk, veier, kultur osv. De siste dagene har vi hatt en debatt om forholdene innen eldreomsorgen. Helseministeren har sagt at staten må ta et større ansvar for å sikre et verdig tjenestenivå. Det er sagt at beboere på sykehjemmene våre må tilbys omsorg og aktivitet framfor beroligende medisin, og det blir gitt uttrykk for at kompetansen i eldreomsorgen er for dårlig. Mange kommuner leverer meget gode tjenester også innen eldreomsorgen, men mange plasser er kritikken berettiget. Men det viktigste må være å diskutere tiltak for å bedre forholdene. Det fins altså institusjoner som overmedisinerer, og som ikke gir brukerne anledning til å komme ut. Begrunnelsen fra institusjonenes side er at det står på personalressurser. Varme hender forutsetter ansatte som har tid til å yte den omsorgen eldre trenger, og som de ansatte veldig gjerne vil gi dem. Flere ansatte krever større budsjett, det vet vi alle sammen. Staten må ta et større ansvar, sa helseministeren, men regjeringen legger ikke inn penger til en slik satsing. Senterpartiets forslag kunne sikkert også vært rausere, men innenfor de rammene vi har til rådighet, er velferd prioritert. Dessverre prioriterer flertallet Det skjer en sentralisering av bosetting her i landet. I Senterpartiet mener vi politikken bør brukes til å motvirke flyttestrømmer som skyldes mangel på arbeidsplasser der mange veldig gjerne vil bo. Vår politikk går ut på å gi folk mulighet til å bo der de selve ønsker, og arbeide og ha livet sitt der de vil. Mange ønsker å flytte til en distriktskommune, men mangel på arbeidsplasser hindrer dem. Jeg har et bestemt inntrykk av at vår nåværende regjering tenker motsatt. Statsbudsjettet for 2015 er spekket med forslag og tiltak som vil sette økt fart i flyttestrømmene og sentraliseringen av Norge. Jeg skal komme med noen eksempler. Regjeringen har foreslått å mangedoble vekstkommunetilskuddet til kommunene. De vel 330 mill. kr som trengs, tas fra rammene, slik at kommuner uten vekst eller med nedgang i folketallet må betale. På den andre siden trekker regjeringen tilbake virkningen av at 31 distriktskommuner har fått redusert arbeidsgiveravgift arbeidsgiveravgift som følge av omleggingen på grunn av EU-krav. Senterpartiets tilleggsbevilger pengene til vekstkommunene og mener at kommunene må få beholde en vesentlig del av fordelene som de 31 kommunene ble lovet da regjeringen la om den differensierte arbeidsgiveravgiften. Et annet eksempel er innføring av nye nøkler i fordeling i rammebevilgningen til fylkeskommunene.

kollektivtrafikktilbud til innbyggerne. Nå kommer det heldigvis tapskompensasjonsordninger som retter opp lite grann, men på langt nær nok. Senterpartiet foreslår 100 mill. kr i økt tapskompensasjon og en fordeling av disse pengene som kommer slik ut at de verst stilte fylkene får mest. Jeg mener dessuten at det er behov for en gjennomgang av disse kostnadsnøklene. Vi har mistet Kommunal- og regionaldepartementet og fått tilbake et kommunal- og moderniseringsdepartement. Jeg forstår godt hvorfor begrepet «regional» ble forkastet av den blå-blå regjeringen. De dramatiske kuttene i departementets regionalpolitiske satsinger viser det. Fra det rød-grønne budsjettet i 2014 til regjeringens forslag for 2015 er bevilgningene til distrikts- og regionalpolitikken redusert med nærmere 30 pst. Spesielt kutt i de regionale utviklingsmidlene svir hard. Fylkeskommunene samarbeider tett med Innovasjon Norge og kommunene og og har skapt mye arbeidsplassutvikling i alle deler av landet. Regjeringen bygger ned dette arbeidet, og det rammer spesielt gründerfinansiering og innovasjonsprogram som har stor betydning for utvikling av næringslivet, særlig i næringssvake områder. Jeg hører regjeringens talspersoner si at de satser på distriktene gjennom økt samferdsel, men ikke engang på samferdselsområdet er budsjettet noe å skryte av. Fra Senterpartiets side har vi sett oss nødt til å styrke det med 400 mill. kr. Til slutt vil jeg få ta opp de forslagene som Senterpartiet har sammen med SV. Da har representanten Heidi Greni tatt opp de forslagene hun refererte til. Det blir replikkordskifte. Representanten Greni kritiserte regjeringa for det nye inntektssystemet for fylkeskommunane, og

Stortinget ber regjeringa leggje til grunn at inntektssystemet for fylkeskommunane blir verande uendra i 2015, og at ein skal gå nye rundar og kome tilbake igjen i kommuneproposisjonen for 2016. Vi veit at Senterpartiet frå 2005 til 2013 hadde statsråden i Kommunaldepartementet i ei fleirtalsregjering. Kva slags opplysningar mangla Senterpartiet gjennom alle desse åra for å få på plass eit nytt inntektssystem for fylkeskommunane? fylkeskommunane? Det som er aller mest krevende, er å få på plass et godt inntektssystem som fungerer for kollektivtrafikk, ikke minst det som gjelder ferje- og båttrafikk. Det er nesten komplett umulig å finne noe som er objektivt, og som avspeiler de virkelige kostnadene. Vi har ikke kritisert at det kom nye kostnadsnøkler for fylkeskommunene. Det var noe vi også jobbet med de siste årene i regjering, og det var på tide at det kom. Men det vi har kritisert, er at inntektsgarantien samtidig ble fjernet, og at det ikke kommer på plass en tapskompensasjonsordning som gjør at disse kommunene faktisk kan opprettholde drift av videregående skoler, opprettholde skolestrukturen på videregående nivå og også opprettholde et kollektivtilbud, ikke bare et skoleskysstilbud. Vi har også kritisert at de nye nøklene som er framlagt, er rimelig håpløse å få oversikt over. Delkostnadsnøklene er ikke framlagt, og det er ikke synliggjort hvorfor disse utslagene kommer. Det kom også en meget stor endring fra kommuneproposisjonen fram til budsjettet nå i høst, som ikke er synliggjort fra regjeringens side. Dette er ikkje noko svar, for vi hadde ei fleirtalsregjering som kunne fleire år varsla i statsbudsjett at det skulle kome nye kostnadsnøklar, og som framleis ikkje leverte. No seier representanten Greni at det var ein del som var uklart når det gjaldt kva dei ønskte å leggje inn i kostnadsnøklane i den førre regjeringa, men det må vere heilt innlysande at dei hadde alle moglegheiter til å lage nye kostnadsnøklar for fylkeskommunane dersom dei hadde ønskt det. Mitt spørsmål til representanten Greni er: Var det krangel i den raud-grøne regjeringa om korleis ein skulle få til Var det krangel i den raud-grøne regjeringa om korleis ein skulle få til nye kostnadsnøklar, inntektsnøklar, for fylkeskommunane, som gjorde at dette blei utsett år etter år? Meg bekjent var det ingen diskusjoner som gjorde at det ble utsatt, meg bekjent gikk problematikken på at det var altfor krevende å klare å finne gode modeller for hvordan man skulle få lagt ferjedrift inn i nøklene. Som vi ser i dag, tyder de utslagene som er, på at den modellen som nå er funnet, heller ikke er god nok og heller ikke er godt nok gjennomarbeidet. Men det er krevende å finne gode modeller som ivaretar ferjedrift, fra Oslofjorden til Finnmark, og inntil vi har greid å få på plass gode modeller som faktisk kan forklares, og som er lesbare og forståelige også for dem det gjelder, burde dette bli utsatt. Representanten Greni sa at Senterpartiet styrkjer kommuneøkonomien i sitt alternative forslag til statsbudsjett. Det

svarte opposisjonen – som òg den gongen la inn meir pengar: «Kva eit parti gjer når det sit i opposisjon, har mindre betydning. Det er ikkje det som uttrykker partiet sin reelle vilje. Det er når du sit i posisjon, at politikken vert realitetar.» Er representanten Greni einig med den dåverande kommunalministeren i dette? I motsetning til opposisjonen tidligere har vi lagt mindre penger inn i budsjettet enn det regjeringspartiene har gjort;

Representanten Toskedal var jo inne på nettopp dette med hvor treffsikker den tapskompensasjonsordningen som Venstre og Kristelig Folkeparti fikk inn, var. Jeg lurer litt på om ikke representanten Greni ser at det etter hvert ikke er noen som skal skape vekst. Og ikke minst ønsker jeg å stille et annet spørsmål, for jeg legger merke til at Senterpartiet nå har lagt inn igjen Saemien Sijte, som de ikke oppnådde mens de satt i regjering. Hva tyder det på – var det da Arbeiderpartiet som ødela muligheten for å få det gjennomført, ettersom det nå ligger på plass i Senterpartiets alternative budsjett? Det er mulig representanten Skjelstad ikke husker forrige runde, for da svarte jeg på akkurat det samme spørsmålet. Grunnen til at Saemien Sijte ikke kom inn før i siste budsjett, var at avtalen med leietakerne ikke var på plass før da. Når jeg nå ser merknadene fra flertallspartiene, der de skal ha bevilget midler til et helt nytt forprosjekt der det skal være et nytt prosjekt, synes jeg det er relativt dårlig gjort at det ikke ble gitt signal til utbyggerne for ett år siden om at det faktisk var snakk om at det måtte omprosjekteres til et billigere prosjekt. Nå har hele prosjektet stått i stampe et helt år, nettopp på grunn av at flertallspartiene ikke har gitt de signalene. Når det gjelder regionale utviklingsmidler, så er det jo ikke bare de fylkeskommunale som nå er redusert; det er reduksjon over hele fjøla. Det er nedtrekk på landbruksmidler, det er nedtrekk på midler til reiselivsnæringen, det er nedtrekk på distriktsnæringene «all over», og det er nedtrekk på Og når fylkeskommunene blir fratatt den muligheten de har, vil det føre til en økt

pliktig til å følge det samme lovverket som det offentlige, særlig når det gjelder forvaltningsloven, offentlighetsloven og arkivloven. Det gjør at det er vanskelig å sammenligne de resultatene man får ut av dette, og det blir hemmelighold rundt viktige kvalitetsindikatorer som det er nødvendig å vite noe om hvis man er ute etter å finne ut hva som fungerer best. Derfor har vi fremmet et forslag om å sikre full åpenhet om disse kvalitetsindikatorene, og at man også må følge det samme lovverket. Da er spørsmålet: Hvorfor kan ikke Senterpartiet støtte dette lovforslaget? Det vil vi vurdere på et senere tidspunkt. Det har ikke vært diskutert i partiet. Vi deler i hvert fall SVs grunnholdning om at offentlige tjenester skal drives av det offentlige. Anbudsutsetting av offentlige tjenester betyr stort sett at de midlene som kunne vært brukt 100 pst. til tjenesteyting, går som utbytte i lommen til store aktører. Derfor er vi utrolig skeptiske til bl.a. kommunereformen som nå er kommet i stand for å legge til rette for større privatisering av offentlige tjenester, og som er grunnlaget for at høyrepartiene legger til rette for at det skal bli enklere å anbudsutsette tjenester.

Det ytes stor innsats fra ansatte i offentlig sektor, som vi alle er avhengig av, men systemet må reformeres for å bedre tjenestene for borgerne. Å ta i bruk ny teknologi i offentlig sektor er en del av dette. Bedre samordning mellom forvaltningsnivåer og forenkling er en annen del. Det er en utfordring at offentlig sektor stadig blir større og mer omfattende, og at den statlige kontroll øker og oppgavene blir flere. Det er ønskelig med en effektivisering og å flytte flere statlige oppgaver nedover. Dette er også Venstres grunntanke når det gjelder kommune- og regionreformen, som vil være viktig for å gi likeverdige tjenester i hele landet, og ikke minst gi kommuner og regioner bedre mulighet til å kunne utøve en mer helhetlig politikk. Jeg vil også minne om at det offentlige har et særlig ansvar for å tilrettelegge for at personer med nedsatt funksjons- og/eller arbeidsevne kan delta i yrkeslivet. Venstre mener det er viktig å synliggjøre og ta vare på samisk kultur og minoriteter den samiske kulturen, deriblant sørsamisk kultur. Derfor er jeg svært fornøyd med at vi på nytt kan se på stiftelsen Saemien Sijte for å realisere et nytt sørsamisk museum og kultursenter og et bedre museumsbygg. Det er også viktig med en målrettet satsing på tiltak i distriktene for å skape entusiasme og engasjement for lokal utvikling. Dette må i hovedsak skje på grunnlag av lokalt initiativ og interesser. Fylkeskommunen har ansvar for å bistå kommuner og småsamfunn med å legge

Fylkeskommunen har mange oppgaver, deriblant videregående skole, kultur, kulturminnevern, samferdsel m.m., men jeg vil også peke på rollen som planmyndighet, der fylkeskommunen kan spille en viktig rolle for å sikre regional utvikling og bidra til å skape regional vekst. Det å kunne eie egen bolig er viktig. Derfor er det viktig at flere gis muligheten til å etablere seg i egen bolig. Det er også viktig at staten stimulerer kommunene til å bygge flere og rimelige utleieboliger. Det er også viktig i områder med store levekårsutfordringer at staten bidrar til utvikling gjennom bedring av de fysiske omgivelsene og stimulerer til lokalt engasjement og deltakelse. Statens bidrag i Groruddalsatsingen i Oslo har vært helt avgjørende. Husbanken må også ha en sentral rolle i framtiden. Husbanken må bidra til at flere vanskeligstilte får et godt sted å bo, og at det blir flere boliger og bygg som møter framtidens utfordringer, med økende krav til miljø- og energivennlige og ikke minst universelt utformede boliger. Kommuner og fylkeskommuner er selvstendige, folkevalgte forvaltningsorgan som har ansvaret for grunnleggende velferdstjenester som skole, barnevern og helse- og omsorgstjenester. Det er derfor viktig at kommuner og fylkeskommuner sikres gode rammevilkår, og at det lokale selvstyret respekteres gjennom større grad av frie inntekter. Det er Venstres utgangspunkt at desentralisering av makt og myndighet er en aktiv distriktspolitisk handling. Venstres politikk for kommunestruktur, regionalpolitikk, næringsutvikling, landbruk, samferdsel og ikke minst kommunikasjon, kunnskap og helse, for å nevne noen av de mest sentrale politikkområdene, er innrettet med sikte på å styrke og myndiggjøre lokalsamfunn og distriktssentre og gjøre det mulig å bo og leve over hele landet. For Venstre har det gjennom mange år vært en målrettet politikk å redusere barnefattigdom. Derfor er det viktig å gjøre noe med vurderingen av Navs rolle i dette. Det Det er også viktig at frafallet i den videregående skole får et sterkere fokus, og derfor er det viktig at det offentlige går foran, ikke minst når det gjelder lærlinger. Det er derfor bekymringsfullt at mangelen på læreplasser er med på å øke frafallet i videregående skole. Venstre er fornøyd med satsingen på rusfeltet vi fire partier har fått til. Videre er vi godt fornøyd med at vi har fått på plass en tapskompensasjonsordning som vi har kjempet for lenge, og som vi også pekte på i forbindelse med kommuneproposisjonen at vi ville komme tilbake til. vi også pekte på i forbindelse med kommuneproposisjonen at vi ville komme tilbake til. I en merknad peker vi også på – noe også representanten Toskedal har nevnt – at vi i forbindelse med kommuneproposisjonen og revidert vil se på og vurdere om dette er godt nok. Avslutningsvis vil jeg nevne at vi er godt fornøyd med at vi har en fleksibel komitéleder, slik at vi fikk på plass tilskuddet til Landssamanslutninga av nynorskkommunar, LNK, for det synes jeg er viktig for å skape identitet for nynorskkommuner. Jeg vil ellers påpeke at vi

muligheter, at fylkeskommunene spiller en viktig rolle for å legge til rette for lokal og regional utvikling, og at det er en målrettet innsats. Vi var i forbindelse med behandlingen av kommuneproposisjonen enige om at fylkeskommunene og et folkevalgt regionalt nivå også skulle spille en viktig rolle i Men når vi hører at Høyre ønsker å tømme fylkeskommunene for oppgaver – etter at vi har snakket om det – når vi ser hvilke kutt regjeringen foreslår når det gjelder de virkemidlene fylkeskommunene har til disposisjon, f.eks. knyttet til bredbånd, føler representanten at man da har et samarbeid med regjeringen, eller er det slik at regjeringen motarbeider Venstres målsettinger? Etter å ha sittet i

framover. Med det alternativet som ble vedtatt i budsjettavtalen, er det kommet på plass en bredbåndsatsing som er bedre, og som jeg synes er veldig bra. Det er helt nødvendig å skape muligheter rundt omkring i landet ved at en har bredbånd, og ikke minst hvilke muligheter dette gir. Videre peker representanten Sivertsen på om vi er bekvemme med kuttene i regional utvikling. Det er selvfølgelig ikke vårt primære ståsted. Vi hadde nok i større grad ønsket at dette kanskje hadde blitt noe myket opp. Uansett: Etter de årene jeg satt i fylkestinget, vet jeg utmerket godt at alt ikke har vært like målrettet med hensyn til dette. Jeg takker for svaret. Jeg deler oppfatningen til representanten om at det

Jeg er også glad for at Venstre og Kristelig Folkeparti har slitt regjeringen etter håret og fått på plass mer midler til bredbånd. Jeg synes også dere har gjort en god jobb med å få på plass en kompensasjonsordning for de fylkekommunene som er hardest rammet. Men spørsmålet er: Er man komfortabel med å måtte arbeide mot regjeringen hvert eneste år og

Jeg tror at vi har oppnådd noe betydelig i samarbeidet med regjeringspartiene – Fremskrittspartiet og Høyre. Som representanten var inne på, om hva som er progresjonen her, tror jeg at man gjennom de grepene vi gjør nå, bl.a. med modernisering og effektivisering i Norge, i større grad ser på hva man gjør på det regionale nivået. Å få mer klare vekstmotorer i forhold til dagens nivå tror jeg vil være en klar styrke være en klar styrke og en god mulighet – også til å rekruttere ungdom, som representanten var inne på. Det å skape kompetanseclustre rundt omkring i regionene tror jeg vil være med på å skape vekst – noe som dessverre ikke gjenspeiler de siste åtte årene. Det har

Jeg registrerer at Høyre og Fremskrittspartiet har en merknad om at de støtter regjeringens ønske om å avvikle ordningen, mens Venstre unnlater å signalisere synet sitt i saken. I generelle merknader er de opptatt av frivillig sektor. Det skulle tyde på at Venstre er enig med Senterpartiet i at regjeringens utkastelsesmelding bør gjøres om. Har jeg forstått det rett, eller er det slik at Venstres utydelige signal er uttrykk for at utkastelsen kan skje med Venstres fulle støtte? Jeg vet ikke om jeg vil kalle det for en utkastelse, som har en effektuering i 2016. I en avtale er det ikke bestandig sånn at man når fram med absolutt alt, men uavhengig av det vil vi nok følge dette nøye framover. Det kan være at det finnes flere løsninger – om de absolutt må være sammen med Fylkesmannen. Det er nok mange som mener at det kanskje er vel tette forbindelser med dem som skal kontrollere og utøve. Men det er ingen tvil om, som representanten Greni tar opp her, at 4H, Skogselskapet m.fl. har viktige funksjoner som man må ta vare på videre. Frivilligheten kan vi ikke understimulere, vi må stimulere den videre. Men det er m.fl. har viktige funksjoner som man må ta vare på videre. Frivilligheten kan vi ikke understimulere, vi må stimulere den videre. Men det er ikke sikkert at man i det videre nødvendigvis trenger å være i samme kontorfellesskap som Fylkesmannen. Et tema som SV og Venstre har vært enige om, er

opp. Venstres og Kristelig Folkepartis oppgaver i forhandlingene har vært å få et lite grønnskjær tilbake. Men i kommunesektoren er det svært mye å gjøre, og det ser vi jo. Når det er uvær og store flom- og skredskader, er det et utrolig stort behov for klimatilpasninger i kommunene. Til tross for det har regjeringen svart oss på spørsmål at de ikke har lagt inn noen penger til dette Derfor foreslår vi at det må opprettes en egen finansieringsordning for slike lokale klimatiltak overfor klimatilpasninger. Er Venstre enig i det? Kommunene har selvfølgelig et selvstendig ansvar for å gjøre vurderinger, ikke minst hvor man i framtiden plasserer hus på steder der det har gått mange skred – ikke minst

som igjen vil bedre dette, ikke minst på miljøsiden. Da vil man også ha større mulighet til å lokalisere hvor problemene ligger, i samarbeid med NVE, men også med andre samarbeidspartnere. Dette vil være viktig framover. For det er ingen tvil om at man har en helt annen dynamikk nå i forhold til de naturkatastrofene man har hatt i tidligere år.

som er av de aller viktigste tiltakene for at ungene våre skal ha en god barndom, men de er også helt avgjørende for at næringslivet skal fungere her og nå, og at de skal få gode arbeidstakere og -skapere framover. I kommunesektoren har vi ansvaret for alt som har med pleie og omsorg å gjøre, særlig eldreomsorgen, men også omsorgen for mennesker med ulike typer funksjonsnedsettelser, og der vet vi at det er store behov som ikke er dekket. Vi hører stadig historier om eldre som er ensomme, om ansatte som ikke har tid, og om at det er altfor store oppgaver å klare for dem som har disse viktige jobbene. Det trengs flere ansatte for å gjøre mange av disse viktige jobbene. Vi ser også at det er nødvendig å styrke de kommunene som vokser mye. SV er for at vi skal ha et veksttilskudd til de kommunene, men vi mener at det skal finansieres utenom rammen og ikke med trekk for de kommunene som nå sliter med fraflytting. Vi mener at inntekter og utgifter skal utjevnes mer rettferdig, både mellom folk og mellom kommuner og fylkeskommuner. Derfor er vi uenig i den retningen som regjeringen peker på, nemlig at man skal styrke de sterkeste, man skal styrke de rikeste, og de som har litt mindre, får litt mindre penger, og så finner de nok ut av det og klarer det bedre. Vi er, som andre partier, for frivillige kommunesammenslåinger, men vi er storøyd forbauset over at regjeringen vil statliggjøre den kommunale skatteinnkrevingen som fungerer aldeles utmerket, og man advarer mot at det faktisk kan bety tapte skatteinntekter hvis de løser oppgaven sin på samme måte som den statlige skatteinnkrevingen gjør i dag. Det er behov for en tillitsreform i offentlig sektor, både i stat og kommune, der de ansatte får bruke mer av fagligheten sin til å utøve jobben sin godt, både for barn og for dem som trenger omsorg, og også for innbyggerne generelt. Vi er imot at man skal privatisere kommunale tjenester, og vi ønsker en reform i skolen som gjør at barna får et heldagstilbud med både mat og fysisk aktivitet, og at de får hjelp med leksene på skolen. Det er behov for et stort løft i skolehelsetjenesten, og det virker det som om alle partiene er opptatt av. Men det er forsøkt før uten øremerking. Sykepleierforbundet har undersøkt dette nå, og det viser seg at pengene går ikke til Det er ikke mulig å spore disse pengene. Derfor må vi sette en merkelapp på disse pengene, slik at vi vet at de kommer dit de skal. Det er uhyre viktig for de barn og unge det gjelder, at de får noen å gå til når det er noe de ikke kan snakke med mor og far eller læreren sin om. Vi har lagt inn en storsatsing på at kommunene skal kunne ta klimaansvaret sitt, for at de skal kunne drive Vi har lagt inn en storsatsing mot fattigdom, slik at kommunene kan hjelpe vanskeligstilte familier på en bedre måte enn de gjør i dag, og i tillegg til det ønsker vi å kompensere skattesvikten i 2014, slik at kommunene ikke behøver å dra det med seg inn i 2015 og få et svært vanskelig budsjettår. Så er det behov for en storsatsing på bolig. bolig. Bolig er det dyreste og det vanskeligste for folk som har liten lønn eller dårlig råd. Jeg er ganske sjokkert over det kuttet på 190 mill. kr som Det er ingen satsing der – en ordentlig satsing på å få bygd nok utleieboliger eller på å få bygd nok studentboliger – men kutt i bostøtten er aller verst. Særlig når vi vet at andre endringer, f.eks. i trygdesystemet, slår så usosialt ut som det gjør. Da vil jeg ta opp de forslag som SV står bak i innstillingen. Representanten Karin Andersen har tatt opp de forslag hun refererte til. Det blir replikkordskifte. Det virker som om SV

enn det regjeringen og forlikspartnerne gjør i sitt budsjett. Det viser jo at representanten overhodet ikke har satt seg inn i hva han snakker om. Jeg har en lang fartstid både som kommunepolitiker og som fylkespolitiker, og problemet var ikke øremerking; problemet var at det var for lite penger. Hvis vi sier at vi skal ha en satsing på skolehelsetjenesten, bør det bli en satsing på skolehelsetjenesten, og da legger vi de pengene på bordet. hva staten bidrar med inn i slike satsinger, slik at ikke kommunesektoren får noen penger i en stor sekk, og de pengene får de beskjed om å bruke til mange ulike oppgaver. De som sitter i kommunestyret, vet hvordan det er. Det betyr at vi har tillit til at de som sitter i kommunestyret, kan forvalte en større del av samfunnskaka enn det de kan med
Vi vet at mange norske kommuner har bare to eller færre faglig ansatte i barnevernet. Vi vet at det er veldig mange kommuner – rundt 100, tror jeg det er – som ikke har en eneste psykologstilling, og jeg vil tro, uten at jeg kjenner tallene, at det er veldig mange kommuner som også sliter med å finne kompetanse til skolehelsetjenesten, som helsesøsterstillinger osv. Er SV opptatt av at vi får bygd sterke og robuste miljøer rundt om i norske kommuner som kan være attraktive for fagfolk, og som kan tilby kvalitativt gode tjenester, det være seg innen skolehelsetjeneste, helsestasjoner eller andre tilsvarende tjenester, og at en nøkkel mange steder vil være å sikre at man får sterkere kommuneorganisasjoner, altså større kommuner, som kan bidra til å sikre tilbudene til dem som har behov for det? Eller er man fornøyd – og tror man kan løse dette – med dagens kommunestruktur?

men det kan også løses gjennom et utstrakt samarbeid med andre kommuner. Mange gjør det, spesielt innen barnevernet, og det er jeg veldig glad for at de gjør. SV har heller ikke noe problem med at kommuner ønsker å slå seg sammen. Hvis de mener at det er nødvendig og riktig og befolkningen er enig i det, skal de få støtte fra SV til det. Vi har sagt at de som vil slå seg sammen, verken skal tape Men det er ikke alltid størrelsen det kommer an på når det gjelder å prioritere de viktige tingene og ha arbeidsvilkår som gjør at man greier å rekruttere og beholde folk. Man kan bare se på Oslo, som er den største byen, som har en utrolig stor mangel f.eks. på utdannede førskolelærere.

ramme. Det var litt som jeg repliserte til representanten Jenssen fra Høyre i forbindelse med øremerking: Det handler om at SV har tillit til at kommunesektoren kan forvalte en større del av samfunnskaka totalt, men vi ønsker også å synliggjøre hva staten bidrar med, og vi ønsker å sikre at de pengene vi legger på bordet, faktisk går til de satsingene vi har bestemt oss for – nå er det skolehelsetjenesten, og det har vært det samme med løftet i barnevernet.
Neste replikant er

og ikke minst temaet barnevern. Når det gjelder barnevern, har vi eksempelvis flere interkommunale samarbeidsordninger i Nord-Trøndelag, der man bl.a. driver med barnevern. Der klarte de ikke å utføre dette, 13 kommuner sammen – det ble for smått. Det samme gjelder miljøkompetanse. Hvis en skal ha god nok kompetanse, krever det – som representanten Jenssen var innom i sted – at en har sterke nok kommuner som kan tiltrekke seg en slik type kompetanse. Hvis ikke har en ikke den muligheten, og da vil en heller ikke oppnå det representanten Andersen egentlig vil – mot formodning. Er det ikke slik at vi trenger sterkere fagmiljøer som har den samme hånden som styrer over dem, og ikke at det skjer gjennom

men kommunene og fylkeskommunen må ha egne penger, slik at de både kan iverksette klimatiltak på sine områder, og at de kan iverksette de utrolig dyre tiltakene for klimatilpasning, slik at skadene på viktig infrastruktur ikke blir så store som de blir i dag på viktig infrastruktur ikke blir så store som de blir i dag når uværet kommer. Representanten Karin Andersen og jeg er enige om at vi trenger miljøkompetanse rundt omkring i landet, men sånn som ståstedet var mens dette ennå gjaldt, så var det stort sett halvstillinger, kvartstillinger, osv. Det er ikke nok til å sjekke ut hva som er problemet i de menneskeskapte miljøforandringene som vi har. Da stusser jeg på at ikke representanten Andersen ser behovet nå for en sterkere og mer faglig sektor, spesielt innenfor det miljøfaglige – for det er jo nettopp det som vil være med – der mange flere har et fagmiljø som kan sette større grad av fokus på dette enn med kvartstillinger og halvstillinger, som representanten Andersen tydeligvis er mest
Nei, jeg vet ikke hvor representanten Skjelstad tar det fra, det må jo være ut fra helt løse luften, at jeg har foreslått kvartstillinger og halvstillinger – på ingen måte! Vi har jo den største klima- og miljøsatsingen som noen har i noe budsjett, og det betyr at vi mener at kommunene selv trenger denne kompetansen, og at man selvfølgelig også må samarbeide med andre om dette. Det er riktig at det her kreves kompetanse Men jeg vil også si at jeg satt i kommunestyret da disse miljørådgiverne kom inn i kommunene. Det var et stort løft, og det har vært et stort savn at den kompetansen har blitt fjernet sånn at vi liksom har rykket tilbake igjen mange hakk for at kommunene skal kunne ha denne kompetansen. Denne kompetansen må også ligge i hele teknisk sektor, den må ligge i ledelsen av kommunen, for hvis ikke klimaarbeidet blir en del av ledelsen også i kommunen, så kommer vi ikke til å nå de klimamålene eller klare de klimatilpasningene som vi er nødt til å få til. Replikkordskiftet er omme. Miljøpartiet De Grønne sitter foreløpig ikke i kommunal- og forvaltningskomiteen, og til

for å få et landsdekkende grønt gjennombrudd som skal få konsekvenser for politikken i mange norske kommuner. Derfor har vi her på Stortinget lagt fram et alternativt budsjett som forteller hvilke kommunale oppgaver som engasjerer oss mest, og hva folk kan vente seg hvis og når Miljøpartiet De Grønne gjør et godt lokalvalg. For det første er Miljøpartiet De Grønne varme tilhengere av et levende, reelt lokalt folkestyre. De aller fleste som engasjerer seg i politisk arbeid i Norge, gjør det i tilknytning til lokalpolitikken, og derfor er lokaldemokratiet avgjørende for å skape et samfunn der flest mulig er i stand til og ser nytten av å engasjere seg for sin egen og fellesskapets framtid. Derfor har vi lagt fram et budsjett der kommunene sikres et inntektsgrunnlag som gir handlingsrom og valgmuligheter for lokale prioriteringer, samtidig som det legges rammer som gir forutsigbarhet for livskvalitet og gode velferdstjenester til innbyggerne. Kommunesektoren kommer til å spille en avgjørende rolle i arbeidet med å bygge det nye, grønne næringslivet. I dag er oljerelaterte bedrifter hjørnesteiner i mange lokalmiljøer, og det kommer altså ikke til å vare. Derfor er det viktig at kommuner og fylkeskommuner bidrar og settes i stand til å bidra i arbeidet med å løfte fram nye alternativer. Miljøpartiet De Grønne har lagt fram et alternativt budsjett der vi foreslår å starte et ambisiøst omstillingsarbeid i norske kommuner. Vi prioriterer satsing på grønt næringsliv gjennom en kraftig styrking av fylkeskommunenes satsing på regional utvikling. Samtidig foreslår vi å opprette et nytt tilskudd for å støtte kommunenes arbeid med grønn næringsutvikling, og vi foreslår å etablere nye sentre for sosialt Slik vil vi sette flere kommuner i stand til å gripe muligheter og bidra med startkapital når lokale gründere satser på framtidsrettede prosjekter. I årene som kommer, må norske kommuner ta fatt på en ny og helt avgjørende, krevende oppgave. Kommunene må bli bærekraftige, klimagassutslippene må vekk, tapet av biologisk mangfold må stanses, og Norge må tilpasses en framtid der stadig mer ekstremvær vil gi helt nye utfordringer og kostnader. Veldig mye av dette må løses i kommunene. Derfor foreslår Miljøpartiet De Grønne en omfattende satsing på miljøkompetanse og klimaforebygging i kommunene. Vi vil gi kommunene kunnskap, ressurser og kompetanse til å gjennomføre et kraftig løft i lokal planlegging av miljø- og klimaarbeid, og vi vil bidra med den kapitalen som skal til for å gjøre de nødvendige klimatilpasningene, og for å reparere de klimaskadene som vi vet kommer. Disse midlene er fra vår side foreslått bevilget under Klima- og miljøverndepartementets rammer, men de er relevante for denne debatten fordi de vil ha stor betydning for kommunenes mulighet til å kartlegge og finansiere tiltak som er nødvendige for å begrense kostnader ved morgendagens klimaendringer og unngå nye kostnader på lang sikt. For å oppsummere: Forebygging og store investeringer i langsiktig omstilling gjennomføres i Miljøpartiet De Grønnes alternative statsbudsjett. I tillegg til satsingene jeg allerede har nevnt, er vår satsing på boligsektoren og på oppussing av skolebygg og bedre integrering andre tiltak som vil gjøre livskvaliteten bedre for Samlet sett foreslår Miljøpartiet De Grønne en betydelig styrking av kommuneøkonomien gjennom en økning i rammeoverføringene til kommunene med 3,85 mrd. kr. Det åpnes for replikkordskifte. Det er

ganske nært sammen, og det er åpenbart derfor de blir stilt i sammenheng. Kommunenes rolle på klimaområdet er for det første politisk, det er der folk bor. Det vil si at i hvor stor grad folk engasjerer seg eller ikke engasjerer seg i klimaspørsmål og føler det som en del av sin hverdag, vil være temmelig avgjørende for hvorvidt Norge klarer å gjennomføre en klimapolitikk, enten den er nasjonal, internasjonal eller lokal. Men det skjer særdeles mye, som jeg bl.a. var inne på, både innenfor næringsliv, infrastruktur, bolig osv. som det er helt nødvendig at det er kommunene som tar tak i. Kommunene står for svært mye av den infrastrukturendringen og den tilpasningen som må gjennomføres både for at kommuner skal unngå å bli ofre for veldig stor klimaskade i framtida, og for at de skal kunne bidra til utslippskutt. En tredjedel av de nasjonale kuttene er et fornuftig nivå. Jeg takker for svaret. Jeg registrerte også at representanten i sitt innlegg, som flere andre i denne salen, var sterkt tilhenger av den rollen fylkeskommunene og det regionale folkevalgte nivået skal spille. Jeg er fortsatt nysgjerrig og har behov for å lære mer om Miljøpartiet De Grønnes politikk, så jeg benytter anledningen til å stille det samme

mer presis og konkret når det gjelder hvilken rolle fylkeskommunene bør ta for å få til en grønn omstilling av det norske samfunnet?

for et høyere nivå som kan samordne mange tjenester på fylkesnivå og mellom kommuner, og vi kommer til å jobbe – gjerne sammen med Arbeiderpartiet – for å utvikle det nivået på måter som er tjenlige i en framtidig utvikling.

utmarksområde og areal i utmarka, og at dei har forvitra når staten har teke over. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har hatt eit prosjekt om forenkling av utmarksforvaltninga, og i regjeringserklæringa er det ei formulering om at ein ønskjer å prøve ut modellar med grunneigarstyrt forvaltning av verneområde. Korleis ser representanten Hansson på at kommunane og grunneigarane skal sterkare inn i forvaltninga av slike område? Hansson på at kommunane og grunneigarane skal sterkare inn i forvaltninga av slike område? Jeg skriver slett ikke uten videre under på en generell beskrivelse av statlig styring av verneområder som en forvitringsprosess. Det er rikelig med eksempler på at problemer knyttet til utmarks- og naturområdeforvaltning også er knyttet til lokalt Prinsipielt sett er Miljøpartiet De Grønne helt klare på at lokal styring og lokalt ansvar er en grunnleggende god ting, men det er en oppgave og en rolle som er nødt til å være knyttet helt klart til et nasjonalt fellesansvar. Vi kan ikke fra Miljøpartiet De Grønnes side gå inn på en forvaltningsmodell som gir kommuner og lokalnivå et forvaltningsansvar som er uavhengig av de nasjonale verdiene de forvalter. Men når dette kan kombineres, er selvfølgelig lokale modeller på mange områder å foretrekke. Jeg er glad for at representanten Hansson deler Senterpartiets ønske om flere grønne arbeidsplasser og flere distriktsarbeidsplasser. Senterpartiet er opptatt av å bevare de grønne arbeidsplassene vi har i distriktene i dag. Beitenæringen utgjør viktige grønne distriktsarbeidsplasser, både småfenæringen og den sørsamiske og nordsamiske

Jeg tror det er et kraftig feilspor å gjøre kampen mot rovdyr til en forutsetning for å utvikle grønne arbeidsplasser i Norge. Forholdet er det stikk motsatte. Det er det å ta vare på norsk natur og det å legge norsk natur til grunn for framtidig næringsutvikling som kommer til å være den framtidige løsningen, og da trenger man også en allianse mellom dem som skal utvikle de grønne næringene,

stramme, tror jeg vi er enige om. Men det jeg ikke har hørt representanten fra Miljøpartiet De Grønne si noe om, er inntekts- og utgiftsutjamning i kommunesektoren, for det er en diskusjon som er veldig brennaktuell nå. Denne regjeringen sier at den vil satse på vekstkraften der den er. De ønsker å omfordele mellom kommuner og fylkeskommuner på samme måte som de ønsker å fordele mellom skal få beholde mer av inntektene sine sjøl, og da blir det mindre inntektsutjamning til de kommunene som sliter med inntekter og fraflytting. Da vil det være interessant å høre hvordan representanten for Miljøpartiet De Grønne ser på et av de aller viktigste fordelingspolitiske emnene vi har i norsk

anvendes, får vi diskutere videre. Men det er ikke noen tvil om at vi ser nødvendigheten av at det også blant kommuner fordeles inntekter på en måte som setter flest mulig kommuner i stand til å ivareta de grunnleggende behov og krav som folk i alle kommuner i Norge har. Replikkordskiftet er omme. La meg starte med å takke komiteen for en god innstilling, og, statsråd Sanner

Veksten i kommunenes inntekter vil bidra til mer kunnskap i skolen og til at kommunene kan gi bedre omsorg for våre eldre og løfte mennesker som sliter med rus eller psykisk helse. Økt satsing på vedlikehold og bygging av fylkesveier vil sammen med andre tiltak bidra til å skape vekst og trygge arbeidsplasser i hele landet. Regjeringen har en ambisiøs agenda for arbeidet med å fornye, forenkle og forbedre offentlig sektor. Vi har fått på plass et program for bedre styring og ledelse i staten. Lover og regler forenkles til glede for innbyggere og næringsliv. Jakten på tidstyver er i Jakten på tidstyver er i gang, og med over 1 200 forslag fra statlige etater kan mange vente seg forenklinger og mer tid til å løse viktige oppgaver for innbyggerne. For et år siden foreslo regjeringen å digitalisere bostøtten. Nå er den digital. Det skaper en enklere hverdag for mange av våre innbyggere, og det frigjør ressurser, bl.a. i kommunene, som kan brukes til annet viktig arbeid. I budsjettet for 2015 bevilges det 550 mill. kr til nye digitaliserings- og IKT-prosjekter i staten, bl.a. det å få fart på digitalisering av plan- og bygningsprosessen. I løpet av 2015 vil Kommunal- og moderniseringsdepartementet fremme nye forslag som både vil forenkle og fornye offentlig sektor.

Sammen gjør de borgerlige partiene det vi lovet velgerne før valget: Vi styrker skolen, vi øker innsatsen for å løfte mennesker som sliter med rus og psykisk helse, og vi gir kommunene rom for viktige satsinger. I 2015 øker kommunenes samlede inntekter med 7,8 mrd. kr. Det gir kommunene en vekst på størrelse med tidligere år og et større handlingsrom enn de siste årene. Økt handlingsrom betyr ikke at det blir enklere å være lokalpolitiker. Ambisjonene vil sikkert være større enn lommeboka også i 2015, slik det var under de rød-grønnes styre. Jeg hørte med interesse på innlegget til Arbeiderpartiets og jeg forsøkte etter beste evne å høre om det var noen nyanser mellom det rosenrøde og det helsvarte. Jeg hørte ikke mange. Men Helga Pedersen skal ha for det – for en rask omvending fra å være posisjonspolitiker til å være opposisjonspolitiker. Glemt er det at arbeiderpartiordførere varslet et ordføreropprop mot rød-grønn kommuneøkonomi. Glemt er det at kommunene varslet om kutt både i skole, pleie og omsorg, bl.a. i 2010. Det som tidligere var historiske satsinger under de rød-grønne, er plutselig blitt til mager satsing under de borgerlige partiene. Jeg tror at både opposisjon og posisjon står seg på å ha noen flere nyanser i budskapet. Det opplegget vi legger frem for kommunene til neste år, bidrar til et rom for kommunene til å satse på skole, helse og tette sosiale sikkerhetsnett, men jeg vet godt at det for kommunepolitikerne også neste år blir behov for å prioritere. Jeg er glad for at vi også styrker regionalpolitikken i 2015 gjennom regjeringens samlede politikk for bedre rammevilkår for små og store bedrifter. At vi har funnet rom for en sterk satsing på fylkesveier, bidrar til å lette forholdene for mange distrikter og regioner og legger forholdene til rette for små og store bedrifter. Det blir replikkordskifte. Jeg oppfattet at kommunalministeren kom med en liten skjennepreken om fargeskalaen her. Da vil jeg vise til det

Det ligger en historisk satsing på rus, på psykisk helse, på skolehelsetjeneste i kommunene, på barnehager, etterutdanning av lærere og en spesiell satsing på småskoler til neste år.» Da er mitt spørsmål: Hvorfor er det så stor avstand mellom kommunalministerens ordbruk om historiske satsinger i kommunene og det bl.a. Høyres egne lokalpolitikere melder inn om kutt i skole, om at etterslepet på fylkesveivedlikeholdet vil være omtrent som i dag, og at bastioner for Høyre og Fremskrittspartiet, som Bergen og Stavanger, øker eiendomsskatten? Jeg er opptatt av å ha en nøktern Derfor har jeg lagt vekt på å understreke at ja, det er rom for kommunene til å finansiere både økte pensjonskostnader og demografi. I tillegg er det et rom på nivå med de senere år som gir kommunene muligheter til å satse på skole, på helse og omsorg og på andre viktige prioriterte områder. Samtidig er det, som jeg har understreket, selvfølgelig slik at kommunene må prioritere. Det måtte de under rød-grønt styre, og det må de også gjøre under borgerlig styre. Men det er ikke slik at det var så rosenrødt da Arbeiderpartiet styrte. Det ble varslet ordføreropprop mot rød-grønn kommuneøkonomi, og kommuner varslet at de måtte kutte i både skole, helse og omsorg. Det er det som er grunnen til at jeg har tillatt meg å etterlyse noen nyanser også i Helga Pedersens innlegg. Ønsker representanten Helga Pedersen en replikk til? Ja, absolutt, president! Også under den rød-grønne regjeringen måtte kommunene prioritere, og det har jeg ved flere anledninger sagt. Men det er litt spesielt at kommunalministeren sier at han har en nøktern omtale av kommuneopplegget for neste år og i neste åndedrag kaller det opplegget som regjeringen har lagt fram, for en historisk satsing. Det finner jeg ikke mye støtte for om i landet eller når man leser lokalavisene. KS’ budsjettundersøkelse viser det motsatte av det kommunalministeren sier. Den viser at det ligger an til en realnedgang i satsingen på skole til neste år. Da er mitt spørsmål: Hva er det landets lokalpolitikere ikke har skjønt når de kutter i skole og øker eiendomsskatten samtidig som kommunalministeren snakker om historiske

på 7,8 mrd. kr. Veksten er på nivå med det den var under rød-grønt styre. Det betyr at det ikke går an å si at det var rosenrødt i åtte år med rød-grønt styre, og at det så plutselig har blitt magert eller sultefôring under borgerlig styre. Den består ikke historiens prøve. Det jeg derimot har understreket som en veldig viktig satsing i regjeringens opplegg, er at vi satser på rus og psykisk helse – og ikke ett år. Vi gjorde det i fjor, vi gjør det til neste år, og vi kommer til å fortsette å gjøre det, fordi vi er opptatt av å løfte dem som sliter mest. Det gjør vi både gjennom statlig satsing og ved at vi legger til rette for at kommunene kan satse mer på det området.

Så skulle dette kompenseres, og så opplever kommunene at det har vært trekk i kommunerammen. Andre opplever at fylkesmennene har trukket i skjønnsrammen. Mitt spørsmål går på denne ulike behandlingen: Vil statsråden se til at fylkesmennene foretar en slags likebehandling, slik at kommunene ikke får denne varierte og litt uforutsigbare behandling som de har fått, kanskje ved å instruere fylkesmennene? Jeg vet ikke, men jeg har lyst til å få et svar på det. Og får vi en sak på det i kommuneproposisjon eller i revidert dersom det må gjøres noen endringer? La meg først understreke at den praksisen vi følger nå, er den samme praksis som de rød-grønne fulgte i 2004 og 2007. 2007. Det er slik at differensiert arbeidsgiveravgift er et kraftfullt virkemiddel for å legge til rette for næringsliv i Distrikts-Norge, men det er ikke ment som et virkemiddel for å styrke kommunal sysselsetting. Det er grunnen til at redusert arbeidsgiveravgift for kommunene også innebærer at det blir trukket tilbake i rammetilskuddet. Men så er det riktig, som representanten påpeker, at fylkesmennene også har kompensert i forhold knyttet til den differensierte arbeidsgiveravgiften. arbeidsgiveravgiften. Der endret de rød-grønne retningslinjene for 2013 og 2014, og vi har endret den ytterligere for 2015. Det betyr at fylkesmennene kan bruke skjønn for å sørge for at de kommunene som best trenger støtte, også får det. Jeg har registrert komiteens merknad, og vi kommer til å følge den opp på egnet måte. Det er en selvfølge at kommunalministeren følger det flertallet som er i Stortinget.
Neste replikant er

års krig i etterkant. For dem som nå er midt oppe i utredningen om kommunesammenslåing, hadde det vært veldig interessant å høre om tvangssammenslåing nå er avlyst, eller den såkalte trusselen om «unntaksvis tvang», nyordet som dukket opp under behandlingen av kommunereformen. Er det nå slik at det er kommunestyrene selv som skal fatte vedtak? Skal vedtakene bli respektert? Eller er det bare i Rogaland de skal bli respektert? Eller er det bare i Rogaland de skal bli respektert? Jeg tar det som et tegn på at Senterpartiet er fornøyd med budsjettet for 2015, siden man nå stiller spørsmål om kommunereformen. Men la meg bare si veldig kort at vi legger frivillighet og gode lokale prosesser til grunn. Så forholder vi oss til grunn. Så forholder vi oss til det flertallet som var i meldingsdelen til kommuneproposisjonen, som også Arbeiderpartiet var en del av, når det gjaldt vektleggingen av frivillighet, og i hvilke situasjoner storting og regjering kunne skjære igjennom. Vi forholder oss til det flertallet som er i Stortinget, og det flertallet er helt i tråd med både mitt og regjeringens syn på den saken. Neste replikk er fra Karin Andersen
representanten Skei Grande, hvis jeg
det var Trine Skei Grande. Presidenten beklager – kluss i vekslinga! Det er en viktig replikk, president, for nå skal jeg ha en replikk på vegne av Kristelig Folkeparti og Venstre, og jeg vet at statsråden kan nok matte til å skjønne at det er viktig! Statsråden har bestemt seg for at en del organisasjoner ikke lenger skal ha kontorer hos Fylkesmannen. Det har ikke Venstre og Kristelig Folkeparti vært enig i, men vi syns kanskje det er i overkant stortingsregjereri å bestemme hvem som skal sitte på hvilke kontorer. Men det er jo en grunn til at 4H og har hatt kontorplass der. Det er fordi de har hatt en del offentlige oppgaver, en del oppdrag på vegne av staten som de skal gjøre. Derfor har de fått denne kompensasjonen som kontorlokalene har vært. Mitt spørsmål til statsråden er: Vil nå statsråden bruke tida denne våren til å ha en dialog med disse organisasjonene for å se på hvordan man kan kompensere for den jobben de faktisk gjør for det offentlige, og det oppdraget de gjør, når de nå ikke får kontorplasser? kontorplasser? Hvis ikke statsråden har et veldig godt svar på det, er det fare for at vi kommer tilbake under revidert. La meg aller først si tusen takk til Venstre og Kristelig Folkeparti for et veldig godt samarbeid om budsjettet og en veldig god løsning. Jeg deler representanten Skei Grandes syn på at disse organisasjonene gjør en veldig viktig jobb. organisasjonene gjør en veldig viktig jobb. De gjør en viktig jobb for sine medlemmer, og de gjør en viktig jobb for barn og unge i hele landet. Så er det riktig at vi har kommet frem til at det ikke er ryddig at de har kontorplass hos Fylkesmannen. Det er også et spørsmål som knytter seg til sikkerhet. Det er grunnen til at vi nå har gitt organisasjonene en god overgangsperiode for å flytte ut, frem til sommeren 2016. På bakgrunn av signalet fra Kristelig Folkeparti og Venstre kommer selvsagt ansvarlige statsråder til å ta kontakt med organisasjonene og gå igjennom og se på hvilke oppgaver som de har utført for det offentlige, og så vurdere kompensasjon i forhold til det. SV

Organisasjonen sier at økonomisk ulikhet har redusert den økonomiske veksten i Norge med 9 pst. Det synes SV er veldig alvorlig. Derfor har vi laget et opplegg der vi bruker mindre penger enn regjeringen, gir skattelette til dem som tjener lite, skatteøkninger til dem som tjener mye. Og vi har f.eks. 5 mrd. kr mer til viktige områder som skole og helse, som gjør at man får god utjamning, og at alle mennesker kan få utnytte sitt potensial. Mener statsråden OECD tar feil? Det er interessant hvis SV mener at OECD alltid har rett. Jeg tror vi kan hente mye fra OECD, både SV og Høyre. Vi er opptatt av et samfunn med små forskjeller, men spørsmålet er: Hvordan sikrer vi små forskjeller i samfunnet vårt? Hva er grunnlaget for de største forskjellene i det norske samfunnet i dag og vil være det i fremtiden? Vi tror at det bl.a. knytter seg til at mange faller fra videregående skole – mye drop-outs. Det er at mange blir uføretrygdet i altfor ung alder, hvor de kanskje kunne vært i arbeid. Det er at for mange sliter med rus og psykisk helse. Jeg tror at hvis vi skal bevare et samfunn med små forskjeller, må vi gå målrettet til verks og sørge for at vi løfter dem som sliter i skolen, at vi hjelper dem som sliter med rus og psykisk helse, og at vi hjelper flere av dem som står utenfor arbeidsmarkedet, inn i arbeidslivet. Det mener jeg vil være den viktigste veien for fortsatt å sikre små forskjeller i det norske samfunnet. Replikkordskiftet er avsluttet. Jeg skjønner at dagens tema er fargenyanser, eventuelt mangel på nyanser. Jeg er enig i at det er
Sivertsen er så

men hvilket kommuneopplegg man legger opp til ut fra den økonomiske situasjonen man faktisk er i, de forventningene man har til neste år, og de uløste oppgavene man står overfor. Her er det en grunnleggende uenighet om hvilket nivå vi skal ligge på i kommunene. Vi mener tydeligvis at vi skal ligge på et høyere nivå enn det regjeringen gjør. Norge er en havnasjon. Vårt havareal er ca. seks ganger så stort som landarealet. Havet har vært helt sentralt i nasjonen Norges historie, har vært avgjørende for vår velferd, er det i dag og vil også være det i framtiden. Det byr på mange muligheter og har et stort potensial, både ved ikke-fornybare ressurser og ved evigvarende ressurser. Jeg hadde tidligere i høst gleden av å besøke en bedrift på Sortland som heter Calanus, i Vesterålen.

Denne bedriften dekker ikke bare en liten del, den dekker hele verdikjeden – fra høsting, produktutvikling, produksjon, godkjenning og til salg. De har kompetanse innenfor marin økologi, redskapsteknologi og bioteknologi. Hvordan var dette mulig i Vesterålen? Grunnlaget er selvfølgelig først og fremst kompetanse, både akademisk kompetanse knyttet til universitetene i Tromsø og Bodø og kompetanse hos omkringliggende bedrifter og offentlige etater. Det er havbruksselskap, Mattilsynet og bedrifter innen oljeberedskap. Andre suksessfaktorer som trekkes fram, er det regionale virkemiddelapparatet: bistand fra Innovasjon Norge, Norges forskningsråd, SkatteFUNN-ordningen, regionale utviklingsmidler, Siva og differensiert arbeidsgiveravgift. I det videre arbeidet understreker bedriften at de er helt avhengige av god dialog og støtte fra både lokale og regionale myndigheter for å få de tilstrekkelige rammebetingelsene for å kunne utvikle seg videre. Det var ikke lettelser i formuesskatten eller muligheten for fylkeskommunen til å låne mer penger til å bygge nye fylkesveier som var avgjørende for å lykkes for denne bedriften. I Arbeiderpartiet har vi vært opptatt av at folk faktisk har en reell frihet til å bosette seg der de vil. For oss har det vært viktig å sikre likeverdige levekår og ta ressursene i hele landet i bruk. Den bedriften jeg har fortalt om i dag, er et eksempel på det, en framtidsrettet bedrift, for folk bosetter seg i hovedsak der de får jobb. Vi har vært opptatt av å videreføre det distriktspolitiske løftet. Vi har vært, og er, opptatt av å styrke den lokale og regionale vekstkraften i områder med lav økonomisk vekst, i områder med lav økonomisk vekst, i områder med lang avstand til større markeder og i områder med ensidig næringsstruktur. Da blir det viktig å sikre kompetansearbeidsplasser som spres over hele landet. Hvis vi skal ha en åpen økonomi med samfunnsbevisste aktører og et aktivt offentlig engasjement, må vi også følge opp med midler. Det har vi valgt å gjøre i Arbeiderpartiets alternative statsbudsjett. Vi foreslo et alternativt budsjett med 1,1 mrd. kr til en innovasjons- og vekstpakke for hele landet. Vi har valgt å ha en næringspolitikk der offentlige myndigheter spiller en viktig rolle som en del av den norske modellen, som har en tydelig retning, og som er for hele Vi legger i vårt alternative budsjett til rette for å ta i bruk både marine næringer, reiseliv, landbruk, miljø- og klimateknologi og mye mer. Regjeringens hovedsatsing er fortsatt enorme skattekutt uten påviselig effekt og muligheten for fylkeskommunene til å låne enda mer penger for å bygge veier. Forskjellen mellom vår aktive næringspolitikk og høyresidens, den blå næringsnøytraliteten, har aldri vært tydeligere. La meg få lov til å avslutte med å ta opp de forslagene som Arbeiderpartiet står bak, og de vi står sammen med andre om. Representanten Eirik Sivertsen har tatt opp

fra det å være opptatt av kun penger til også å se på innhold, organiseringsstruktur og fremtid. Det blir et uttrykk for at vi har en regjering som evner å ta det politiske lederskap, synliggjøre at man vil noe med lederskapet, at man vil noe med Norge, og at man vil ruste det norske samfunn for fremtiden. Kommunene er i ferd med å gå inn og få en ny ham, og jeg ser at folkevalgte, rådmenn – det dingler litt i noen urolige ordførerkjeder der ute – at alle sammen nå er engasjert i å se på hvordan vi skal ruste Kommune-Norge for fremtiden, sikre innbyggerne flere tjenester, bedre tjenester og i betydningen hjemmesykepleie, sykehjem, skole og alt det som betyr noe for folk i hverdagen. Så er jeg veldig glad for at regjeringen også har evnet å ha tanker om det å digitalisere og digitalisere og ta i bruk ny teknologi – ikke for digitaliseringen og den nye teknologiens skyld, men for at de som arbeider for dem som mottar tjenestene, skal oppleve at det blir en enklere hverdag, en lettere hverdag, at man med letthet kan få tilgang til en del av tjenestene, og ikke minst at man kan spare og legge ressurser til oppgaver som er mer sentrale for folk i den enkeltes hverdag. Jeg er glad for at regjeringen evner å se på struktur, system, å målrette innsatsen innenfor det å forenkle, avbyråkratisere og sørge for at ikke bare tanken, ordet, men også handlingen er det som står i fokus. Det er i møtet med vårt velferdssystem, med det norske samfunn, at vi som politikere, vi som samfunn, er oppe til eksamen. Det å bygge samfunnet nedenfra, legge makt og myndighet til det viktigste forvaltningsnivået, legge det tilbake til kommunen, har vært førende for det arbeidet som regjeringen har tatt fatt på. Kommunestruktur i seg selv, det å tegne kartet, er ikke målet, men det å se på oppgavene, om de kan løses bedre og annerledes, om de kan flyttes ned til kommunene for å vitalisere det folkevalgte demokratiet det å sørge for at vi har en demokratireform, hvor makt og myndighet og oppgaver løses der hvor de best kan løses. Jeg ser også at det ikke er slik at ordførere, folkevalgte, nå bare lener seg tilbake og sier: Vis oss hvilke oppgaver vi kan få! De sier: De og de oppgavene er vi i stand til å ta, og dem krever vi å få,

forenkle, fornye og forbedre offentlig sektor har vært overskriften for regjeringens arbeid, og derfor er jeg veldig glad for at det å lage en enklere hverdag for folk flest er det som Høyre–Fremskrittsparti-regjeringen nå tar til orde for når de ønsker å forbedre offentlig sektor for å ruste oss for fremtiden. Det handler om å benytte fellesskapets midler bedre og sikre at de midler vi har til rådighet på alle områder, kan benyttes bedre, og at de går til de tjenestene som det norske samfunn trenger aller mest: skole, helse, samferdsel. På den måten ruster vi også Norge for fremtiden, til beste for alle som bor her. Vi er i gang med en kommunereform for å sikre at innbyggerne får bedre tjenester. Vi styrker arbeidet med ledelse og styring i staten. Regjeringen gjennomfører digitaliseringstiltak og har også satt i gang et storstilt arbeid for å redusere tidstyver i hele forvaltningen. Det å redusere og fjerne tidstyver dreier seg også om å gjøre møtet med offentlig sektor enklere for innbyggerne. En god kommuneøkonomi er

Budsjettenigheten for 2015 mellom våre fire partier legger godt til rette for at kommuner kan forbedre og styrke sine velferdstjenester for innbyggerne, i tillegg til at økte kostnader knyttet til pensjon og befolkningsutvikling kan dekkes. Det er også viktig at budsjettet sørger for at lokaldemokratiet i Norge har mulighet til å foreta valg og prioriteringer basert på lokale forhold. Budsjettavtalen sørger også for dette ved at det gis en betydelig og reell vekst i kommunenes samlede inntekter på 7,8 mrd. kr, hvorav 4,7 mrd. kr er frie inntekter. Budsjettet for 2015 bidrar dermed til at veksten i frie inntekter tilsvarer en realvekst på 1,5 pst., som er på nivå med veksten de senere årene. Det reelle handlingsrommet for kommunene er imidlertid større enn det det har vært de siste årene, fordi demografikostnadene anslås å bli lavere. Dermed bidrar budsjettet for 2015 til at man setter kommunene i stand til å bedre kvaliteten på helse-, eldre- og omsorgstjenester og fortsette arbeidet med å tette hull i det sosiale Budsjettet vil sikre mer kunnskap i skolen. Innenfor rammen av de frie inntektene er det rom for satsinger til å styrke helsestasjonene og skolehelsetjenesten, styrke den psykiske helsetjenesten og oppfølgingen av rusavhengige i kommunene samt legge til rette for et mer fleksibelt barnehageopptak og lavere barnehagepriser for familier med dårlig økonomi. Budsjettet for 2015 sikrer dermed viktige og grunnleggende tjenester for folk flest, flest, og det innenfor trygge og ansvarlige rammer. Men vi legger ikke skjul på at til tross for et godt kommuneopplegg for neste år må kommunene fortsatt prioritere hva som er de viktigste oppgavene, og foreta vanskelige valg, også i tiden framover. Arbeiderpartiet

Vår ambisjon er å bygge landet. Da trenger vi en offensiv boligpolitikk. Det må bygges flere boliger for å møte befolkningsveksten. Husbanken er et av våre viktigste politiske verktøy i boligpolitikken. Det er derfor ganske uforståelig at regjeringen nok en gang opprettholder kuttet i Husbankens lånerammer. Arbeiderpartiet foreslår at vi skal gjøre større grep i de store byene våre. Derfor foreslår vi 1 mrd. kr mer til kollektiv i storbyene enn det regjeringen gjør, mot at kommunene forplikter seg til boligbygging ved kollektivknutepunktene. Vi ønsker et taktskifte i boligpolitikken. Dessverre har vi en regjering med lavere ambisjoner, som ikke evner å ta de store og nødvendige grepene til rett tid. I valgkampen hevdet høyresiden at vi ikke måtte velge mellom skattekutt og velferd. velferd. Jeg tror mange trodde på Høyre da de sa at vi hadde råd til begge deler. Nå ser vi høyresidens sanne ansikt: Den største enkeltsatsingen i budsjettet er mer til dem som har mest, og samtidig må landets kommuner kutte i velferdstilbudet sitt. Arbeiderpartiet har større ambisjoner enn regjeringen på vegne av norske kommuner. Vi vil ha tidlig innsats i skolen vi vil ha flere barnehageplasser fylt med god kvalitet, og vi vil ha en verdig alderdom for våre eldre, med trygghet og god omsorg. Derfor styrker vi kommuneøkonomien kraftig. Debatten om kommuneøkonomi kan fort bli en teknisk og komplisert debatt, der man slår prosenttall i hodene på hverandre og begynner å diskutere hva som skjedde de ti siste årene. Spørsmålet er om vi bruker det unike handlingsrommet vi har nå i dag, til å styrke velferden lokalt, eller om man prioriterer det handlingsrommet til å gjøre noe helt annet. Dessverre har vi en og nå ser vi at det fører til velferdskutt i kommunene. Hver eneste dag leser vi om kommuner som må gjøre smertefulle kutt. I Halden mister 120 ansatte i helse- og omsorgssektoren jobben sin. I Ålesund foreslår rådmannen kutt over hele linjen for å unngå gigantunderskudd. I Alta vurderer man nå å innføre flere dobbeltrom og kutt i stillinger på sykehjemmene på grunn av trang kommuneøkonomi. I Stavanger Stavanger må de borgerlige øke eiendomsskatten, og i Bergen, hvor de feiret med champagne og fyrverkeri da eiendomsskatten ble fjernet, må høyresiden nå bite i det sure eplet og gjeninnføre skatten. De gjør det nok ikke fordi de har lyst, men fordi de er pukka nødt. Det er på tide at alvoret begynner å synke inn hos høyresiden. 65 pst. av landets ordførere og rådmenn sier at det økonomiske handlingsrommet i 2015 blir dårligere enn i år, og på fredag la KS fram sin budsjettundersøkelse for 2015. Overskriften på KS’ hjemmeside er: «Kommunene tvinges til tjenestekutt og økt eiendomsskatt.» Undersøkelser viser bl.a. at utgiftsveksten innenfor skole er lavere enn lønns- og prisveksten. Hva betyr det? Jo, det betyr at i mange stikk i strid med de festtalene høyresiden holder om kunnskap. Jeg roser gjerne regjeringens satsing på lærerne – det er det tverrpolitisk enighet om i denne sal – men skal vi lykkes med å gi alle elever de samme mulighetene til å utvikle sitt potensial, er vi nødt til å gi kommunene nok penger. Til NRK sier Helge Eide i KS 5. desember: «Noen kommuner sier at dette nærmer seg grensen for hva de mener er forsvarlig.»

neste år. Representanten Stein Erik Lauvås

Det blir viktig å få på plass ei miljø- og arealforvaltning som i langt større grad byggjer på lokalt sjølvstyre og respekt for eigedomsretten. I statsbudsjettet legg regjeringa opp til å auke realveksten i dei samla inntektene for kommunar og fylkeskommunar med 6,2 mrd. kr, der 4,4 mrd. kr er auke i frie inntekter. I budsjettavtalen mellom regjeringspartia og samarbeidspartia blir kommuneøkonomien styrkt endå meir. Det betyr at veksten i frie inntekter blir på linje med gjennomsnittet i perioden 2008–2013. Det stadfestar regjeringa si satsing på kommunal sektor. Når det gjeld fylkeskommunal økonomi, har det vore stort fokus på tapskompensasjon for dei fylkeskommunane som kjem dårlegast ut i det nye inntektssystemet. I budsjettframlegget frå regjeringa blei det sett av 125 mill. kr til fordeling mellom dei fylkeskommunane som taper mest. I tillegg blei det i budsjettavtalen mellom regjeringspartia og samarbeidspartia auka med 60 mill. kr, slik at for 2015 blir samla tapskompensasjon 185 mill. kr. For mitt heimfylke, Sogn og Fjordane, betyr det at dette fylket får totalt 53,9 mill. kr i tapskompensasjon for 2015. Etter mitt syn vil det gje fylkespolitikarane i Sogn og Fjordane eit godt grunnlag for å få til eit godt budsjett for vårt fylke det komande året. For framtida betyr det også at den årlege tapskompensasjonen no er komen opp i 185 mill. kr. Fleirtalet i komiteen viser til at endringane i inntektssystemet for fylkeskommunane blir fasa inn gradvis over fem år, og at auka tapskompensasjon ikkje blir brukt til å utsetje elles nødvendige tilpassingar til ny inntektsramme. Det er verdt å merke seg at opposisjonspartia føreslår: «Stortinget ber regjeringen legge til grunn at inntektssystemet for fylkeskommunene forblir uendret i 2015, og at regjeringen legger til rette for en god prosess, med høring og konsultasjoner med fylkeskommunene før forslag til endringer i inntektssystemet fremmes i kommuneproposisjonen for 2016.» Dette gjer dei raud-grøne partia trass i at dei same partia varsla eit nytt inntektssystem for kvart år dei siste åra i regjering. Ein skulle tru at dei hadde nok informasjon til å ta ei avgjerd for mange år sidan. Dette er ingenting anna enn trenering og ansvarsfråskriving. Regjeringa vil ruste Noreg for framtida m.a. ved å fornye regionalpolitikken. Det viktigaste tiltaket for å skape næringsutvikling og vekst i distrikta er å satse på bygging av vegar og anna infrastruktur. Eg er stolt over den formidable satsinga på fylkesvegane det blir lagt til rette for i dette statsbudsjettet, og det er også svært mykje anna å gle seg over i det framlagde budsjettet. Regjeringa vil auke løyvingane til fylkesvegar med 225 mill. kr, slik at potten no har passert 1 mrd. kr. I tillegg får fylkeskommunane 272 mill. kr til sikring av tunnelar, og ordninga med rentekompensasjon blir auka frå 2 mrd. kr til 3 mrd. kr. Dette er svært positivt. Regjeringa legg no også opp til å kome med ein ny sektornøkkel for båt og ferje i kommuneproposisjonen for 2016. Dei nye anboda for ferjer syner at kostnadene har stige mykje, og ein del av dette kan kome av krav frå myndigheitene. Regjeringa har også varsla at Kommunal- og moderniseringsdepartementet i samarbeid med Samferdselsdepartementet vil kome tilbake til Stortinget med ei ferjeavløysingsordning for fylkesvegane. Dette vil vere eit svært viktig tiltak for å kunne byggje ut vegnettet i distrikta. Alt dette er ei formidabel satsing på fylkeskommunal samferdsle som både innbyggjarane og næringslivet vil få stor glede av. Når ein ser dette på toppen av ei kraftig satsing på riksvegar og vegvedlikehald som regjeringa leverer, ligg det til rette for tidenes satsing på samferdsle og vegbygging som vil vere med på å ruste landet vårt for framtida.

Det vi stiller spørsmål ved, er mangelen på prioriteringer fra flertallet med dette kuttet. Det virker som en lettvint løsning. Man overlater utfordringen til det enkelte departement eller den enkelte virksomhet i stedet for å ta ansvar og peke på de områdene som man mener tåler kuttene best. Vi får bare forutsette at disse kuttene tas på en slik måte at det ikke går ut over tjenestetilbudet til befolkningen. Effektiv og innovativ bruk av IKT på alle områder innen offentlig sektor er viktig, og det støtter vi. Men vi må sørge for at IKT-løsningene ikke setter den enkeltes rettssikkerhet i utrygghet. Datatilsynet og Personvernnemnda er viktige verktøy for å ivareta rettssikkerhet og personvern for innbyggerne. Arbeiderpartiet merker seg også at regjeringen og støttepartiene innfører såkalt nøytral moms. Dette grepet framstår nå kun som et ledd i en strategi for ytterligere å kunne privatisere statlige og offentlige tjenester. Arbeiderpartiet støtter ikke dette, og vi mener at det kommer til å gå på bekostning av ansattes lønns- og arbeidsvilkår, herunder pensjonsrettigheter. Regjeringspartiene, sammen med Kristelig Folkeparti og Venstre, har lagt fram en innstilling som i praksis inneholder en rekke kutt på en rekke områder. Dette må de gjøre for at hovedgrepet i statsbudsjettet skal kunne oppfylles – et hovedgrep som består av store skattekutt til de aller rikeste i Norge. Dette hovedgrepet i budsjettet er posisjonen ikke så glad i å diskutere, og det framstår litt merkelig at ikke selve hovedgrepet i et sånt budsjett er det som flertallet ønsker å løfte fram. De samiske formål og Sametinget slipper heller ikke unna disse kuttene. Jeg synes det framstår som både smålig og lite gjennomtenkt når man kutter i f.eks. næringsutvikling i samiske områder, samtidig som regjeringspartiene omtaler næringsutviklingen i de samiske områdene som viktig. Det framstår som smålig og lite gjennomtenkt når regjeringspartiene omtaler samiske språk og mulighetene for å bruke og utvikle samisk språk i svært positive ordelag, mens de samtidig foreslår å gjennomføre kutt i midlene som skal gå til nettopp dette formålet. Vi ser en utstrakt bruk av dobbeltkommunikasjon fra regjeringens side – de sier én ting, men gjør i praksis noe helt annet. Det samme gjelder konsultasjonsordningen som regjeringen har med Sametinget. De omtaler konsultasjonsordningen i rosende ordelag, men når det kommer til utførelsen, ser man at det svikter, selv om vi registrerer at Fremskrittspartiet nå er med på merknader i innstillingen når det gjelder samepolitikken, som de fra årene i opposisjon sto ganske langt Vi har andre prioriteringer i innstillingen til statsbudsjettet, derfor har vi også muligheten til å øke rammene til Sametinget med over 21 mill. kr. Kultur får 10 mill. kr mer til samiske formål, vi reverserer kutt i samiske aviser, og vi kan også foreslå en oppstartsbevilgning til Saemien Sijte på 20 mill. kr – alt utover regjeringens forslag. Dette vil gjøre det mulig å bedre ivareta næringsutvikling, samisk språk og samisk kultur, noe som er viktig. Det er synd at det handlingsrommet som Norges økonomi i dag har, har endt opp i et forslag der fellesskapet skal betale store skatteletter til de få, og der vi i denne innstillingen på mange områder må fokusere på smålige kutt på en rekke poster som for de gruppene det gjelder, er svært viktige. Det er mange signaler fra mange kommuner, som det er blitt nevnt her tidligere i debatten, som skulle tilsi at man skulle prioritert kommuneøkonomien sterkere. Det vil ikke flertallet. Det betyr kutt i mange gode kommunale tjenester, til fordel for en privat skattefest for de aller rikeste i landet. Det er dårlig fordelingspolitikk, og det løfter ikke fram og bidrar ikke til å løse de store fellesoppgavene vi står overfor i omsorg og skole, som to eksempler.

for det er kommunene som er skoleeiere, og det meste av det som skal skje i skolen, er avhengig av det som blir resultatet av voteringen etter denne debatten. Kan kommune x ansette flere lærere når leseresultatene på mellomtrinnet viser at det er helt nødvendig? Kan kommune y ansette en miljøarbeider i ungdomsskolen når man vet at man har en Har lokalpolitikerne handlingsrom til å få ned saksbehandlingstiden i PP-tjenesten? Og hvor ble det av styrkingen av helsesøstertjenesten, som de nasjonale politikerne lovte i fjor og på nytt lover i år? Disse spørsmålene viser skolens bredde i den kommunale verdenen. Tar vi i tillegg med barnevern, kulturskoler og SFO, blir bildet enda tydeligere. I disse dager har vi budsjettbehandling her i Stortinget, men det er også budsjettbehandlinger på ca. 430 andre steder. Som nevnt tidligere presenterte KS for kort tid tilbake en undersøkelse der man har gått budsjettene i kommunene etter i sømmene. Det var ingen lystig lesing. Dessverre viser undersøkelsen at det ofte er elevene som blir salderingspost i sammenlikning med de andre

men vi tror ikke helt på det, for i år har nemlig rådmannen i min kommune foreslått at vi må kutte så og så mange lærerstillinger. Da regjeringen i høst lanserte sin oppskrift for en bedre skole, Lærerløftet, var forventningene store. Men jeg må si jeg ble skuffet. Det handlet kun om studiepoeng og karakterkrav, ingenting om det som gir lærerne det de ber om – mer tid til å støtte elevene. Dette ble fulgt opp i statsbudsjettet. bra at det satses på det vi alle er enige om – etter- og videreutdanning – men det trengs mer. Her har jeg lyst til å gi honnør til Venstre og Kristelig Folkeparti, som fikk beveget det dårlige skolebudsjettet fra regjeringen noen små steg i retning av det som er stortingsflertallets faktiske syn. Arbeiderpartiet har foreslått en øking av lærlingtilskuddet, øremerking av midler til helsesøstertjenesten, etablering av kommunale beredskapsteam mot mobbing i alle kommuner, tiltak for daglig fysisk aktivitet i skolen, 100 mill. kr til nytt utstyr på yrkesfaglig studieprogram og 200 mill. kr til tidlig innsats for å sikre at barna våre lærer seg å lese, skrive og regne tidlig. Arbeiderpartiet vil med disse tiltakene realisere den kloke skolen og den kloke eleven, men det er ett trumfkort som overgår alle enkelttiltak, og det er en styrket kommuneøkonomi. kommuneøkonomi. Når skatteinntektene blir lavere enn budsjettert og forventningene til de kommunale oppgavene øker, ja, da blir det en kløft – en kløft som regjeringen ikke har tatt på alvor. På tross av at de har mer penger å bruke enn noen gang, og at man klarer å prioritere milliarder i skattekutt, klarer man altså ikke å prioritere de nødvendige grepene for kommunene. Arbeiderpartiet vil bruke handlingsrommet i norsk økonomi annerledes og foreslår derfor å øke kommunenes inntekter med ca. 3,4 mrd. kr utover det regjeringen opprinnelig foreslo. Det er penger til pleie, omsorg, barnehage og skole. Jeg har lyst til å avslutte med lederen av Utdanningsforbundets egne ord: «Høyre hadde utdanning som en av sine fanesaker i valgkampen i fjor.

foran oss i dag, som vil bedre situasjonen for dem. Høyre og Fremskrittspartiet viser tydelig at de står på skattekutt for dem som har mest, heller enn å styrke velferden for folk flest. Dette vil ikke minst mitt hjemfylke, Nordland, merke veldig godt. Som kjent er det et av de fylkene som kommer dårlig ut med regjeringens politikk. Situasjonen er vel å merke noe bedret for 2015, takket være forliket med Kristelig Folkeparti og Venstre. Men selv etter en økning på 60 mill. kr for å kompensere og ikke minst er det usikkerhet for årene 2016–2019, som de sitter og budsjetterer for i dag. Når man i tillegg ikke kompenserer for skattesvikt i 2014, blir det store utfordringer for kommunene, og om ikke skattesvikten endrer seg, kan utfordringene bli like store i 2015. Vi leser i avisen daglig at dette vil føre til skolekutt over hele landet, ja, ikke bare til skolekutt; det gjelder velferdskutt, som går på alle de viktige oppgavene. Før helgen debatterte vi samferdselsbudsjettet. Man la opp til en historisk satsing på samferdselsbudsjettet, og selv om flertallet ikke støttet Arbeiderpartiet, som i sitt budsjett hadde 1 mrd. kr mer, ble det et bra budsjett. Men så er det slik at en stor del av samferdselstilbudet ligger til

Arbeiderpartiet foreslo, og derfor burde man kompensert manglende skatteinngang for 2014. Regjeringa sitt budsjettframlegg er vel det tydelegaste Høgre-budsjettet som noka regjering har lagt fram i moderne tid i Noreg. Det er eit budsjett som veldig tydeleg peikar i retning av ei utvikling av samfunnsstrukturen vår der likskapstanken ikkje lenger skal vera den ikkje lenger skal vera den berande ideen, der sentraliseringstrenden skyt fart, distriktspolitikk er eit framandord, der lokaldemokratiet er tilbake til Jern-Erna sine velmaktsdagar med nedskjering på felt etter felt innan helse, skule og eldreomsorg. Kommune- og fylkeskommuneøkonomi er for mange litt fjernt. Men når ein ser at dette har med midlar til å oppretthalda vidaregåande skular, til vedlikehald og nyinvesteringar av fylkesvegane, til kultur for dei eldre, til barnehagar og skular og helsetenester å gjera – ja, då får det faktisk betyding for kvar enkelt av oss i kvardagen. Det betyr noko for deg og meg, for oppvekstvilkåra, for barn og barnebarn og for om bestemor får ein verdig og god alderdom. Eg vil ta utgangspunkt i regjeringa sitt forslag til kva fylkeskommunane skal ha å rutta med framover. Sogn og Fjordane kom verst ut av alle, og ved å kutta alt innan vegvedlikehald og investeringar, leggja ned fire vidaregåande skular og halvera talet på distriktstannlegar vil ein tredjedel av kuttet vera teke. Av mange frå Høgre og Framstegspartiet, også frå ministernivå faktisk, vert det sagt at fylket visste om dette. Til det er det berre ein ting å seia: Det som fylkeskommunen budsjetterte med av kutt, var himmelvidt frå dei tala som vart

fått urettferdig mykje frå før. Dette er ei avsporing. Eg var i Årdal i går, på besøk på ein vidaregåande skule der. Det er ein av dei skulane som vart føreslått lagd ned då fylket hadde teke ein tredjedel av regjeringa sitt føreslegne kutt. Synest Høgre og Framstegspartiet at det er greitt at elevane skal køyra to timar kvar veg for å gå på den nærmaste vidaregåande skulen? Kva skjer med eit lokalsamfunn der ungdommen er så lenge på ein skulebuss, eventuelt flyttar bort på hybel? Fotballaget, handballaget, symjegruppa – ja, dei forsvinn. Samfunnet forvitrar utan ungdom i den aldersgruppa. Er det det å oppretthalda vidaregåande skular som er det urettferdige, eller er det det at regjeringa innfører eit nytt kostnadsnøkkelsystem utan å forstå konsekvensane, som er det urettferdige? Var det dette ein lova i

I det statsbudsjettet som er lagt fram, tror jeg vi kan fastslå at det er menneskene med milliarder som har kunnet hentet fram gullfargen. Men for at menneskene uten milliarder skal kunne oppleve den mer fargerike delen av skalaen, er det Familie- og kulturkomiteen har ansvaret for flere oppgaver som er avhengig av nettopp god kommuneøkonomi. Barnevern og barnehager dreier seg om gode oppvekstvilkår for unger, om trygge småbarnsforeldre, om likestilling og inkludering. Alle barn og småbarnsfamilier fortjener en trygghet for en barnehageplass når de trenger det. Fordi vi velger bort mennesker med milliarder og store skattekutt, er det rom for å ta nye steg i barnehagepolitikken. I vårt alternative statsbudsjett er det rom for 5 600 nye barnehageplasser. Vi trapper opp med to opptak i året og foreslår 1. november som dato for å få rett til plass. Det gir småbarnsforeldre forutsigbarhet for når de kan regne med at en barnehageplass er der. Høyre og Fremskrittspartiet har i opposisjon vært utålmodige etter å få på plass løpende barnehageopptak. I statsbudsjettet for neste år foreslår Solberg-regjeringen 800 nye plasser eller i underkant av to per kommune. Mennesker med milliarder trumfet altså barna som trengte barnehageplass. Handlekraften brukes på skattekutt, ikke på barnehageplasser, akkurat som i tilleggsbudsjettet i fjor. Heldigvis ble regjeringens forslag bedre etter at Kristelig Folkeparti og Venstre forhandlet fram flere plasser, men Høyre og Fremskrittspartiet har mistet all troverdighet om valgfrihet og løpende opptak fra sin tid i opposisjon. De siste ukene har vi sett rystende oppslag om barn som har blitt forsømt. Et godt barnevern er grunnleggende for at vi skal Vi er glad for at midlene til øremerkede stillinger i kommunene videreføres, men vi registrerer at det ikke tilføres midler til det kommunale barnevernet i regjeringens forslag. Det er i det kommunale barnevernet vi kan forebygge og forhindre at vi får oppslag som dem vi har sett de siste ukene. Så er det sånn at vi dessverre må konstatere at det kommunale barnevernet

1. januar 2010 fikk norske fylkeskommuner en gave av staten som ble mottatt med behersket entusiasme. Titusenvis av kilometer med veg i til dels dårlig tilstand, med tilhørende tunneler, fergeforbindelser og bruer, ble overført til fylkene. I Møre og Romsdal har Statens vegvesen regnet ut at vedlikeholdsetterslepet som fylket overtok fra staten, kan tallfestes til ca. 5,6 Det sier seg selv at fylket er ute av stand til å redusere, for ikke å si fjerne, et slikt etterslep uten en kraftig økning i de statlige overføringene til samferdselsformål. Det er derfor gledelig å registrere at regjeringen later til å ha forstått alvoret i situasjonen når det gjelder utfordringene som fylkene står overfor på dette området. Fjorårets satsing på fylkesveger blir trappet opp med 200 mill. kr. Samtidig får vi en styrking av rentekompensasjonsordningen med 1 mrd. kr, fra 2 mrd. kr til 3 mrd. kr årlig. I tillegg får fylkene overført 272 mill. kr for å styrke tunnelsikkerheten. Alt dette er gode og prisverdige grep som varsler at regjeringen Solberg i større grad enn forrige regjering ser viktigheten av fylkesvegnettet som en forlengelse av de store transportkorridorene dit verdiskapingen skjer. Det er svært langt igjen til en situasjon der fylkene er i stand til å stanse og redusere etterslepet. Likevel ser vi en god begynnelse i det framlagte og vi gir selvsagt vår fulle tilslutning til økt fokus på fylkesvegnettet som en del av regional utvikling. Likevel er det med forundring vi registrerer at regjeringen også i år fortsetter fjorårets praksis med å kutte i regionale utviklingsmidler. Det kan nesten virke som at man gir med den ene hånden og tar med den andre. Mens midlene til vedlikehold og utbedring av fylkesvegnettet øker, tas overføringene til regional utvikling kraftig ned.

Vi må dessverre registrere at vi ikke nådde fram på dette punktet i budsjettforhandlingene. Vi vil likevel si oss godt fornøyd med at vi fikk gjennomslag for en ekstra kompensasjon på 60 mill. kr hvert år de neste fem årene til de kystfylkene som kom dårligst ut i den nye fordelingsmodellen for statlige overføringer. Dette gir fylkene det gjelder, økt handlingsrom også som aktører i arbeidet med regional utvikling.

år. Neste år er beløpet 54 mill. kr. Det er penger som kommer godt med i et fylke preget av vekst. Fylket står foran store investeringer i miljøvennlig kollektivtransportsystem – den eneste bærekraftige løsningen. Akkurat i dag er fylkestinget samlet i Haugesund for å vedta en ny bompengeløsning som innebærer at øverste takst i rushtida blir 40 kr per passering. Dette illustrerer at fylket har blitt vant til å ordne opp Men elever i Rogaland er ikke mindre verdt, bilister har samme rett til veier, og Rogalands samferdselsløsninger er ikke billigere å bygge enn samferdselsløsninger i andre fylker. Hvorfor skal de da få mindre penger per innbygger? Men dette ordner nå regjeringen opp i. Mange tenker på Rogaland som et rikt fylke, og det er det nok, selv om utsiktene for oljeindustrien kan synes noe dårligere akkurat nå. Men med fylkeskommunen er det en litt annen historie. pst. utjevning av skatteinntektene gjør at den aktøren som skal bygge infrastruktur og kollektivtrafikk, ikke henger med i svingene økonomisk. Samtidig har den omtalte inntektsmodellen slått veldig dårlig ut for fylket. Med bakgrunn i dette finner jeg det oppsiktsvekkende at Arbeiderpartiet ikke støtter denne omleggingen. De burde bry seg mer om Rogaland som en viktig vekstmotor for hele landet. Jeg forventer ikke at Senterpartiet bryr seg om å rette opp i skjevhetene som rammer vekstfylker i Norge, men at Arbeiderpartiets representanter nok en gang vil utsette denne omleggingen, viser at de ikke er opptatt av å sette Rogaland i bedre stand til å møte framtidens utfordringer og
Denne regjeringa har stort fokus på å styrkje lokaldemokratiet, og i regjeringsplattforma blir det slått fast at lokal medverknad er viktig i forvaltninga av naturressursane. Dei har sett i verk fleire vellykka tiltak som allereie har gjeve gode resultat. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har skrive brev til fylkesmennene om bruk av motsegn, og det har redusert talet på overprøving vesentleg. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har også oppretta Prosjekt forenkling av Dette blei lagt fram sist veke, og etter ein høyringsperiode kjem dette som ei sak til Stortinget. Målsetjinga med dette prosjektet er at brukarane skal oppleve ei vesentleg forenkling av forvaltning og saksbehandling, og at kommunane skal bli tildelte større ansvar og myndigheit innanfor utmarksforvaltninga. I tillegg til dette er det også ei viktig formulering i regjeringserklæringa om at regjeringa vil ha forsøk med grunneigarstyrt forvaltning av verneområde. Dette er det eit konkret eksempel på i Valdres, der fleire grunneigarlag har ønskt å prøve ut ein modell med grunneigarstyrt forvaltning, som dei har kalla Fullsenn-modellen. Eg besøkte desse grunneigarane ved fleire høve i førre periode, då det var planar om å utvide langs Langsua nasjonalpark og ta frå desse grunneigarane råderetten over eigedommane deira, m.a. store stølsområde som var viktige både for primærnæringane, trivsel og rekreasjon. Dei siste tiåra har råderetten over store areal og verdiar blitt overført frå lokale myndigheiter og grunneigarar til statlege myndigheiter. Dette er eit brot på ein lang tradisjon der lokalsamfunn og enkeltmenneske sjølv har teke vare på område og verdiar. Vi har opplevd at denne prosessen fører til konflikt og ei form for tillitskrise mellom mange lokalsamfunn og grunneigarar på den eine sida og sentrale styringsmyndigheiter på den andre. Mange stader ser ein også at når staten overtek ansvaret for verneområde som tidlegare har vore forvalta av grunneigarar, fører det til at grunneigarane trekkjer seg tilbake og forfallet kan starte. Det er ingen tent med, verken grunneigarar eller naturverdiar. Miljø- og arealforvaltninga må i langt større grad byggje på lokalt sjølvstyre og respekt for eigedomsretten. Samanhengen mellom bruk og vern av natur er viktig. Aktiv næringsverksemd er i dei fleste tilfelle det same som forsvarleg naturforvaltning, og omsynet til enkeltpersonar og lokalsamfunn må takast betre vare på. Vi har mange spennande reformer på gang, og dette er ei av dei som verkeleg kan styrkje både lokaldemokratiet og grunneigarrettar. Det er god grunn til å sjå nærare på ulike modellar for forvaltning av utmark og verneområde og å ha ein kritisk gjennomgang av rolla til staten i denne

for boligarealer og næringsarealer, slik at flest mulig av de nye innbyggerne kan få arbeid i sin nye hjemkommune. Utgifter til bygging av nye skoler er en av belastningene som gjør at sterk vekst koster. I Ullensaker kommune har veksten vært på mellom 3 og 4,5 pst., noe som i denne kommunen betyr 200–240 nye elever inn i skolen hvert år. Det innebærer at én ny skole og én stor barnehage må være på plass hvert eneste år. Sandnes kommune har en årlig vekst på omtrent 2 000 innbyggere, noe som fører til store utgifter til barnehage, skole og omsorg, og Sandnes kommune planlegger investeringer for 3,7 mrd. kr de neste årene. Rennesøy kommune har vokst med over 25 pst. siden 2008, og sliter med de samme utfordringene. I disse tre kommunene har vi ordfører fra Fremskrittspartiet, Arbeiderpartiet og Senterpartiet, og jeg registrerer at de nevnte ordførerne alle har vært i media og er godt fornøyd med at den nye regjeringen ikke Aftenbladet kunne til og med orientere om at arbeiderpartiordføreren i Sandnes jublet mest av alle. Sandnes er kanskje den kommunen, ikke bare i Rogaland, men i hele Norge, som har størst vekst, og i flere år har Sandnes fått 0 kr av den rød-grønne regjeringen, for veksten har ikke vært stor nok i prosent. Neste år kan politikerne glede seg over 46 mill. kr mer. Det nye stortingsflertallet verdsetter nemlig vekstkommuner og øker tilskuddet fra 60 mill. kr til 400 Vi har nå en regjering som er opptatt av at det er nettopp de kommunene som har størst påtrykk av innbyggere og størst behov for investeringer, som skal få kompensert dette gjennom systemet. Det har vært urimelig at kommuner som tar på seg disse oppgavene med å bidra til at regioner fortsatt kan vokse, skal oppleve at jobben de gjør er en belastning. Dette er en jobb som burde premieres, og som nå bli premiert. Denne regjeringen leverer i tillegg en økning på 4,7 mrd. kr i frie inntekter til kommunene, noe som er med på å gi et kjærkomment løft for kommuneøkonomien. Jeg registrerer derimot at de fleste rød-grønne stortingsrepresentantene i denne salen har tatt representanten Helga Pedersen på alvor da hun tidligere i år ba om hjelp til å sverte regjeringen. For her i salen gjør de alt for å skape et inntrykk av at denne regjeringen struper kommuneøkonomien. Da er det godt å lese i avisen at ikke alle er med i svertekampanjen, men at det faktisk finnes ordførere fra de rød-grønne partiene som jubler over taktskiftet som kom med ny

ein kommune med ei raud-grøn regjering. Å laga kommunebudsjett har i mange år vore ei krevjande oppgåve. Det var ikkje lett med den raud-grøne regjeringa, med underfinansierte opptrappingsplanar innanfor psykiatri og ei underfinansiert samhandlingsreform, reformer som er svært krevjande sjølv med dagens kommunestruktur og kommunegrenser. Me som dreiv vekstkommunar, var alltid på etterskott med finansiering av tenestetilbodet. og underfinansierte reformer gjorde dette svært krevjande. Eg er begeistra for at regjeringa no har teke ansvar og har sett kommunekartet på dagsordenen og starta ei kommunereform. Heile 80 pst. av Noregs befolkning støttar ei endring av kommunekartet. Men eg vert litt forundra når eg les merknadene til Arbeidarpartiet i Me kan lesa bl.a. at dei kommenterer eit oppslag i Hardanger Folkeblad 12. november om Lars Sponheim, fylkesmann i Hordaland. Eg meiner det er rart at Arbeidarpartiet vektlegg ei lokalavis sin reportasje og sine fortolkingar framfor vedtak som vert gjorde her i denne sal og i regjeringa.

Ekspertutvalet for kommunestruktur har levert sine anbefalingar, og er tydeleg på at kommunane må verta større og meir robuste for å møta både dagens oppgåver og framtidas utfordringar. Ser me på tidlegare reformer, oppfattar eg det vel slik at Stortinget stort sett bruker tvang i reformene sine, anten det gjeld opptrapping innanfor psykiatri, samhandlingsreform eller andre reformer. Då er det ikkje mykje snakk om frivilligheit. Så eg er litt undrande til kvifor Arbeidarpartiet ikkje vil bruka same moglegheit i kommunereforma når dei attpåtil har gjeve Kommune-Noreg oppgåver som ein treng større kommunar for å klara. Eg synest det er veldig, veldig rart at det vert overført så mykje store oppgåver til kommunane utan at ein er villig til å syta for at me får den nødvendige kommunestørrelsen for å handtera desse oppgåvene på ein god måte i

kr. Av veksten er 4,7 mrd. kr frie inntekter, tilsvarende 1,5 pst., noe som er på nivå med veksten senere år. Faktum er at Høyre–Fremskrittsparti-regjeringen sikrer kommunene mer penger enn den rød-grønne gjorde i 2012. Da var veksten på 3,750 mrd. kr. Det reelle handlingsrommet er også større enn det har vært senere år fordi Kommuneopplegget i 2015 setter kommunene i stand til å sikre mer kunnskap i skolen og bedre kvaliteten i helse- og omsorgssektoren. Stavanger kommune, f.eks., får 15 mill. kr ekstra i 2015 som følge av budsjettavtalen, mens Karmøy får 3,6 mill. kr ekstra, og Innenfor rammen av de frie inntektene er det satsinger på helsestasjonene og skolehelsetjenesten, den psykiske helsetjenesten og oppfølgingen av rusavhengige i kommunene. Det legges til rette for et mer fleksibelt barnehageopptak og lavere barnehagepriser for familier med dårlig økonomi. Satsing på kunnskap og forskning er en Bare i 2015 vil regjeringen videreutdanne 5 050 lærere, noe som er et kraftig kunnskapsløft for den norske skolen. Antall lærere som får videreutdanning, er nesten tredoblet var under den forrige regjeringen. Det bevilges 75 mill. kr til oppgradering av universitetsbygg. Det bevilges penger til å bygge 2 000 nye studentboliger – langt flere enn det som ble bygd under de rød-grønne. Det er en historisk høy satsing på fylkesveier, på 200 mill. kr, og 272 mill. kr for å styrke tunnelsikkerheten. Som en følge av nytt finansieringssystem får pst. Etter fem år vil endringen gi Rogaland en økning på 180 mill. kr. Det kan innbyggerne i fylket få masse gode tjenester for. Regjeringen skal ha ros for å ha iverksatt et lenge etterlengtet nytt finansieringssystem for fylkene. Inngrodde urettferdigheter i inntektssystemet er fjernet. Arbeiderpartiet er imot det nye inntektssystemet. Det vil si at Rogaland hadde fått store kutt i stedet for økning, og det urettferdige systemet som Arbeiderpartiet ikke vil endre, hadde fått fortsette, dette til tross for at Arbeiderpartiet har ca. 10 mrd. kr mer å bruke etter å ha reversert regjeringens skattelette. Debatten så

Representanten Karin Andersen sa til representanten frå Miljøpartiet Dei Grøne at inntektsutjamninga er noko som er brennheitt. Så veldig brennheit vil eg ikkje seia at ho er, dette er heller ikkje noko som står omtalt i proposisjonen, eller som blir endra til neste år. Inntektsutjamning er noko ein ser på i den store omlegginga i 2017. Det eg reagerer meir på av det som SV snakkar om, er barnevernet og om det skal vera knytt til eit IKS eller ikkje. For meg er det viktig at barnevernet er tett på andre kommunale tenester, som skule, barnehage, lege og helsestasjon, slik at ein kan sjå heile bildet for å hjelpa barn. Då er det eit stort poeng om barnevernet er knytt til eit IKS, som er perifert i forhold til den ordinære drifta, eller om det er tett på. Skal ein hjelpa barn, er samarbeid nøkkelen. Eg synest SV med fordel meir kunne støtta kommunereforma, der ein legg opp til større fagmiljø og at barnevernet kan vera ein integrert del av kommunen sitt tenestetilbod. Så sa Senterpartiet ein del om vekstkommunetilskotet, og at det var teke frå dei andre kommunane. Dette er gjort på akkurat same måten som dei andre særskilte tilskota er fordelte på. Men når det gjeld vekstkommune, er det viktig å ha med seg ein dimensjon, at kommunane får inntektene basert på ein teljedato, 1. juli året før. Innbyggarane har flytta til vekstkommunane og forventar tenester frå dag éin, medan inntektene kjem etterpå. Det er ein av grunnane til at me har styrkt vekstkommunetilskotet – nettopp for å kunna gje vekstkommunane pengar raskare enn ved inntektssystemet slik det er Representanten Stine Renate Håheim hadde ein lang tirade om talet på kommunar som hadde problem. Det eg kan seia, er at dei problema ikkje kjem av statsbudsjettet for neste år, dei må ha oppstått før, og dei er ikkje nye. For Bergen og Stavanger, som var spesielt omtalte, vil mange av problema skriva seg nettopp frå at den raud-grøne regjeringa tok vekk selskapsskatten frå kommunar, la meir vekt på rammer, mindre vekt på skatt

Men nå har vi fått en regjering som ønsker å bygge ned disse vitamininnsprøytingene. All erfaring tilsier at når kommuner må stramme inn på tjenestetilbudet sitt, går det Det vet vi. I verdens rikeste land har vi en regjering som ikke ønsker at staten lenger skal tilrettelegge for gode og profesjonelle kunst- og kulturopplevelser der folk bor eller ferdes – der dagliglivet leves. Da tenker jeg selvfølgelig på Den kulturelle spaserstokken som nå, helt eller delvis, vandrer videre med støtte fra Kristelig Folkeparti og Venstre. Jeg tenker selvsagt på Den kulturelle skolesekken, som nå er fratatt den ene sjangeren, film – eller 3 mill. kr. Og jeg snakker om kuttet til musikkutstyrsordningen som bringer musikkpenger ut til kommuner som bringer rockegitarer og musikkutstyr til bydelshus hvor ungdommer ønsker å I vår streben etter økt livskvalitet og i jakten på de gode lokalsamfunnene er det viktig å ta med seg hvilken betydning kultur har for menneskers liv – og verdsette det arbeidet som gjøres ute i Kommune-Norge framfor å kutte i det fantastiske kulturarbeidet som foregår. Jeg er nødt til å kommentere representanten Sveinung Stensland.

har fått eit godt grunnlag for å lage 2015-budsjettet, er han langt, langt frå røyndommen ein opplever på fylkestinget sitt møte i Sogn og Fjordane i dag, der er tema kutt og nedskjeringar. Eg såg på NRK si heimeside at ein skulle kutte – og bokbåten Epos har gått 50 år i fylket. Det er berre ein god million, men pengane finst ikkje. Det er kutt. Ein får ikkje gjort dei vegsatsingane ein skulle ha gjort, for pengane finst ikkje. Det er kutt. Ein får ikkje den satsinga på vidaregåande skular som ein skulle ha gjort, for det er kutt. Det er det som er Det er dårleg handverk å leggje fram ei sak som er så dårleg gjennomarbeidd frå regjeringa som det kostnadsnøklane til fylkeskommunane er. Den same representanten hevdar òg at eg i mi tid som kommunalminister trenerte forslaget om å endre kostnadsnøklane for fylkeskommunane. Det er sjølvsagt feil. Men eg nekta å leggje fram ei sak som ikkje hadde objektive kriterium for alle dei store sektorane. Dagens regjering har derimot lagt fram kostnadsnøklar som er ei saleg blanding av politikk og fag. Det har fått svært uheldige konsekvensar, ikkje minst for Sogn og Fjordane. Det er ikkje til å tru at ein folkevald frå same fylket kan forsvare noko slikt. Det er òg hevda i debatten at systemet som trekkjer innbyggjartilskottet til enkeltkommunar som får redusert arbeidsgivaravgift, er ei ordning frå dei raud-grøne si tid. Det er heller ikkje til å kjenne att. Men skjønnsramma vart naturleg nok redusert. Og ikkje nok med desse påstandane: I retningslinene til fylkesmennene om skjønnsmidlar var den delen av retningslinene som gjaldt differensiert arbeidsgivaravgift, ikkje oppdatert. Det førte til at nokre kommunar har fått dobbelttrekk. Ein har både fått trekk i skjønnsramma, og ein har fått trekk i innbyggjartilskotet til den enkelte kommune. Eller var det meininga til regjeringa at desse kommunane både skulle i innbyggjartilskotet og trekk i skjønnsramma? I så fall er det vel grunn til å spørje om det ikkje var like greitt for dei kommunane som sa nei takk til redusert arbeidsgivaravgift. Det vart vel eigentleg slik at ein kom ille ut. Når ein høyrer Høgre sine representantar frå denne talarstolen, skulle ein tru at det berre er vekstkommunane som har behov for midlar til fornying og til utvikling. Men heile landet har behov for desse midlane. Det som er synd i dag, er at me har fått ei regjering som berre ser dei største kommunane, dei største byane, og aller helst dei rikaste innbyggjarane i dei største

da på mange måter dagens fylkeskommuner har utgått på dato. Lederen for komiteen, Njåstad, var inne på revidering. Er det noe som virkelig trenger revidering, er det dagens fylkeskommunale struktur, for nettopp å være med på å skape vekst ute i regionene. Venstre er svært opptatt av det, og har også vært med og bidratt sterkt til at vi fikk til en tapskompensasjonsordning, som tilgodeser ikke minst Sogn og Fjordane, Nordland, Nord-Trøndelag, Hedmark og Troms. Troms. Det er viktig å ha med seg i dette. Samtidig er vi nødt til å stimulere til vekst, som gjør at man får bosetting. Den modellen som har vært kjørt så lenge nå, er bare med på en fraflytting, som ikke gir muligheter til vekst i de områdene. Og får vi ikke vekst, vil heller ikke ungdommene finne dette interessant. Det er jeg overrasket over at Senterpartiet ikke klarer å se i denne debatten. Så kan vi alltids diskutere om det er noe finmasking som kunne ha vært gjort annerledes, men det er definitivt slik at dagens kostnadsnøkkel, som ble vedtatt i fjor, hadde ligget ganske lenge i skuffen til den foregående kommunalministeren. Det var vel stort sett bare å trykke på på-knappen for å starte den. Da er jeg overrasket over at man fra det samme partiet er så krystallklar på at dette burde ha vært sett på en runde til, når de som utredet dette, kanskje heller burde ha brukt tid på det. det. For unntakene, som både Venstre og Kristelig Folkeparti har fått gjennomslag for nå med en utvidet tapskompensasjonsordning, mener jeg er veldig bra. Det er selvfølgelig noen interessante aspekt rundt dette med oppbygging av offentlige arbeidsplasser rundt i distriktene. Det akter Venstre å ha trykk på i den perioden som kommer. Jeg savner litt den holdningen hos Senterpartiet, at de er den som heier på og vil bidra. Muligens er det noen poeng i at en kanskje kunne ha ventet noe med farten, men jeg tror det er nødvendig nå å komme i gang med å lage større og sterkere regioner, som medfører vekst og ikke minst at ungdommene føler at det er muligheter framover, og at man ikke bare skuer bakover. Jeg vil først si at det er

I 2030 vil vi være over 6 millioner innbyggere i Norge. Dette vil legge et enormt press på boligmarkedet. Det er noe vi har vært klar over i alle år, allikevel er etterslepet stort i boligbyggingen. Ett av de store krafttakene som må tas, er nettopp å bygge mye mer og bygge mye raskere. I Norge har vi en sterk tradisjon for å eie sin egen bolig. Men når vi nå snakker om mennesker – det er det som er i fokus – la oss da også snakke om mennesker som står utenfor boligmarkedet og opplever at terskelen for å komme inn er høy. Det skyldes ofte en kombinasjon av situasjonen i markedet og situasjonen i egen privatøkonomi. Det er en offentlig oppgave å føre en sosial boligpolitikk for dem som har det vanskeligst. Vår viktigste jobb er å være til stede for dem som trenger det mest. Nettopp derfor la regjeringen fram en egen strategi for sosial boligpolitikk tidligere, og vi kan se flere spor av det arbeidet i budsjettet som er lagt Jeg er tilfreds med at regjeringen foreslår å øke maksimalgrensen for bostøtte med 1 000 kr og å øke støtten til mottakere med de høyeste boutgiftene. Videre er det fornuftig å øke inntektsgrensen for meldeplikt og etterkontroll med 45 000 kr i perioden 1. januar 2015 til 1. juli 2016. Dette vil forhindre at mottakere av uføretrygd mister retten til bostøtte når de får økt skattbar inntekt som følge av uførereformen. Videre er det i dag slik at bostøttemottakere i private boliger kan få dekket inntil 70 pst., mens mottakere av bostøtte i kommunale boliger får dekket inntil 80 pst. Dette er en diskriminering, og det forhindrer bostøttemottakere fra å flytte i private boliger. Derfor er jeg veldig glad for forslaget om at bostøtten til kommunale og private boliger nå skal jevnes ut og harmoniseres i løpet av en toårsperiode. Det er ikke usannsynlig at det norske rentenivået kan stige i det kommende budsjettår. Da blir det enda viktigere å sørge for at bostøtten fortsatt rettes mot mottakere som har behov for offentlig støtte for å skaffe eller beholde en egnet bolig. Forslaget om å skjerpe behovsprøving av bostøtte mot formuen vil bidra til en mer målrettet bruk av bostøtten for mottakere med økonomiske utfordringer. Til slutt: Altfor mange mennesker har altfor lenge stått utenfor boligmarkedet. Denne regjeringen legger nå opp til økt boligbygging og ikke minst en mer sosial boligpolitikk, noe som har vært etterlengtet av alle mennesker i dette landet.

noe jeg håper blir lagt vekt på i kommunereformen. Fylkesmennene har også overtatt ansvaret for vergemål. Dette bør styrkes for å ivareta interessene til dem som er under vergemål. Kristelig Folkeparti ser fram til tilbakemelding på hvordan dette arbeidet hos fylkesmannen nå står med hensyn til restanser, behandlingstid, kapasitet og opplæring av verger. nå åpner for forenkling. Det vil bidra til å spare både innbyggere og næringsliv for tid og kostnader. Etablering av digitale postkasser er en spennende utvikling, der søknader, henvendelser o.l. kan gå inn, likeså levering av tilbud ved offentlige anbudskonkurranser. Gode dataordninger skal sikre personvern og ivareta grunnleggende rett til skal ikke bare styres av hva som er hensiktsmessig ut fra et offentlig synspunkt. Jo tidligere personvern settes på dagsordenen, jo lettere er det å ivareta personvernhensynet. Kristelig Folkeparti mener at elektroniske systemer må være så stabile og brukervennlige at innbyggerne har tillit til ordningene og tillit til grunnleggende verdi som et krav for at de skal benytte elektronisk kommunikasjon.

ser fram til at et offentlig utvalg skal gjøre rede for hvordan ordninger og tiltak på samisk bedre kan sikre gode offentlige tjenester. Vi ser fram til at museumsbygget for Saemien Sijte blir realisert, og at neste prosjekt blir samisk nasjonalscene. Så en spesiell sak: Situasjonen for kvensk språk er alvorlig, og en større internasjonal forskningsrapport, ELDIA, konkluderer med at kvensk er et av Europas mest truede språk. Europarådet tilrår at det utarbeides et handlingsprogram for revitalisering av språket, og Kristelig Folkeparti anbefaler statsråden og regjeringen å vurdere denne saken nærmere. Kristelig Folkeparti har fremmet et eget budsjett, men under avstemningen vil vi støtte det budsjettet vi har utviklet i lag med regjeringen, som for oss har vært en styrking av vår politikk, der vi har fått fram viktige kjernesaker.

Mellom 15 og 20 pst. av barn og unge i Noreg har nedsett funksjon på grunn av psykiske vanskar. Verdas helseorganisasjon anslår at psykiske lidingar vil vera den viktigaste årsaka til sjukdomsbelastningar i vestlege land i 2020. Opptrappingsplanen for psykisk helse varte i ti år og vart avslutta i 2008, og øyremerkte midlar gjekk så inn i kommuneramma. I løpet av opptrappingsplanen skjedde det ei betydeleg opptrapping av tenestetilbodet i kommunane, men evalueringa av opptrappingsplanen viste framleis udekte behov for kommunale tenester på feltet psykisk helse. Helsedirektoratet har sidan påpeika at kommunane særleg no treng å styrkja lågterskeltilbodet til innbyggjarane, rekruttera fleire psykologar, inkludera fastlegen meir i det tverrfaglege psykiske helsearbeidet og sikra betre fagleg kvalitet i tiltaka. Det er no snart seks år sidan opptrappingsplanen vart avslutta. Senterpartiet har desse åra følgt utviklinga i kommunesektoren nøye på dette området. Ifølgje SINTEFs rapport hausten 2013 auka årsverkinnsatsen i kommunalt psykisk helsearbeid sterkt gjennom opptrappingsplanen, men det har ikkje vore vekst i kommunane på dette området sidan 2007. Når utviklinga i spesialisthelsetenesta samtidig går i retning av kortare døgnopphald, sterk auking i poliklinisk behandling og meir ambulant verksemd, betyr det at pasientar vert raskare skrivne ut frå sjukehus, utan at kommunane brukar fleire årsverk til kommunalt psykisk helsearbeid. Senterpartiet er sterkt bekymra for regjeringa sin manglande vilje til å satsa på psykisk helsearbeid i kommunane. Det er svært alvorleg at nedbygging av døgnplassar i psykisk helsevern skjer utan at kommunane byggjer opp tilsvarande tilbod lokalt. Dette går ut over pasientane. Regjeringa sine lovnader om at psykisk helsearbeid i kommunane skal styrkjast, er langt frå forpliktande nok. Senterpartiet har fremja forslag om ein femårig kommunal opptrappingsplan for psykisk helse. I Senterpartiet sitt alternative statsbudsjett prioriterer vi 400 mill. kr med øyremerkte midlar til ein slik kommunal opptrappingsplan i 2015. I tillegg til dette føreslår vi 200 mill. kr meir til skulehelsetenesta enn det regjeringa føreslo. Samtidig fremjar vi forslag om ein stopp i spesialisthelsetenesta si nedbygging av døgnplassar i psykiatrien, iallfall inntil tilbodet i kommunane er styrkt gjennom ein ny opptrappingsplan. Dessverre registrerer vi at regjeringa og samarbeidspartia vil ha ein opptrappingsplan når det gjeld rus, men stemmer imot forslag om ein ny opptrappingsplan for

å kunne tenke seg konsekvensene av en sånn måte å forvalte kommunenes økonomi på. Det er helt opplagt regjeringen og kommunalminister Jan Tore Sanner som må ta ansvaret for situasjonen. Ingen andre kan ta ansvaret ut fra det som nå foreligger av konsekvenser. Det er forsøkt rettet opp i innstillingen, og komitéleder Njåstad sammen med en lokal fremskrittspartirepresentant fra Telemark

foretatt dobbelttrekk i forbindelse med omleggingen av arbeidsgiveravgiften, eller vil de ikke gjøre noe? Leker han budsjett, eller forholder han seg til virkelige tall og virkelige mennesker som lever i disse kommunene? Det ville være veldig greit å få oppklart dette i løpet av debatten. Hvis det er sånn at han garanterer for det, synes jeg det er noe merkelig at de ikke kan stemme for et forslag som er fremmet av Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti som sier at Stortinget ber regjeringen sikre at de nye kommunene som har fått lavere arbeidsgiveravgift ikke får inntektstap som følge av dette. For det må stå til troende, det som blir sagt i denne sal, det som blir skrevet i komitémerknader, og det som blir uttalt til media. Så langt er det veldig langt fra komitéinnstillingen og til virkeligheten der ute. Dette må det, på bakgrunn av det som ligger i denne saken, ryddes opp i i løpet av denne debatten. Jeg forventer at det ryddes opp og at både komitéleder Njåstad og kommunalminister Sanner kommenterer det faktum at det er foretatt dobbelttrekk som ikke er kompensert, dessverre. Det handler om mennesker, 13 000 i så måte for Telemark. 000 i så måte for Telemark. Det har vært interessant å følge med i budsjettbehandlingen i kommuner og fylkeskommuner landet rundt i høst. Det har også vært interessant å høre på debatten. Det som er et gjennomgangstema i mange av de artiklene jeg har lest, er at det varsles store velferdskutt i hele landet. Både i skole, eldreomsorg, helse, barnevern

og det betyr ganske store kutt i skoletilbudet i det lange fylket Nordland. Jeg vet godt at kommunalministeren er klar over det, for økonomiråden, fra samme parti, i Nordland har gjort klart hvordan situasjonen er. Det varsles at mye av det som man skal tenke på når det gjelder regionalpolitikk, skal være fylkesveier. Men hvordan skal en fylkeskommune som er belånt

Et annet tema som opptar meg, og som det er snakket om med mange positive ord fra Stortingets talerstol, er digitalisering. Det er vel og bra, men når langt fra alle har et tilstrekkelig tilbud i dag, er det ganske merkelig at man kutter i den posten som skal bidra til at man får bygd ut bedre bredbåndsløsninger i hele landet. Nå skal rett være rett – jeg er positiv til at Kristelig Folkeparti og Venstre klarte å tilføre posten mer midler, men det er langt fra det behovet som vi ser er, hvis man skal ha de ambisjonene for digitalisering som jeg registrerer at regjeringen har. Fine ord er ikke nok. Man snakker varmt om å ruste oss for framtiden, men så langt har jeg bare sett at det betyr sentralisering og skattekutt til dem som har mest fra før.

og så sitter man altså i regjering og ikke gjør noe med det, men lar det bare skli – med den følge at vi nå får en regjering som faktisk rydder opp, som sørger for at de kriteriene som gjelder for inntektssystemet i fylkeskommunene, gradvis reguleres slik at det står i forhold til den befolkningen man skal tjene. ikke liker kriteriene for et inntektssystem når man sitter som statsråd – som kommunalminister – hvem i all verden ellers skulle gjøre noe med det enn nettopp den som er i posisjon til å gjøre noe med det? La meg også ta en visitt til representanten Håheim fra Arbeiderpartiet, som nevner en rekke norske byer som nå driver og kutter i velferdstjenestene. Og hun fylke. Er det slik at Arbeiderpartiet nå har gått vekk fra at man skal sette tæring etter næring, så vil jeg gjerne vite det. I Halden overtok Høyre, sammen med samarbeidspartier, kommuneledelsen i 2011. Gradvis dukket det ene 10-millionersunderskuddet etter det andre opp, helt til man kom godt over 100 mill. kr i minus som ingen visste om. Rydde opp, kaller jeg det At det fører til at man må sette tæring etter næring og justere den offentlige virksomheten, kaller jeg politisk lederskap. Det har man sviktet på i flere runder gjennom flere perioder i Halden, som jeg kjenner særlig godt. Det smerter. Utgangspunktet for dagens kommuneledelse er at de lovpålagte tjenestene innenfor skole, helse osv. skal oppfylles, men det betyr ikke at man kan frasi seg det politiske lederskapet, se på organisering, struktur, bemanning, kompetanse og en rasjonell drift av kommunen. Det er fellesskapets midler, og la meg da ikke snakke mer om millioner, for dette handler om de tjenestene som innbyggerne skal ha, og som de med sikkerhet skal ha, også neste år. Det skal ikke være sånn at det kommer som julekvelden på kjerringa for en ny politisk ledelse, som jeg håper blir den samme når valgkampen er over i 2015.

Kommuner flest er utrolig flinke til å husholdere med pengene og få til gode resultater med de rammene de har. Historien om kommunene i nyere tid er jo også historier om kommuner som har evnet å løse stadig nye oppgaver. Så har debatten vist at regjeringspartiene og opposisjonen er grunnleggende uenige om veivalg og prioriteringer. Høyre og Fremskrittspartiet prioriterer skattekutt for de rikeste. Arbeiderpartiet og de øvrige opposisjonspartiene prioriterer kommuneøkonomi for å satse på skole, omsorg, helse og barnehager, og for å ruste Norge for Så har jeg merket meg at det ikke bare er uenighet om prioriteringer og veivalg, men også om virkelighetsbeskrivelsen, for Høyre og Fremskrittspartiet holder faktisk fast på at neste års budsjett er en historisk satsing på skole og samferdsel i kommunene, samtidig som den ene kommunen etter den andre og den ene fylkeskommunen etter den andre melder om kutt, og gjerne på de samme områdene som Høyre og Fremskrittspartiet sier det kommer til å bli mer av til neste år. At kommunalministeren avfeier opposisjonen med karakteristikker tyder vel først og fremst på at han begynner å bli fri for argumenter. Det overrasker meg ikke. Men det er overraskende at en statsråd i en mindretallsregjering er så lite lyttende til de signalene som kommer fra Kommune-Norge, fra arbeidstakerorganisasjoner og en gruppe som Foreldreutvalget for grunnopplæringen, for å nevne noen. Jeg synes også det er synd at vi så langt ikke har fått avklart om det er Fremskrittspartiets, Kristelig Folkepartis og Venstres holdning til inntektsgrunnlaget i DA-kommunene som gjelder for neste år, eller om det er kommunalministerens i grunnen avfeiing av at dette i det

gangen. Vi opplevde med Jern-Erna ved kommuneroret at Kommune-Norge ble stadig fattigere, og den private velstanden økte. Så fikk vi et taktomslag i 2005 da vi fikk en ny regjering. Det merket kommunestyrer landet over. Nå er det Kommune-Norge merker at det har blitt blå-blått styre, kommunalminister Sanner viderefører der Jern-Erna måtte slippe i 2005. Nå opplever dagens kommunestyrer og ordførere det samme vi som ordførere opplevde i 2003–2005 – vi som var det. Kuttforslagene florerte, og det var lite penger til satsing på næringsutvikling, skole og omsorg. Det var kutt som gjaldt da Erna Solberg var kommunalminister, det er kutt som gjelder når Jan Tore Sanner er kommunalminister. Er det tilfeldig? Nei, det er ikke det. Det er politiske prioriteringer. Det er forskjell på den rød-grønne kommuneøkonomien kontra den blå-blå regjeringens Under denne regjeringen prioriteres privat velstand framfor penger til kommunene, på samme måte som vi opplevde det før 2005. Det er

kroner, er da plutselig et kuttbudsjett. Når vi faktisk øker bevilgningene i forhold til det de rød-grønne sto for, da er det et kuttbudsjett, mens det de rød-grønne sto for, det var påplussinger. Da var det gylne tider. Det er jo ingen som kjenner seg igjen i den virkelighetsbeskrivelsen, heller ikke norske ordførere og kommunestyrer. Man vet at man har måttet prioritere, og at det har vært omstillinger og effektiviseringer i norske kommuner også under de rød-grønne. Vi har referert til rådmannsundersøkelsen fra KS tidligere i dag som viser at man har omtrent de samme utfordringene med å snekre sammen neste års budsjett som man hadde de siste årene under de rød-grønne. Poenget er at jeg tror ikke Arbeiderpartiets forsøk på å gjøre dette til en bevilgningskonkurranse har noe særlig for seg. Men det er riktig som flere har vært inne på, at det å prioritere i politikken handler om flere ting. Så er det sånn at Arbeiderpartiet kritiserer oss for å ønske lavere skatter for

hvorfor det er en god idé, og hvordan det bidrar til å styrke norsk næringsliv og det næringslivet vi trenger rundt omkring i landet, for å sikre inntekter til velferdsordningene våre. Bergen og Stavanger har også vært framme i debatten i dag. Under den rød-grønne regjeringen fjernet man den andelen av selskapsskatten som gikk til norske kommuner, og det den rød-grønne regjeringen fjernet man den andelen av selskapsskatten som gikk til norske kommuner, og det rammet Bergen og Stavanger. Man har redusert andelen av kommunenes inntekter som kommer fra skatt. Det har også rammet Bergen og Stavanger hardt. Kan Arbeiderpartiet fortelle meg hvor mange millioner kroner Bergen og Stavanger tapte på de endringene? For det er åpenbart at Arbeiderpartiet går rundt med dårlig samvittighet. Og hvis det er sånn at man synes at den politikken var feil, kan man like gjerne si det og innrømme at det bør være lenge til neste gang Arbeiderpartiet lar Kommunal- og moderniseringsdepartementet styres av Senterpartiet og deres holdninger til storbyene. Representanten Lauvås fortalde at han har vore ordførar under fleire kommunalministrar. Det har eg òg, og eg må ærleg innrømma at eg merka ikkje så stor forskjell på om det var Erna Solberg eller nokon av dei Men eg registrerer at min etterfølgjar i Austevoll merkar stor forskjell på Jan Tore Sanner, for når ho set opp budsjett for neste år, så er det pengar til overs. No er ikkje den kommunen ein kommune som har vekstkommunetilskot, det er rett og slett fordi alle kommunar får meir. Så med mindre ein har prioritert annleis, er det pengar til overs til å gjera gode prioriteringar. Representanten Terje Aasland drog seg opp til dei store høgder når det gjeld kva eg har sagt knytt til ei sak. Hadde han vore til stades i heile debatten, hadde han registrert at det har vore omtala og debattert tidlegare i dag. Det er heller ikkje sånn, som representanten Helga Pedersen seier, at dei fire borgarlege partia har ulikt syn. Her er det ein fleirtalsmerknad frå Høgre, Framstegspartiet, Kristeleg Folkeparti og Venstre som seier at fylkesmennene skal handtera dette på ein smidigare måte. Viss ein hadde høyrt etter, sa ministeren at han vil følgja opp den fleirtalsmerknaden, så det trengs ikkje noka avklaring, det har allereie ministeren gjort.

eksempel på hvilke kommuner det er hun sikter til, hvilke kommuner det er vi har flyttet statlige arbeidsplasser til som verken har folk eller vei. Hvis vi skal følge regjeringspartienes politikk fram til 2017, vil det iallfall bli flere kommuner uten folk. Det legges det i hvert fall opp til. Det har vært en veldig forutsigbar debatt, der regjeringspartiene har unnlatt å nevne at de prioriterer skattelette framfor kommunene. Veksten er på samme nivå som tidligere, sier de. Ja, men det betyr ikke at det er like enkelt å få i hop et budsjett. Hvis man går inn med 2,1 mrd. kr, eller kanskje 3 mrd. kr, i skattesvikt fra i år, er det betraktelig hardere å ta inn det enn det er når man får beholde skatteøkningen som man har fått de foregående årene. Jeg lurer av og til på om det er noen fra regjeringspartiene som har lest lokale og regionale aviser den siste Det er umulig å åpne en avis – i Trøndelag i hvert fall – uten at man ser noen som har store problemer med å få i hop kommunebudsjettet, oppsigelser i skolesektoren, oppsigelser i omsorgssektoren, osv. Vi har blitt beskyldt for at vi ikke er for vekstkommunetilskuddet. Det stemmer ikke, Senterpartiet kommer til å stemme for å innføre vekstkommunetilskuddet. Men vi vil ikke gjøre det på bekostning av de kommunene som ikke har folketallsvekst, vi vil gjøre det på toppen, altså kompensere for den summen og øke rammen. Venstre var innom dette med utflytting av statlige arbeidsplasser og var bekymret for framdriften. Til det er det å si at Venstre hadde hatt betraktelig større gjennomslag for sitt Dokument 8-forslag om utflytting av 1 000 arbeidsplasser hvis de hadde stemt for det selv i salen her i juni. Frivillighet er et begrep som har vært mye framme her i dag. Større selvråderett til de lokale politikerne i større kommuner, blir det sagt, men de unnlater å nevne at KS i Danmark var veldig tydelige på at den sentrale, statlige styringen ble mye sterkere da det ble større og færre kommuner. Regionale utviklingsmidler har ikke hatt noen virkning. Faktum er vel at sentraliseringen, altså innpendlingen til byene, langt på vei ble stoppet under den rød-grønne regjeringen, men folketallsveksten som kom av utenlandsk innvandring, har vært i byene. Derfor er folketallsøkningen i byene større enn den er i distriktskommunene, men alle kommuner har hatt økning. Til slutt vil jeg varsle at Senterpartiet oppfordringen fra SV på alvor om å se en gang til på forslag nr. 30, fra SV, og kommer til å stemme for det. Det var representanten Mudassar Kapur som fikk meg til å ta ordet. Vi i Arbeiderpartiet er helt enig i at vi må bygge flere boliger. På nrk.no i dag er det lagt fram ny boligstatistikk som sier at vi kanskje trenger så mye som 37 000 nye boliger, men vi styrer mot 25 000 nye boliger. Kristin Skogen Lund sier til NRK at risikoen for en boligboble øker hvis ikke boligbyggingen skyter fart. Det understreker behovet for å gjøre noen store grep. Derfor synes jeg det er svært underlig at man i den perioden vi nå er inne i, svekker Husbanken. Det var et entydig signal fra høringen i kommunal- og forvaltningskomiteen om at Husbanken må styrkes. Det følger også Arbeiderpartiet opp. Det er også underlig at man bare finner å sette av 70 mill. kr til bymiljøavtaler, som skal sørge for at man ser bolig og transport i sammenheng. Arbeiderpartiet foreslår 1 mrd. kr mer enn regjeringen. Så er det fint med en Så er det fint med en boligsosial strategi. Vi i Arbeiderpartiet synes på mange måter den var ganske god – noe av grunnlaget ble vel også lagt under rød-grønn regjering – men det er klart at man må følge opp en strategi med tiltak og bevilgninger. Jeg må innrømme at jeg er dypt bekymret når vi nå hører at stadig flere faller ut av bostøtteordningen, og noe av grunnen til det er at en liten økning i trygd eller inntekt gjør at man bare faller rett ut av Derfor har Arbeiderpartiet sammen med Senterpartiet og SV fremmet forslag om at regjeringen må komme tilbake i revidert med forslag om at inntektsgrensene justeres i takt med de generelle økningene i lønn og trygd. Det er på den måten vi sikrer oss at de som trenger bostøtten, også i framtiden skal få det. Så kan jeg ikke med min beste vilje skjønne at det er veldig sosialt at leietakere i kommunale boliger skal få mindre bostøtte – for det er jo det regjeringen legger opp til. Samtidig kuttes det i Husbankens boligsosiale kompetansetilskudd. Dette tilskuddet går til at kommunene skal ha mulighet til å drive boligsosialt arbeid. Leieboerforeningen melder nå at de frykter for driftstilskuddet sitt. Arbeiderpartiet mener det er viktig med sterke organisasjoner som også representerer leietakerne. Vi har reversert kuttet. Så ser vi også at det foreslås kutt i tilskuddet til tilpasning av bolig. Mennesker som havner i ulykker eller blir syke, og som trenger hjelp av fellesskapet for å tilrettelegge boligen, får nå et kutt av denne regjeringen. Det skjer samtidig som regjeringen ønsker å svekke kravene til tilgjengelighet til boligene. Dette er alt annet enn en sosial boligpolitikk. Jeg hadde forventet, når regjeringen legger fram en offensiv strategi, at det også følges opp med bevilgninger, tiltak og nye, friske penger. Dessverre ser vi nå mange smålige kutt. Arbeiderpartiet kommer til å følge med fram til revidert, og jeg håper og ber innstendig om at Kristelig Folkeparti og Venstre også følger utviklingen nøye. Jeg er

godt. Jeg kjenner også til oppropene som var før de rød-grønne, og for så vidt under de rød-grønne, og det som skjer i dag. Så å prøve å fortelle en annen historie i dag, kan man gjerne gjøre, men virkeligheten er noe annet. Man behøver ikke gå lenger enn å slå opp i avisene eller søke på nettet for å se det. Min egen kommune har sittet i budsjettforhandlinger i dag. Det er ikke for å plusse på budsjettet de har sittet der i dag – de har måttet kutte i budsjettet. Nabokommunen min, Rana kommune, som også er en Høyre-styrt kommune, holder også på med et budsjett med store utfordringer. Der er det heller ikke påplussinger de diskuterer, det er kutt. Vi kan gå til Bodø kommune, som også er Høyre-styrt. Det er ikke sikkert de roper så høyt, men jeg vet at debattene går høyt i salen, for der driver de også med kutt. Sånn kan vi gå videre. Vi kan ta med enda en storkommune fra mitt fylke, Narvik – det er akkurat det samme. Så å prøve å fortelle historier om at det ser så veldig bra ut ute i kommunene – det kan vi tro når vi står her i salen. Men de har store utfordringer med å få budsjettene i hop for 2015. Når vi da i tillegg ikke vil gjøre det sånn at de kan gå inn i nyåret, inn i jula, med å ha ryddet opp i budsjettet for 2014, blir det ikke noe enklere. For de samme kommunene som jeg nevnte, er det store beløp er snakk om. I Rana kommune kan det dreie seg om så mye som 12–15 mill. kr, i Bodø kommune kanskje rundt 25 mill. kr, for min egen kommune kanskje rundt 3 mill. kr. Dette er regninger de må dekke før de starter å gi tilbudet i 2015. Jeg vil ha meg frabedt fra representanten Trellevik at jeg ikke vet hva det dreier seg om, for det gjør jeg. jeg. Jeg var ordfører i Hemnes mens det var rød-grønt, og jeg var det før den tid, og jeg husker veldig godt Erna som kommunalminister. Det vil jeg ikke ha tilbake. Det er det som er utfordringen nå. Jeg lurer på om Høyre avslørte seg i det samme innlegget ved Trellevik, for han begynte å snakke om kommunestrukturen og kommunestørrelsene.

gjekk gale i byen, og særleg skulda dei på Senterpartiet som sat og styrte Kommunaldepartementet. Så eg er kjend med den kritikken som har kome her i dag. Den som fekk meg til å ta ordet, var representanten Frank J. Jenssen, som sa noko slikt som at Arbeidarpartiet måtte vera glad for å verta kvitt Senterpartiet i Kommunaldepartementet, og særleg vart Bergen og Stavanger brukte som eksempel på kor mykje betre det gjekk utan oss. Eg veit at Senterpartiet si kommuneramme ville betydd 114 mill. kr meir, dersom eg hugsar riktig, til Bergen i forhold til regjeringa sitt

at ein kan vera litt etterretteleg når ein snakkar om storbyane og kva som skjedde då Senterpartiet styrte. Med vårt opplegg vert det meir til Bergen. Når det gjeld Bergen, trur eg at dersom vårt opplegg hadde vorte vedtatt,

Det var mi tilbakemelding i høve til det ein seier når ein snakkar om storbyane sin økonomi under denne regjeringa og den førre

Arbeiderpartiet har lagt 1 mrd. kr på bordet til kollektivsatsing. Dette var også oppe i en debatt for noen dager siden om miljøvennlig boligpolitikk. Da sa jeg at da vi foreslo 50 pst. finansiering av store kollektivsatsinger, stemte de rød-grønne det ned. Nå lanserer de lovnader om 70 pst. mer i finansiering, og de legger 1 mrd. på bordet – hvorfor skal vi tro på disse Dette holder ikke mål. Men da fikk jeg beskjed om følgende: Jeg hadde ikke lov til å si det, for nå måtte vi se framover. Jeg ser framover, jeg leser hva som står i merknadene, og jeg kan ikke tro på det. Jeg kan ikke se framover uten å se bakover, på de åtte årene vi har hatt med et rent rød-grønt flertall, og hva man ikke leverte i den perioden. Så til en annen ting. Dette med historiefortelling er litt viktig for Arbeiderpartiet, men det må ikke bli feil. Som god Høyre-mann skal jeg ikke si at de ikke snakker sant, men jeg synes i hvert fall at jeg kan kreve at de skal være rimelige. Det gis inntrykk av fra arbeiderpartihold, både i mediene og i merknadene, at denne regjeringen ikke ønsker å satse i Groruddalen. Faktum er at statens støtte har variert fra år til år når det gjelder Og hva gjorde Arbeiderpartiet da de selv satt i regjering? – og dette er litt greit å få med seg: I stortingsvalgåret 2009 gikk støtten opp, fra 120 til 131 mill. kr. I mellomvalgåret 2010 gikk støtten ned, til 124 mill. kr i året. Vi foreslår over 100 mill. kr til den satsingen. Det er dobbelt så mye som regjeringen er forpliktet til. så mye som regjeringen er forpliktet til. Så vi holder hva vi lover, helt uavhengig av valgår eller ikke valgår. Så må det være lov å si at etter ti år med satsing er det naturlig, logisk og godt for Groruddalen at vi tenker at de neste ti årene ikke nødvendigvis skal være en kopi av de forrige ti. Vi skal satse i hele byen, i mange kommuner – ja, i alle kommuner, vil jeg si – men det å påstå at vi ønsker å evaluere groruddalsatsingen før vi går videre, ikke er å satse på Groruddalen, er feil. Representanten Geir S. Toskedal har hatt ordet to ganger tidligere og får ordet til en kort merknad, begrenset til 1 minutt. Mot slutten av debatten trekker jeg fram at opposisjonen har vært relativt forutsigbar i sin retorikk: Det er kutt, for lite penger, feil prioriteringer, osv. – i et av verdens rikeste land. Jeg har vært med og loset igjennom i posisjon over 30 budsjetter i kommuner og fylkeskommune. Det har alltid vært for lite penger. Det vil alltid bli for lite penger. Fordeling av knappe goder er en del av politikkens vesen. Slik vil det være. Og dette har vært i samarbeid med både Høyre, Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet. Men opposisjonen har rett når de sier at det har vært et skifte i retning – ja, det er klart. Stortinget representerer folket i demokratiske valg. Folket valgte et skifte. Vi i Kristelig Folkeparti sa vi skulle bidra til et skifte. For Kristelig Folkeparti har det betydd betydelige gjennomslag i viktige verdisaker utover budsjettet, noe som vi ikke så snurten av i rød-grønn periode. Lødemel har hatt ordet to ganger tidligere og får ordet til en kort merknad, begrenset til 1 minutt. Grunnen til at eg tek ordet, er representanten Navarsetes innlegg. Når det gjeld det fylkeskommunale inntektssystemet, har det kome klårt fram i rundane i denne debatten at den raud-grøne regjeringa hadde tilstrekkeleg med opplysningar til å gjennomføre eit nytt inntektssystem for fylkeskommunane – som dei hadde varsla i mange statsbudsjett men dei gjennomførte det ikkje. Det kallar eg ansvarsfråskriving. Så viser Navarsete til budsjetta til Sogn og Fjordane fylkeskommune og vanskar med budsjettet i år. Sogn og Fjordane fylkeskommune får auka løyvinga til fylkesvegar – frå 30 mill. kr under det raud-grøne styret til 72 mill kr. Vi får nye løyvingar til tunnelsikring på 65 mill. kr, og vi får ei rentekompensasjonsordning som svarar til ei investering på 116 mill. kr. Det er tidenes satsing på

av statlig virksomhet. Vi har – med utgangspunkt i vår regjering – tatt hensyn til at det kan være både distrikter og tettsteder, kalt byer og bo- og arbeidsregioner, mens Senterpartiet ikke hadde med dette. Mitt poeng er at vi tar hele landet i bruk – både distrikt, by og bo- og arbeidsregion – i motsetning til det Senterpartiet gjorde, når de bare forbeholdt dette for det som skulle være distrikt.

Det skjønner jeg ikke. Samtidig vil jeg komme med en kort kommentar til representanten Greni, som mener at dette er sentralisering. Nei, det er det ikke. Det er for å gi muligheter til hele landet – og nettopp det.

så den voldsomme kritikken må være en kritikk av egen rød-grønn regjering. Jeg har sagt at vi kommer til å følge opp merknaden fra de borgerlige partiene, og det kan jeg gjerne gjenta nå. Helga Pedersen tok opp spørsmålet om økt kompetanse i kommunene. Det er også regjeringen veldig opptatt av, og derfor trapper vi opp kompetansehevingen i barnehage, i skole og innenfor pleie og omsorg. Jeg har også drøftet dette spørsmålet med de fire hovedsammenslutningene Jeg registrerer at Heidi Greni har lest i Trønder-Avisa at det ble mange kutt i kommunene i Trøndelag. La meg da minne om hva som sto i Trønder-Avisa 9. oktober 2012. Da sto senterpartiordførere fra Leka, Fosnes og Snåsa frem og sa at de følte seg sviktet blant fylkets kommuner. Senterpartiordføreren i Leka sa: «Vi ligger allerede an til et underskudd på en halv million inneværende år. Hvis vi nå kommer dårlig ut sammenlignet med resten av landet vil det tvinge oss til nedskjæringer», sa Leka-ordfører Per Helge Johansen og la til: «Slike kommuner har ikke livets rett.» Dette var under rød-grønt styre. Og slik kan vi med sitater gjennom åtte rød-grønne år – på samme måte som at de rød-grønne nå kan komme med mange sitater fra ordførere fra land og strand rundt. Men jeg tror vi står oss på å forholde oss til realitetene. Det hevdes fra representanten Lauvås at det er så stor forskjell fra rød-grønt til borgerlig styre. Vel, veksten i inntektene for kommunene er den samme under borgerlig styre som den var under de siste årene med rød-grønt styre. Den store forskjellen er hvordan Arbeiderpartiet endrer seg når partiet går fra posisjon til opposisjon. Det er den store forskjellen. Når Arbeiderpartiet kommer i opposisjon, har man plutselig La meg da minne om hva Liv Signe Navarsete sa til Aftenposten 22. oktober 2014: Hun sa at hun måtte kjempe for å få opp rammene til kommunene. De hadde tunge kamper for å få på plass kommunerammen i samarbeidet med Arbeiderpartiet. Hvis man i hvert fall lytter til Liv Signe Navarsete, var det ikke Arbeiderpartiet som var pådriveren for bedre kommuneøkonomi de forrige åtte årene. Og i de siste 6–7 årene var veksten i kommunenes inntekter nøyaktig den samme som vi legger til grunn for 2015.

Men når forsvaret for det kommuneopplegget man legger opp til for neste år, er at det har vært ille før, og derfor er det ikke så farlig at det også må kuttes til neste år, synes jeg ikke det er et godt forsvar. Man tar ikke innover seg de rapportene vi så i forrige uke, knyttet til brudd på menneskerettighetene for eldre, som også er en del av dette bildet, og som selvfølgelig ikke har oppstått i år. Men hvis vi skal være nøkterne og nyanserte, må vi ta med oss også det, og da er det litt krevende, synes jeg, å stå her på denne talerstolen en uke etterpå og si at dette er et fantastisk godt opplegg. Det er skattesvikt for inneværende år. Det er en regning som er ubetalt, og som kommunene må betale til neste år. Det må trekkes fra den veksten som de borgerlige skryter så voldsomt av. Den økonomiske utviklingen er avtagende. Det betyr også at skatteinntektene går ned. Det er sannsynlig at det blir lavere skatteinntekter neste år. Alt dette er argumenter for et solid kommuneopplegg. Når statsråden beskylder

Det er de pengene vi velger å bruke på Kommune-Norge, det er de pengene vi velger å gjøre disponible for kommunepolitikerne til å satse på skole, barnehage og eldreomsorg. Dette er ikke luftmilliarder. Dette er et uttrykk for politisk prioritering – en annen politisk prioritering enn statsråden legger opp til. Det er ikke sånn at Arbeiderpartiet er imot inntektssystemet. Vi er for inntektssystemet. Vi er sterke tilhengere av rammetilskudd, fordi det er økonomisk effektivt. Det er å legge grunnlaget for – forutsatt at rammene er gode nok – lokaldemokrati og regionalt demokrati. Vi reviderte kommunenes inntektssystem i 2010. Det var også en tøff kamp. Jeg vil bare minne om Høyre var imot å innlemme barnehagene i det systemet, så man må ta med seg hele historien når man skal drive historiebeskrivelse. Vi er imot deler av dette inntektssystemet, men vi gjorde ikke noe med det da vi satt i posisjon, fordi vi mener at grunnlaget er for dårlig. Dataene er for dårlige, og det opplegget man legger opp til, er ikke et objektivt system. Det er et system som er basert på politiske valg, der noen blir veldig hardt rammet. Med vårt alternative opplegg kan man kompensere for dem som kommer dårligst ut, hvis vi får gjennomslag for vårt primære standpunkt. Men med vårt kommuneopplegg vil alle, også Rogaland fylke, få mer penger til neste år. Representanten Stein Erik Lauvås har hatt ordet to ganger tidligere og får ordet til en kort merknad,

For øvrig er det interessant å merke seg at dagens representanter for regjeringen heller vil snakke om den rød-grønne regjeringens politikk enn sin egen. Det vitner ikke om noen særlig tro på egen regjerings kraft og styrke. Representanten Heidi Greni har hatt ordet to ganger tidligere og får ordet til en kort merknad,

Finnes det eksempel på én kommune som Senterpartiet har flyttet statlige arbeidsplasser til, som er en kommune uten folk og vei, for å bruke Schous eget uttrykk? Jeg merker meg at kommunalministeren liker å sitere. Jeg tar fram et sitat jeg også, fra Ibsen: «Troll, vær deg selv – nok!». Jeg tror nok mange politikere i min egen hjemby og i Ibsens fødeby tenker som så – «Troll, vær deg selv – nok!» – i disse budsjettider. Jeg skal ikke legge mer i det, for jeg har lyst til å ha svar på det jeg tok ordet for opprinnelig. Det er flott at kommunalministeren vil følge opp merknaden. Hvilke forpliktelser ligger i det? Det er en merknad som er ganske utydelig, for det står: «Flertallet ber regjeringen påse at fylkesmennene ikke foretar endringer som medfører stor reduksjon i skjønnstilskuddet». Kan kommunalministeren utdype litt hva han mener, og kan kommunalministeren også si litt mer om hva som menes med å videreføre praksis? Det har ikke vært praksis tidligere at en har trukket både i rammen og i skjønnsmidlene. Dobbelt trekk har ikke vært normalt, så det blir jo litt merkelig at kommunalministeren inntar den holdningen. At det har vært trukket i skjønnsmidlene etter omlegginger – ja, det er riktig, men det har ikke vært dobbelttrekk. Og hva vil kommunalministeren gjøre med hensyn til de kommunene som har fått dobbelttrekk på grunn av omlegging av arbeidsgiveravgiften, når de nå sitter og behandler sine budsjetter? Vil kommunalministeren allerede i morgen påse at fylkesmennene klarer å matche trekket i rammen med skjønnsmidler? Kan kommunalministeren garantere for det? Hvis han ikke klarer å garantere for det, Så vi trenger en avklaring på det, og da ber jeg innstendig om at kommunalministeren garanterer for at han følger det opp, og spesielt kanskje i de tilfellene hvor fylkesmannen selv sier at det ikke er flere midler igjen. Vil da kommunalministeren f.eks. gjøre som man sier i merknaden fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti, bruke muligheten til om

Oslo får 303 mill. kr meir med vår modell, Trondheim 79 mill. kr meir og Stavanger 64 mill. kr meir. Det viser at då Senterpartiet forsvann frå regjeringa, frå Kommunaldepartementet, vart det forverring i økonomien for storbykommunane i Noreg.
Neste replikk er fra Karin Andersen

til å styrke barnevernet med øremerkede midler – ut over det regjeringen gjør. Det mener vi er viktig, slik at ungene og familiene kan få hjelp når de trenger det, og at det er ansatte der. Jeg har snakket med veldig mange av de ungene som har vært i barnevernet, og de har sagt at de trenger en skolehelsetjeneste, fordi det er dit de tør å gå når de har problemer. Derfor har vi i vårt opplegg, av det handlingsrommet som regjeringen har brukt til å gi skatteletter, bevilget og brukt nesten 400 mill. kr på å sikre at det skal bli skolehelsetjeneste, slik at alle unger har noen å gå til. Det er det dette handler om! Og for oss er det utrolig mye viktigere og riktigere å bruke pengene på den måten. Så vi bruker det handlingsrommet som vi nå har, til å styrke disse viktige tingene. Vi styrker også skolen. Det er et gammelt kinesisk ordtak som sier at den som fyller hodet og ikke lommene, kan ikke bli ranet. Det er utrolig riktig. Hvis vi klarer å gi alle ungene våre tru på seg sjøl, ikke bare faktakunnskap, men også tru på at de kan mestre

I dag har OECD-rapporten kommet – og OECD er som kjent ikke noe underbruk av SV – som sier at dette er riktig: Dess mer vi deler, dess mer vi bruker på felles velferd, på skole, på barnehage og på å skaffe folk noe å leve av, dess mer økonomisk vellykket blir hele samfunnet. Det blir bedre for alle! Derfor mener vi at regjeringen har gjort et totalt

for kva arbeid som vert gjort her, men det hadde nok betydning den gongen eg sat i eit anna system i åtte år og skulle styre. Då var det godt å ha med seg det at ein hadde lagt kommunebudsjett i nokre år. Det har vore sagt av fleire frå Høgre at i arbeidet med inntektssystemet hadde ein gode nok opplysningar, tilstrekkeleg med opplysningar, og at me dreiv med ansvarsfråskriving. Nei, me hadde ikkje tilstrekkeleg godt underlag, og det hadde heller ikkje denne regjeringa.

Kva har ein gjort no? Eg nemnde bokbåten, som har gått i 51 år – han vert kutta. Talet på medlemmar i fylkestinget er kutta. 900 000 kr til lag og organisasjonar er kutta. Olden–Innvik, som representanten Bjørn Lødemel skulle vere særdeles oppteken av, er teken ut, 400 mill. kr. Det er ingen bruk av rentekompensasjonsmidlar i økonomiplanen for Sogn og Fjordane fylkeskommune i nokon av dei åra ein har lagt plan for, for ein har ikkje råd til å betale avdrag. Og så står Høgre sin representant frå det same fylket og skryter av kor flott rentekompensasjonsordninga er. Det hjelper vel lite å få ei pakke når ein ikkje har råd til å betale for å løyse ut pakka på Posten. Det har altså ikkje Sogn og Fjordane fylke per i dag. Den pakka må dei sende i retur til Høgre i regjering og seie takk, det var hyggeleg, men vi har ikkje råd til å ta ho imot, for me har ikkje råd til å betale avdrag med det håplause budsjettet de har lagt for oss. Eg ynskjer meg litt litt lågare sigarføring og litt meir audmjukskap for den jobben som må gjerast lokalt av dei som faktisk sit lokalt og må gjere jobben med å kutte i sine budsjett. Eg trur dei opplever det som vert sagt her, som ganske provoserande, ifølgje telefonar eg har fått i ettermiddag.

Så er det hyggelig at Toppe har omsorg for storbyene. Jeg tror både Bergen, Stavanger og andre hadde satt pris på den samme omsorgen den gangen Senterpartiet kuttet ut at kommunene kunne få en andel av selskapsskatten, den dagen man reduserte skatteinntektene til kommunene, som rammet bl.a. disse byene. Det er hyggelig med omsorg i dag. Den omsorgen var fraværende den gangen.

eller via skjønnstilskuddet, slik den rød-grønne regjeringen gjorde det. Det er samme praksis. Når det gjelder skjønnstilskuddet, er det slik at det i perioden 2008–2012 ble spesifisert at kommuner som hadde høyere sats på arbeidsgiveravgiften enn før 2004, skulle kompenseres gjennom skjønnet. Så endret den rød-grønne regjeringen disse retningslinjene, slik at man i 2013 og 2014 bør ta hensyn til dette i forbindelse med skjønnsfordelingen. Med andre ord: ingen garanti fra den rød-grønne regjeringen, man endret retningslinjene for skjønnet. Jeg har sagt at jeg skal følge opp den flertallsmerknaden som er gitt fra de borgerlige partiene.

Vi er opptatt av at kommunene skal ha vekst slik at de kan styrke satsingen på både skole, helse og omsorg og andre viktige områder. Samtidig vet vi at kommunepolitikerne også til neste år vil stå overfor klare prioriteringer. Jeg vet ikke om det er flere som har tegnet seg. Hvis det ikke er det, har jeg lyst til å takke for en god og interessant debatt. Jeg er helt sikker på at vi kommer tilbake til disse spørsmålene både i en diskusjon før jul og utover våren 2015. Det er hyggelig at statsråd Sanner takker, men jeg må skuffe med å si at det nok er flere innlegg. Representanten Helga Pedersen får ordet til en kort merknad, begrenset til 1 minutt. Min tid renner ut i denne sammenhengen, men jeg kan love kommunalministeren at vi skal komme tilbake til de temaene vi har diskutert i dag. Det er påfallende hvor opptatt Høyre og Fremskrittspartiet er av å diskutere fortiden og situasjonen under den rød-grønne regjeringen. Og bare for ordens skyld: Det budsjettet dagens regjering la fram for 2015, ligger lavere enn det rød-grønne budsjettet for 2014, både i prosent og i milliarder.

Jeg bare konstaterer at kommunalministeren i denne debatten ikke er så forpliktende som det en får inntrykk av at Fremskrittspartiets representanter, med understrekning av komitéleder Njåstads uttalelser, faktisk er. Jeg synes det er synd at ikke kommunalministeren nå kunne garantere for de tre kommunene det i hvert fall gjelder i Telemark, og at de over 13 000 innbyggerne

Det er helt riktig at den forrige regjeringen og SV mener at selskapsskatten skal fordeles slik at alle kommuner får glede av den, for det er ikke sånn at kommunene i dag ikke får en andel av den – det gjør de jo. Poenget med det er at hvis man lar selskapsskatten være en ren kommunal skatt, betyr det at kommuner som har store inntekter selv, får beholde mer av dem selv. Det er enten du er et menneske eller en kommune og har høye inntekter, skal du beholde inntektene selv. Men det betyr at man har mye mindre til de kommunene som sliter med næringsutvikling, og det er med kommuner som det er med folk: Når en kommune sliter med næringsutvikling, ikke har jobber nok til alle, skal de ha mindre fra Høyre, for da tror de at det går bedre. Sånn er det også med folk som f.eks. ikke har jobb eller helse – de skal også fratas penger, for da skal det liksom gå bedre med dem. SV er dypt uenig i den strategien. Først til Karin Andersen: Jeg må vel si at dette kommuneoppgjøret har en ganske tydelig profil inn mot en del av dem som har minst, allerede. minst, allerede. Det er vanskelig å se noen voldsom ressursøkning fra de rød-grønne når det gjelder helsestasjonene, når det gjelder skolehelsetjenesten, når det gjelder barnehageprisene, særlig til dem som er i lavinntektsfamilier, og når det gjelder barnevernet, der vi har lagt til ganske mye, og de rød-grønne kuttet også støtten til de ressurskrevende brukerne. Så her er det mye å peke på som går i riktig retning. Det jeg tok ordet for, var spesielt skatteinngangen, som vi følger nøye med på. på. Nå er det jo fortsatt noen dager igjen av dette året, så får vi se hva den endelige skatteinngangen blir for 2014. Så kommer det et revidert budsjett til våren og en kommuneproposisjon, som det er mulig å rette opp hvis det viser seg at skatteinngangen for 2014 blir så lav som noen har antydet her. Det er jo muligheter her for å gjøre tilpasninger ganske snart.

Sivertsen har hatt ordet to ganger tidligere og får ordet til en kort merknad, begrenset til 1 minutt. Jeg har bare behov for å presisere at Arbeiderpartiet faktisk er for veksttilskuddet og for storbytilskudd. Vårt opplegg innebærer mer penger til både Oslo, Stavanger og Bergen – 96 mill. kr mer til Bergen, 49 mill. kr mer til Stavanger og 230 mill. kr mer til Oslo.

Hovedfordelen med formuesskatten er at den er treffsikker på omfordeling – selv om den har noen ulemper – så det er begrunnelsen for den. Så til representanten Kjenseth: Før man går på talerstolen, bør man kanskje lese igjennom budsjettforslagene som ligger til grunn for debatten. Representanten Kjell-Idar Juvik har hatt ordet to ganger tidligere og får ordet til en kort merknad,

ene er at kommunene har bedt om det. De er ikke med sin økonomi i stand til selv å ta disse store løftene, og da må vi øke satsen til 70 pst. Det er akkurat det vi diskuterer her i dag, og akkurat det samme gjelder den milliarden mer. Det er hovedgrunnen til at vi har gjort det. Den andre grunnen til at vi har gjort det, er at vi har prioritert annerledes. Da må jeg si at jeg er litt skuffet over ministeren, som prøver å framstille det som at den jobben vi har gjort med vårt budsjett, budsjett, bare dreier seg om monopolpenger eller luftpenger. Jeg kan love at slik er det ikke. Vi har jobbet godt med vårt budsjett, og det er det folk hadde fått om de hadde satt oss inn i regjering. Representanten Liv Signe Navarsete

og i tillegg er det i varierande grad trekk i skjønnsrammer frå fylkesmennene. Det er ein ny praksis, og det er veldig rart at etter såpass mange veker som no er gått etter at ein la fram budsjettet, så står Høgre-representantar og statsråden fast på eit standpunkt som ikkje er riktig. Det synest eg faktisk ein bør rette opp. Og så bør

Arbeiderpartiet ikke lyttet til kommunene da de selv satt i regjering i åtte år. Nummer to er at de ikke var villige til å bruke pengene da de satt i posisjon, men har masse penger nå, i opposisjon. Så jeg sier takk for oppklaringen. Flere har ikke bedt om ordet til denne delen av debatten, og vi går over til behandlingen av budsjettkapitlene under rammeområde 6, som gjelder Justisdepartementet og Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.

Den siste uken har man fokusert på de lengeværende asylbarna og en varig ordning for dem. Det er en viktig del av debatten. Vi registrerer at regjeringspartiene, Kristelig Folkeparti og Venstre har kommet fram til en avtale om en ny forskrift for de lengeværende barna og deres foreldre. Det er bra for partene at de omsider er kommet til enighet, slik at menneskene og barna det faktisk gjelder, kan få avklart sin livssituasjon og komme videre med livet sitt.

Arbeiderpartiet bygger sin flyktning- og asylpolitikk på internasjonale forpliktelser og den moralske plikt vi har til å yte humanitær bistand til våre med medmennesker, også medmennesker som befinner seg utenfor landets grenser. I regjering har vi ført en konsekvent, rettferdig og rettssikker flyktning- og asylpolitikk. Det har vi tenkt å fortsette å gjøre også i opposisjon. Alternativet til en konsekvent asylpolitikk er mindre forutsigbarhet og en undergraving av asylinstituttet. Det har vært et mål for oss å sikre at flest mulig av dem som søker asyl i Norge, faktisk har rett til asyl. Man har lyktes med å øke den andelen. Man har nå kommet opp i en prosentandel på over 60 som får innvilget asyl. Det har vært bred enighet om at rask saksbehandling er viktig for å ha kontroll med asylinnvandringen. Jeg håper regjeringen klarer å videreføre denne positive utviklingen man la grunnlaget for og lyktes med å skape under den forrige For Arbeiderpartiet representerer innvandring og mangfold en mulighet og et stort potensial for nasjonen. Forutsetningen er selvfølgelig at man klarer å legge til rette for en høy grad av integrering. Den integreringen skal bygge på grunnlaget for vårt samfunn, og velferdssamfunnet i Norge bygger på solidaritet og vilje til å yte og dele. Tillit til samfunnets institusjoner og tillit innbyggerne imellom er en Alle plikter å slutte opp om samfunnets lover og respektere de demokratiske grunnverdiene. Nå har vi fått den mest høyreorienterte regjeringen vi har hatt på mange år, og integreringen står ikke like høyt på dagsordenen lenger. Denne regjeringen starter allerede med mottakene, de foreslår reduserte satser for voksne beboere i mottak. Det skjer uten noen form for faglig belegg og til tross for at helsepersonell ved mottak tidligere har advart mot det, satsene er allerede for lave til at beboerne får i seg nok næring. Arbeiderpartiet mener at det skal være en nøktern standard på opphold i asylmottak, men ikke at man skal sultes ut. Vi reverserer derfor dette kuttet i vårt alternative budsjett. En sterk velferdsstat bidrar til god integrering. Barnehageplass til alle, en god offentlig fellesskole, trygge helse- og omsorgstilbud, en sosial boligpolitikk og en mangfoldig kultursatsing er derfor viktig for å lykkes med integreringstilbudet. Regjeringens svar er å foreslå å kutte tilskuddet til barnehagetilbudet for fire- og femåringer Det finnes ingen saklig begrunnelse utover å saldere budsjettet. Vi mener at barn i asylmottak, på samme måte som norske barn, skal ha barnehagetilbud. Det er en bra start på integreringen og et rimelig tilbud også til de barna som eventuelt ikke får bli. I den sammenheng viser jeg til vårt alternative opplegg for barnehager i vårt budsjett. Heller ikke reisestønad til familiegjenforening er prioritert av

Arbeid gir den enkelte økonomisk selvstendighet og er det viktigste virkemidlet for å motvirke fattigdom, utjevne sosiale forskjeller og oppnå likestilling mellom kvinner og menn – også blant innvandrere. Særlig er det viktig at flere kvinner med innvandrerbakgrunn får mulighet til deltakelse i arbeidslivet. arbeidslivet. Selv om vi har små forskjeller og kommer relativt godt ut med hensyn til land vi sammenligner oss med, er det fortsatt sånn at innvandrere er dårligere representert i yrkeslivet enn majoritetsbefolkningen – henholdsvis 63,1 pst. for innvandrere og 68,6 pst. for majoritetsbefolkningen. Jobbsjansen, gratis kjernetid i barnehagen og gratis deltidsplass i skolefritidsordningen er eksempler på tiltak som bidrar til integrering. Spørsmålet er hvilke tiltak regjeringen prioriterer for å løfte deltakelsen i yrkeslivet. Hvilke tiltak er det regjeringen prioriterer for å løfte kvinners mulighet til å delta i arbeidslivet? På 1960-tallet lå Norge veldig dårlig an når det gjaldt likestilling for kvinner, men vi gjorde noen politiske valg. På 1970–1980–1990-tallet og på 2000-tallet løftet man Norge til å bli et av de mest likestilte landene i verden, med en veldig høy grad av likestilling for kvinner. Dette var resultat av politiske valg. av politiske valg. De politiske valgene må man også gjøre på innvandringsfeltet og på integreringsfeltet. Man må foreta de politiske valgene som gjør at innvandrere har mulighet til å delta i samfunnslivet og yrkeslivet, på lik linje med oss andre som bor her. La meg understreke at en vellykket integrering bygger på gjensidighet i rettigheter og plikter. Det er helt avgjørende for en god samfunnsutvikling at innbyggerne er i stand til å ta ansvar for eget liv, og hovedansvaret vil alltid ligge hos den enkelte. Men myndigheter må samtidig bidra til å gi nye borgere en sjanse til å bli en del av det norske samfunnet. Integrering er en toveisprosess, basert på plikter og rettigheter. Det handler om å bygge ned barrierer der de måtte finnes, om det så er i utdanning, i arbeidsliv, innenfor helse, i tjenesteyting eller innenfor andre områder. Barrierene kan være høye eller lave, avhengig av den enkeltes utgangspunkt. Det er forskjell på om man kommer til Norge som arbeidsinnvandrer, familieinnvandrer eller flyktning. Det er annerledes for voksne enn for barn. Det er forskjeller mellom menn og kvinner og mellom gutter og jenter. Det er også forskjell mellom innvandrere fra ulike land og kontinenter. Derfor må også tiltakene være fleksible, mest mulig individuelt tilpasset og dekke alle livsfaser. er det forskjell mellom afrikanere, som har en sysselsettingsgrad på 41,9 pst., innvandrere fra EU, som har en sysselsettingsgrad på 73 pst. og de fra Asia, som har en sysselsettingsgradgrad på 55,2 pst. Så finnes det noen enkle forklaringer på det. Det finnes også noen mer komplekse. Det som gjenstår å se, og som jeg håper debatten i dag vil avklare, er om dagens regjering vil følge opp med en aktiv politikk for fortsatt å sikre en høy deltakelse og store muligheter for dem som kommer til Norge. En viktig grunn til at vi har lyktes såpass godt med integreringen, er at vi har hatt en overordnet politikk for utjevning av forskjeller. Denne regjeringen fører en politikk som bidrar til å øke forskjellene i samfunnet. Det vil også øke utfordringene med å lykkes med integreringen. Økte forskjeller i samfunnet vil svekke mulighetene for innvandrerne. Det vil også bety dårligere integrering og dermed sløsing av mulige ressurser for nasjonen. Verst av alt vil dette føre til et dårligere liv og dårligere muligheter for dem som kommer til Norge for å skaffe seg et bedre liv og slå rot her.

Neste replikk er fra

antallet man skal ta imot, opp til det den rød-grønne regjeringen foreslo, nemlig litt over 2 000. Men Arbeiderpartiets alternative budsjett har vist at dette kun var et spill for galleriet, for de vil ikke ta imot i nærheten av det. Så hvis Sivertsen er så opptatt av at man skal ta imot det antallet Kristelig Folkeparti og Venstre har fått til, hvorfor viser man ikke det i sitt alternative budsjett? Jeg merker meg at representanten Keshvari velger å bruke veldig sterke formuleringer når han skal karakterisere sine politiske motstandere. Det får stå for Jeg kjenner meg ikke igjen i beskrivelsen, at vi ikke har gjort noen ting. Tvert imot har vi ført en aktiv bistandspolitikk. Det har vært veldig viktig å ha en nær dialog med FN og med Høykommissæren

ikke om hva som var årsakene til at dette skjedde, og hvorfor Arbeiderpartiet ikke gjorde mer, men om representanten Sivertsen kan svare på hva Arbeiderpartiet tror var årsaken til at kommunene ikke tok imot flere flyktninger. Vi hadde en god dialog med kommunene, og en av hovedforklaringene som vi hørte, var knyttet til boligtilgangen. Derfor gjorde vi også noe med tilskuddet til boliger. Det henger også nøye sammen med det som vi debatterte i forrige del av debatten, nemlig rammene til kommunene, for de skal ha et boligtilbud og et investeringstilskudd knyttet til det, men de skal også ha et tilstrekkelig integreringstilskudd og rammer for å drifte ordinære kommunale tjenester. Så hadde vi en diskusjon om

Audun Lysbakken. Er det noe tidligere statsråd Audun Lysbakken da har misoppfattet, eller er det sånn at det er korrekt, det Audun Lysbakken skrev på sin blogg i går? I Arbeiderpartiet har vi ikke noe behov for å rangere hvem som er snillest, hvem som er strengest, og hvem som er mest restriktiv eller mest liberal i innvandringspolitikken. Vi har i Arbeiderpartiet vært opptatt av å føre en rettssikker, rettferdig rettferdig og konsekvent asyl- og innvandringspolitikk. Det gjorde vi da vi satt i regjering, og det har vi tenkt å fortsette med i opposisjon. Jeg er glad for at representanten Skjelstad og de samarbeidende partiene fikk på plass denne avtalen. Det er mange mennesker som har ventet i ett år på å få en avklaring av sin livssituasjon. Så registrerer jeg at det som er lagt inn i forskriften, er mange av de punktene som er drøftet i Meld. St. 27 for 2011–2012 Barn på flukt, flukt, at man har forskriftsfestet det og gjort noen andre justeringer. Hvordan det vil slå ut i praksis, vel, det gjenstår å se. Hvordan representanten Audun Lysbakken vurderer hvilke partier som er strengest og snillest – den rangeringen får Audun Lysbakken stå fritt til å publisere på sin blogg.

også fordi det er partier i kommunestyrene som stemmer nei til å bosette. Dette handler også om at unger får lære seg norsk tidlig, det er noe av det aller viktigste for integreringen. Jeg vet at representanten Sivertsen har små barn, og jeg har små barnebarn. Jeg har jobbet i barnehage, og jeg vet at det meste av språkopplæringen skjer når ungene er veldig små, da lærer man det automatisk. Da er spørsmålet: Hvorfor er ikke Arbeiderpartiet med på SVs forslag om å lovfeste at barn på asylmottak har rett til barnehage, som andre barn? Jeg deler representanten Andersens oppfatning av den situasjonen små barn som lever på mottak – og noen ganske lenge – faktisk er i. Det er hjerteskjærende å se og oppleve. Jeg tror ikke det er bra for barna. Jeg er blant de som mener at barnehage er bra for alle, også for mitt eget barn, og mener at dette skal være et tilbud som kommer alle barn til gode, også barn som sitter på mottak, også de som eventuelt risikerer å bli sendt ut av landet, fordi de ikke får opphold Vi har lagt inn dette i vårt alternative budsjettopplegg for kommunene. Vi har sagt at vi reverserer dette kuttet for fire–femåringer. Vi har sagt at det er ønskelig å få dette på plass for ett–treåringer. Med tid og stunder er kanskje tiden moden for å lovfeste det, men vi er ikke klare for å gå rett på en lovfesting. Vi er mer opptatt av å få på plass pengene først, og så får vi komme med lovfesting når de er på plass. I denne debatten synliggjør vi at komiteen har et stort ansvarsområde, både gjennom del 1 som vi har hatt, og gjennom det som vi

som skal integrere mennesker som skal finne seg til rette på like fot i vårt land. Jeg har lyst til å takke alle komiteens medlemmer for samarbeidet, men jeg vil særlig takke Kristelig Folkeparti og Venstre for det samarbeidet vi har hatt med tanke på å bli enige. Videre har jeg lyst til å takke de to respektive statsrådene som har ansvar innenfor dette politikkområdet, og deres embetsverk og politiske ledelse, for god bistand når vi både har stilt spørsmål og kommet med synspunkter. For aller første gang har alle kommuner i landet – store som små – blitt bedt om å ta imot flyktninger. Ved utgangen av november var det bosatt om lag 6 900 personer, det er det altså ikke. Det er en betydelig økning, og ved utgangen av november ventet om lag 5 200 bosettingsklare i mottak på en kommune å flytte til, og det er 224 færre enn på samme tid i fjor. Det er fortsatt for mange, men likevel har det gått i den riktige retningen. Det er krevende for kommunene å skulle si ja og rigge til et opplegg sånn at folk føler seg velkomne, og sånn at vi kommer i gang med det som er integreringens viktigste tiltak – nemlig bolig, skole, språk, helse og arbeid. Det ligger an til at det kan bli bosatt opp mot 8 000 flyktninger innen årets slutt, og at antallet bosettingsklare i statlige mottak vil bli ytterligere redusert fram mot årsskiftet. Jeg vet at statsråden gjennomførte regionale møter i oktober, med 50 ordførere, om bosetting og integrering av flyktninger i kommunene. De sa at de viktigste begrensningene på bosetting rett og slett er boligmangel, og at integreringstilskuddet ikke dekker kommunenes ekstrautgifter for integreringstiltak.

I tillegg foreslår regjeringen å øke Husbankens tilskuddsramme til utleieboliger, også med 50 mill. kr for neste år. Det kom også 100 mill. kr i revidert i år som gjaldt utleieboliger. Så regjeringen svarer på det som kommunene faktisk etterspør som den kritiske masse for å kunne gjøre det arbeidet som vi ønsker at kommunene skal gjøre – og det er frivillig for kommunene, men da må vi også legge til rette for dem med virkemidlene som de etterspør, og som regjeringen nå faktisk kommer med. I tillegg vil det for neste år være igangsatt et toårig prøveprosjekt, som særlig fylkesmennene i både Østfold og Hordaland får ansvar for, om bosetting direkte fra fylkesmennene. Antallet enslige mindreårige som venter på bosetting, har økt i år. Det er alvorlig. Alle må bidra til at disse unge menneskene blir en ressurs i kommunene. Ved utgangen av november, som vi nå nettopp har rundet, ventet 5 214 på en kommune å bo i. Det er altså en reduksjon på 240 – færre enn på samme tid i fjor. Det aller viktigste er at vi sørger for at vi ikke kommer i en sånn situasjon – at vi har så mange på vent. Jeg tør minne om alle de mindreårige, lengeboende barna, de som har vært i vårt land i fire, fem, seks, sju, nesten åtte år – er det noen som kjenner igjen de tallene? Det viktigste er at vi ikke kommer i en sånn situasjon, at noen må være så lenge Det viktigste er at vi ikke kommer i en sånn situasjon, at noen må være så lenge uten å få avklart situasjonen sin – enten det er fordi foreldrene ikke medvirker til å avklare identiteten sin, eller at foreldrene ikke klarer det av andre, mer plausible grunner. Jeg er svært glad for at vi nå har fått en avtale mellom regjeringspartiene og Kristelig Folkeparti og Venstre. Jeg er helt sikker på at

fri rettshjelp tar ikke saker vedrørende manglende utbetaling av lønn og feriepenger. Hvorfor i all verden mente Høyre og regjeringen i sitt budsjettforslag at Au Pair Center ikke burde motta noen økonomisk støtte overhodet, og foreslo null kroner til senteret? Det som representanten Pair Center, var jo en vurdering gjort av regjeringen der og da. Så vidt jeg husker, betyr dette noe for hver eneste en, men omhandler svært få. Om jeg husker riktig, er det et par hundre det er snakk om. Vi har også institusjoner og organisasjoner som bør kunne være i stand til å hjelpe disse i all hovedsak jenter, på den måten at de har et sted å gå – at de kan bruke de eksisterende og ordinære institusjonene vi har i vårt land. Jeg er helt enig med representanten Lauvås i at det er en del dårlige eksempler på hvordan au pair-jenter har blitt behandlet, så faktadelen er vi helt enige om. Men at vi nødvendigvis behøver å ha et senter som skal ta hånd om dette, har ikke vært regjeringens prioritering. Jeg takker for svaret. Med dette i mente: En fikk jo i havn budsjettforliket, hvor Kristelig Folkeparti og Venstre sørget for bevilgningen til

eller var det signaler om at dette var det siste året? Nå er jo Au Pair Center, slik sett, reddet for 2015. Og som både jeg og representanten Lauvås er klar over, er dette et budsjett for 2015. Jeg må si at når regjeringen fremmer et forslag, er det et forslag fra en mindretallsregjering. Regjeringen vet utmerket godt Stortingets regjering, og ikke omvendt. Det betyr at vi her i Stortinget skal finne fram til en avtale mellom regjeringspartiene og Kristelig Folkeparti og Venstre. Slik sett må jeg si at jeg er godt fornøyd med at vi beholder Au Pair Center, og at de jentene som har behov for det, faktisk kan få hjelp der. Men jeg ser heller ikke bort fra at det er en rekke andre samfunnsinstitusjoner som kan gi god hjelp og gjøre godt arbeid for de jentene som måtte trenge det.
Neste replikant er

Kommunene sliter med å skaffe boliger, og i tillegg mener de det er et gap mellom de faktiske kostnadene og det de mottar i integreringstilskudd. Senterpartiet har foreslått å sette av 200 mill. kr for å kunne trappe opp integreringstilskuddet. Det kom en liten økning i fjor og en liten økning i år. Er Høyre enig i at integreringstilskuddet må løftes ytterligere for å gi kommunene full kompensasjon for faktiske kostnader

ytterligere 50 mill. kr i 2015. Det som har vært utfordringen for representanten Greni og den rød-grønne regjeringen, må jo være at man ikke engang sjekket hva som var den faktiske kapasiteten ute i kommunene, fordi man unnlot å spørre de kommunene som såkalt var minst. Men vi har ikke skilt på om det har vært store eller små kommuner, vi har lagt vekt på at vi skal spørre alle kommunene, nettopp fordi man skal få en oversikt over kommuner som faktisk har kapasitet, kompetanse kompetanse og kvalitet på de tjenestene vi ønsker å tilby – den kapasiteten brydde ikke representanten Greni og hennes rød-grønne regjering seg om å etterspørre. Jeg må si jeg synes forklaringen på kuttet på au pair-senteret er

Men det er en annen sak som har forundret meg i dette budsjettet. Jeg kjenner jo gamle Høyre slik at de var opptatt av rettssikkerhet, også i asylsaksbehandlingen, og det budsjettet som regjeringen har lagt fram nå, har jo ganske grove kutt i det apparatet som skal drive saksbehandling, altså UNE og UDI. Det er også kutt i midlene til rettshjelp gjennom organisasjonene. organisasjonene. Jeg lurer på: Hvordan henger dette sammen med Høyres prinsipielle syn om at rettssikkerhet skal ivaretas og skal gjelde for alle, uavhengig av hvem de er? Både regjeringen og Høyre er opptatt av rettssikkerhet, både for dem som kommer til landet og som skal integreres

men vi har en enighet nå i den budsjettavtalen som foreligger, og jeg er helt sikker på at det vil også regjeringen følge opp. Men det er ikke sånn at det er småpenger satt av til verken UDI eller UNE. Den aller viktigste rettssikkerheten er jo at de som kommer hit, faktisk får bosetting og kommer ut i kommunene, og det sørget altså ikke SV for da de satt i regjering. 5 000 på vent, det var det vi tok over.

Et stort antall personer med avslag på asylsøknaden som opptar kapasitet på mottak, er kostbart for det norske samfunnet, uheldig for de enkeltpersonene som velger å sette seg selv i en vanskelig situasjon, og det undergraver hele asylinstituttet. Uttransporteringer er derfor en viktig prioritering for Fremskrittspartiet i regjering, og nettopp derfor øker vi måltallet for antall uttransporteringer til rekordhøye 10 100 til neste år. Dette grepet vil – sammen med 90 nye lukkede plasser på Trandum, nytt retursenter på Gardermoen, betydelig økning i antall stillinger hos politiets enheter som har til oppgave å returnere illegale innvandrere, og en formidabel styrking av ID-arbeidet i asylsaker – bidra til å gjenreise tilliten til og respekten for asylinstituttet. Dette vil også være et signal om at Norge har fått en regjering som har til hensikt å håndheve lovene og reglene på dette feltet fullt ut. Fremskrittspartiet har fått til en betydelig kursendring etter at vi kom inn i regjering, også når det gjelder asyl-, innvandrings- og integreringspolitikken. Vi har fått til mer omfattende innstramminger med Venstre og Kristelig Folkeparti, som er liberale på dette feltet, enn det Arbeiderpartiet klarte i løpet av sine Arbeiderpartiet har bestandig forsøkt å gi et inntrykk av at de er restriktive i innvandringspolitikken, men avtalen om innvandringspolitikken og oppfølgingen av den til neste år viser at det ikke er riktig. Fremskrittspartiet har i regjering fått gjennomslag for flere lukkede mottak og differensierte mottak, der det bl.a. etableres retursentre med høyere sikkerhet, mer effektiv saksbehandling og raskere retur av personer uten lovlig opphold og kriminelle. I tillegg har vi begrenset muligheten til å fremme omgjøringsbegjæringer, noe som innebærer en raskere og mer effektiv behandling av grunnløse omgjøringsanmodninger. Fremskrittspartiet har sørget for å heve underholdskravet i familieetableringssaker for å sikre at de som kommer til Norge, kan forsørge seg selv. Det vil også bli økt bruk av DNA-testing for å avklare identitet i forbindelse med familiegjenforening. Det vil bli innført 24 års aldersgrense for familieetablering der hensikten er å bekjempe tvangsekteskap, noe flere i Arbeiderpartiet har tatt til orde for gjennom mange år, Det er igangsatt arbeid for å styrke Schengens yttergrense og styrke samarbeidet med de store mottakerlandene for å hindre at grunnløse asylsøkere reiser fra land til land innenfor Schengen. Fremskrittspartiet i regjering har fremmet forslag, som er på høring, om at alle som søker norsk statsborgerskap, skal beherske et minimum av norsk muntlig og gjennomgå en test i samfunnskunnskap på norsk som de må bestå for å få statsborgerskap. Det skal ikke lenger være noen automatikk i at man får norsk statsborgerskap, slik det var under Arbeiderpartiet. Vi styrker språkopplæringen for kvinner med minoritetsbakgrunn og gir flere muligheter til å delta i arbeidslivet, og så kobles gratis kjernetid i barnehagen med krav om deltakelse i aktivitet eller norskopplæring. Summen av alle disse tiltakene og flere lovendringer har bidratt til at Norge har fått en asyl-, innvandrings- og integreringspolitikk som er betydelig skjerpet, noe som øker muligheten for integrering. Alle disse endringene avdekker også at Arbeiderpartiet har seilt under falskt flagg om at de står for en restriktiv innvandringspolitikk. Det blir replikkordskifte. Statsråd Horne har satt i gang et prisverdig engasjement, mener jeg, for å øke bosettingen i norske kommuner. Men det er Statsråd Horne har satt i gang et prisverdig engasjement, mener jeg, for å øke bosettingen i norske kommuner. Men det er noe underlig å se hvordan hun blir motarbeidet av Fremskrittspartiets egne stortingsrepresentanter. Stortingsrepresentanten Erlend Wiborg har vært veldig tydelig på at han mener at Moss kommune ikke bør bosette noen flyktninger i 2015, og stortingsrepresentanten Tor André Johnsen, også fra Fremskrittspartiet, har oppfordret alle kommuner til å si nei til å bosette. Til avisa Glåmdalen 19. september i år sa representanten Johnsen at han mener «statsråd Horne har en annen rolle i partiet enn ham selv, og mener han derfor ikke bryter med partilinjen når han oppfordrer til å si nei til å bosette». Da er mitt spørsmål til representanten Keshvari: Er representanten Keshvari enig med sin egen statsråd om at kommunene må bosette, eller er han enig med stortingskollegene i eget parti som mener at kommunene ikke bør bosette? Jeg er av den oppfatning at vi har et lokaldemokrati i Norge, og at alle partier, med unntak av SV som av og til ønsker tvang eller å endre dette systemet, har vært enige om at det er opp til norske kommuner når det gjelder bosetting, og da må de ta hensyn til den kapasiteten de har. Det spørsmålet Arbeiderpartiet må stille seg, er: Hvorfor vil ikke kommuner bosette, og hvorfor var det slik at det hopet seg opp med mennesker som alle er enige om at må bli bosatt fordi de har fått opphold i Norge? bli bosatt fordi de har fått opphold i Norge? Er det fordi kommunene ikke har empati? Er det fordi de ikke ønsker å hjelpe disse menneskene, eller er det rett og slett fordi et land med 5 millioner mennesker har visse kapasiteter? Så er det opp til lokalpolitikere å avgjøre om de har kapasitet, mottaksapparat, hjelpeapparat, til å ivareta de menneskene som skal bli der, på en god og forsvarlig måte. Jeg er litt usikker på om det egentlig var et svar. så vi har foreslått et ekstraordinært integreringstilskudd på 100 000 kr per lengeværende på asylmottak. Men jeg har lyst til å spørre om en annen gruppe som sitter på norske asylmottak. De siste fire årene har 248 barn asylmottak. Tidligere i år var Press ute med nok en bekymringsmelding – de var redd for at veldig mange av disse barna havner i kriminelle miljøer, blir utnyttet av kyniske bakmenn og havner i menneskehandel. Den rød-grønne regjeringen la bl.a. fram to handlingsplaner mot menneskehandel. Nå kommer heldigvis regjeringen med en i Justisdepartementet Himanshu Gulati 10. april i år sa at man vil ha en gjennomgang av rutinene for hvordan dette følges opp, blir mitt spørsmål: Er denne gjennomgangen foretatt? Og: Hva er

Det er noe som går inn på oss alle sammen, og det er en problemstilling som vi må jobbe grundig med. Hvor langt man er kommet med den gjennomgangen som statssekretær Gulati skal ha omtalt, er jeg usikker på, så det kan være at representanten kan stille det spørsmålet til statsråden. Selv om Fremskrittspartiet har vært nødt til

«Integreringspolitiske hensyn bør legges til grunn ved eventuell utvelgelse av kvoteflyktninger.» Vi vet at landene som i dag tar imot millioner av flyktninger fra Syria, sier at deres kapasitet er fullstendig sprengt. De ber oss om å ta imot flere flyktninger. Det samme ber FN og hjelpeorganisasjonene i området oss om. Mener Fremskrittspartiet prinsipielt sett at vi i det hele tatt ikke skal lytte til disse anmodningene?

Men det kan jo være verdt å minne om kostnadene for de 1 000 syriske flyktningene som vi har tatt imot i år. For den samme summen kunne vi ha hjulpet 26 000 mennesker i mottak i nærområdene, eller 13 000 mennesker utenom mottak i nærområdene. Når man står overfor en humanitær katastrofe, der millioner av mennesker er på flukt, mener vi at vi bør gjøre det vi kan for å hjelpe flest mulig mennesker.
Neste replikant

grensene. Det høres ut som om Fremskrittspartiet tror at det hjelper å kaste penger etter alt, etter problemet der, mens hjelpeorganisasjonene forteller oss desperat at vi er nødt til å ta flere mennesker ut av disse områdene, og at Norge må gå foran slik at andre land også gjør det. Er det slik at representanten Keshvari tror at han kjenner situasjonen på bakken bedre enn organisasjonene som er der?

Det er slik at Fremskrittspartiet både har tatt imot flyktninger fra Syria og har gitt betydelig hjelp i nærområdene. Vi må stille oss spørsmålet: Når 9 millioner mennesker er på flukt, fordrevet både internt og i nabolandene rundt, er det da galt å si at vi ønsker å gjøre det vi kan for å hjelpe flest mulig av de menneskene? Det er jo ikke slik at representanten Karin Andersen har foreslått at vi skal ta imot menneskene? Det er jo ikke slik at representanten Karin Andersen har foreslått at vi skal ta imot millioner av mennesker eller hundretusener av mennesker, men for den summen vi kan ta imot 1 000 mennesker for her i Norge, kan vi altså hjelpe 26 ganger flere der. Det må bare være inne i hodet på noen fra Fremskrittspartiet at det er slik at det handler om å hjelpe enten her eller der. Det handler om å gjøre begge deler. deler. Når organisasjonene som driver hjelpearbeidet i disse områdene, er desperate etter at flere europeiske land tar flere flyktninger ut av områdene, må det jo være det som betyr noe. Man hjelper mange der, men man er også nødt til å ta flere ut av områdene fordi det er kaotisk der. men det er også politisk sett et veldig farlig område, som det er nødvendig at flere land avlaster. Da kan Norge gå foran med et godt eksempel, og situasjonen blir verre for hver dag som går. Likevel fortsetter representanten fra Fremskrittspartiet å snakke om 2011. Nå snakker vi om 2015 – hva tenker Fremskrittspartiet om dette da?

også helt på topp når det gjelder mottak av syriske flyktninger. Vi har ikke sagt at vi skal gjøre enten–eller, i motsetning til partiet til representanten, som gjorde verken–eller mens de selv satt i regjering.

som internflyktninger i eget land eller på flukt flere steder i verden. I Norge har vi fremdeles altfor mange med godkjent opphold, som sitter på asylmottak og venter på bosetting i en kommune. De ønsker å komme videre for sin egen, sin families og sine barns del og bidra til beste for samfunnet. Samtidig har vi en annen type utfordring, og det er arbeidsinnvandring fra Schengen-området, som gir kommunene andre utfordringer. Norge trenger arbeidskraft, ja, men bo- og oppholdssituasjonen for nye familier fra europeiske land betyr flere nye oppgaver for kommunene innen helse, skole og bosetting. Kristelig Folkeparti ber statsråden fokusere på denne siden av innvandringspolitikken og gjerne komme tilbake til dette i en kommuneproposisjon. Folkeparti er glad for at vi i budsjettforliket greide å reversere regjeringens forslag om å avvikle vertskommunetilskuddet for barnehage for fire- og femåringer opp til skolealder i asylmottak, et viktig tiltak for barn som er i en usikker, uforutsigbar og krevende livssituasjon. Vi oppnådde også en videreføring av aktivitetstilbudet for barn i asylmottak. Tilrettelagte aktiviteter gjør hverdagen enklere. Folkeparti og Venstre har nylig fått på plass en avtale med regjeringen om varig løsning for lengeboende asylbarn i tråd med samarbeidsavtalens intensjon om saksbehandling til barns beste og en liberalisering for dem som vil bli omfattet av forskriften. Forskriften trådte i kraft i går. Kristelig Folkeparti mener det er behov for å styrke utlendingsforvaltningens barnefaglige kompetanse. Kristelig Folkeparti er det nå viktig å peke på at asylsøkere som har endret trosretning, f.eks. fra islam til kristendom, kan oppleve utestenging, forfølgelse og fengsling ved retur. Disse opplysningene skal vektlegges i vurderingen av asylopphold. Vi er derfor veldig opptatt av at utlendingsmyndighetene sikres kompetanse i konvertittsaker, og at seriøse uttalelser fra ressurspersoner i søkers nærmiljø i Norge tillegges vekt. Det er like viktig at det foreligger oppdatert landinformasjon. Kristelig Folkeparti mener det er et generelt behov for midler til informasjon og rettshjelp til asylsøkere, særlig i forbindelse med at det innføres nye regler for lengeværende barn. Kristelig Folkeparti foreslo i sitt alternative statsbudsjett, og fikk gjennomslag for, at det bevilges 2 mill. kr til dette arbeidet til frivillige organisasjoner. Både samfunnsøkonomiske og humanitære hensyn taler for raskere saksbehandling og snarlig bosetting i en kommune. I dag er en tredjedel av beboerne på mottak personer som har fått opphold, og som sitter passive og venter, selv om det i 2014 ble bosatt flere enn på mange år. Det gir imidlertid grunn til bekymring at man ikke greier å bosette flere mindreårige

Det er behov for flere og fleksible tiltak og raskere veier for integrering og selvstendiggjøring av personer med innvilget opphold. Kristelig Folkeparti mener det er viktig at regjeringen gjennomgår Berge-utvalgets forslag fra 2011 om større muligheter for arbeid. Her foreslås tiltak for mer selvstendiggjøring og bedre integrering av asylsøkere i mottak. Kristelig Folkeparti er tilfreds med sammen med regjeringen og Venstre

Kristelig Folkeparti er tilfreds med budsjettforliket på dette området, og vi forutsetter at det ikke skal være begrensninger på utvelgelse ut fra flyktningenes helsemessige situasjon. Det blir replikkordskifte. I asylavtalen mellom regjeringen og Kristelig Folkeparti og Venstre er det et punkt om at kvoteflyktninger med størst mulighet til

Dette er et linjeskifte i norsk asylpolitikk. I årene med rød-grønn regjering valgte Norge konsekvent å følge henstillingene fra FNs høykommissær for flyktninger. Vi tok imot dem FN ba oss om å ta imot. Jeg kjenner Kristelig Folkeparti som et parti som setter solidaritet og nestekjærlighet høyt, og derfor synes jeg det er underlig at Kristelig Folkeparti er med på dette punktet. Så mitt spørsmål er: Hvorfor mener Kristelig Folkeparti at dette er et godt punkt? Og hvis ikke Norge, som et av verdens rikeste land, skal ta imot dem som trenger oss aller mest, hvilke land skal da gjøre det? Dette var ikke et punkt Kristelig Folkeparti hadde med inn i avtalen – det var det langt fra – og vi er heller ikke glade for det punktet. Men vi har akseptert punktet i en samarbeidsavtale som består av flere ledd. Jeg avsluttet nettopp mitt innlegg med å si at vi forutsetter at det ikke skal gis helsemessige begrunnelser når vi tar flyktninger inn. Blant de flyktningene som tas

Når det gjelder det punktet i samarbeidsavtalen, må det ses i sammenheng med alt det andre vi har greid å få gjennom. Vi fikk ikke alt, vi oppnådde ikke alt, men slik er det alltid i en samarbeidsavtale.

Deler representanten Toskedal beskrivelsen av den kraftige innstrammingen som Keshvari her legger fram, og er Kristelig Folkeparti i tilfelle fornøyd med å ha bidratt til en så mye mindre liberal innvandringspolitikk? Først av alt setter jeg pris på det hvis en betrakter det som et under at vi får Men jeg kan jo bruke begrepet med at noen beskriver et halvt glass vann som «halvtomt», mens andre sier det er «halvfullt». Jeg registrerte beskrivelsen fra Fremskrittspartiets representant, og jeg deler syn på mange av de faktiske forholdene, men beskrivelsen ville nok fått andre ord i min munn. Videreføringen av den rød-grønne politikken er jo det som i stor grad grad skjer, men i tillegg har vi økt antallet kvoteflyktninger. Vi har fått på plass en engangsløsning for lengeværende asylbarn, og vi har fått på plass en varig ordning som sikrer sterkere vektlegging av barns situasjon. Så vi har faktisk fått flere gjennomslag enn hva bl.a. Senterpartiet fikk til i den rød-grønne regjeringen. Så kan en velge de ordene en vil – jeg har forståelse for at partiene velger ord ut fra ulikt utgangspunkt. Men i Kristelig Folkeparti er det viktig med en human, forutsigbar og
Neste replikant er

samtidig. Da handler det ikke om ord, men om fakta. Det er mange ting som har blitt strammet kraftig inn, og det regner jeg med at Kristelig Folkeparti ikke er så glad for. Det som de er glad for, og som også jeg har stemt for, er å få på plass en avtale nå om lengeværende barn. Problemet er at nå meldes det på nyhetene – omtrent minutt for minutt – at antallet barn som er sendt ut i mellomtiden, mens man har forhandlet, øker stadig. Er Kristelig Folkeparti enig med SV i at disse barna som er sendt ut dette siste året, burde få sakene sine behandlet på nytt etter det nye
Det som gjør at det ser strengere ut, og er strengere, er at ressursene har økt. Så en har fulgt de rød-grønne instruksene, eller vilkårene, men med økte ressurser er flere blitt sendt ut. Det er en svært beklagelig situasjon hvis det har gått utover rettssikkerhet eller andre ting. For Kristelig Folkeparti er det viktig å ha en målrettet politikk. Det er et krevende er heller ikke for det som blir sagt – snillisme og godtroenhet. Det skal være innvandringsregulerende hensyn i disse sakene. Det er et krevende område. Når det gjelder de barna du nevner, så må vi se på disse sakene når kontroll- og konstitusjonskomiteen er ferdig med å behandle den justispolitiske siden av dette. Så vil Kristelig Folkeparti komme tilbake til det i tur og orden, men vi tar én ting av gangen og har ingen grunn til å forhaste oss med det. Dermed er replikkordskiftet omme.

Jeg har inntrykk av at innvandringspolitikken vi fører, har bred støtte blant de fleste partiene på Stortinget. Etter at Kristelig Folkeparti og Venstre har fått satt sine fotavtrykk på denne regjeringens innvandringspolitikk, er det i det alt vesentlige samsvar mellom gjeldende politikk og den rød-grønne regjeringens politikk. Det er et godt utgangspunkt for å finne gode løsninger på vanskelige utfordringer.

Det er vanskelig å leve i asylmottak, det tror jeg alle er enige om. Vi må ikke gjøre det vanskeligere og absolutt ikke la det gå ut over små unger som mer enn noen trenger stimuli og anledning til lek og samspill med andre unge. Særlig viktig er det for Senterpartiet har kuttet bevilgningen til å bygge ut interneringsmottaket på Trandum. For det første er det fortsatt ledige plasser på Trandum, og for det andre trenger vi en debatt om hvilke grupper vi skal internere på den typen lukkede mottak. Jeg mener spesielt vi må diskutere om dette er rette sted å plassere barnefamilier og mindreårige asylsøkere.

Senterpartiet er redd for at vi har redusert den statlige medvirkningen i finansieringen av barnevernstiltak for enslige mindreårige asylsøkere så mye at vi ikke makter å gi dem det tilbudet som ivaretar deres behov for støtte og oppfølging. Senterpartiet foreslår derfor i sitt alternative budsjett under barnevern på Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets budsjett at den statlige finansieringsbistanden skal opp igjen på av kostnadene utover kommunal egenandel. Jeg vil også nevne at Senterpartiet har styrket Justisdepartementets budsjettkapittel for støtte til rettshjelp for frivillige organisasjoner. Vi mener at fjerning av støtten til Norsk Organisasjon for Asylsøkere, NOAS, til rettshjelp bør rettes opp. NOAS gjør et viktig arbeid på dette området. Vi er alle enige om at beboere på asylmottak som har fått opphold i Norge, må bli bosatt i kommunene så raskt som mulig. Kommunene gjør generelt en god jobb med bosetting og integrering, men det er for mange som venter altfor lenge på å bli bosatt. I enkelte kommuner kan det stå på viljen til å si ja, men de fleste kommunene ønsker å gjøre en innsats. De sliter imidlertid med å skaffe boliger og er bekymret for om integreringstilskuddet er tilstrekkelig til å dekke kostnadene. Vi økte integreringstilskuddet litt i fjor, og det samme gjøres i år, men Senterpartiet mener det er nødvendig å løfte dette, og vi har lagt inn 200 mill. kr til dette formålet i vårt budsjett for neste år. Altfor lang ventetid fra opphold er innvilget og til flyktningene er bosatt, er etter min mening den største utfordringen i norsk integreringspolitikk. Til slutt vil jeg understreke vårt ansvar for å ta imot kvoteflyktninger. Antall flyktninger i flyktningleirer øker dramatisk, ikke minst i nabolandene til Syria. Vi må ta vår del av ansvaret for å lette presset, først og fremst gjennom humanitær bistand og helsehjelp i nærområdene, men vi må også svare positivt på de sterke anmodningene fra FN om å ta imot flere kvoteflyktninger. Det er vanskelig å forstå at vi var nødt til å avvise 123 kvoteflyktninger med den begrunnelsen at Norge ikke kunne yte nødvendig helsehjelp og oppfølging til disse. Hvilket land er det som er langt bedre rustet enn Norge til å ta på seg den oppgaven? I tillegg til at vi legger inn midler til å øke mottaket av flyktninger, har Senterpartiet i sitt forslag lagt inn midler til å dekke kostnadene til helsehjelp. Vi mener at regjeringen må gå gjennom retningslinjene for mottak av kvoteflyktninger og fjerne begrensninger på mottak av flyktninger ut fra helsemessige begrunnelser. Det blir replikkordskifte. Ved utgangen av

raskt nok flyktninger som har fått opphold i landet. Det kan dreie seg om bolig og andre ting. Det er likevel slik at den forrige regjeringen unnlot å spørre en betydelig andel av norske kommuner – primært de små – om man ville være med på dette spleiselaget og ta imot flyktninger. Kan Senterpartiets representant gi noen begrunnelse for hvorfor man gjorde det? Det skulle vel ikke ha noe å gjøre med kommunenes kapasitet, kommunenes kompetanse, deres mulighet til å skaffe bolig – at det var størrelsen i seg selv som hadde noe

regnet som så stor i disse kommunene at de ville fraråde oss å spørre alle kommuner. Samtidig var de veldig tydelige på at hvis kommuner ønsket å bosette flyktninger, ville de vurdere det i hvert enkelt tilfelle, selv om kommunen ikke var blant de kommunene som sto på listen over kommuner som ble spurt om å ta imot x antall hvert år. Det var rett og slett redselen for sekundærbosetting og det at disse kommunene var så små at de hadde trøbbel med å bygge opp et godt nok mottaksapparat, som gjorde at vi ble frarådet å spørre samtlige kommuner. Er det da slik å forstå – og det tror jeg er første gang noen gang at Senterpartiet er inne på et spor hvor man faktisk mener at størrelsen på kommunen, og av den grunn kompetansen og kapasiteten til kommunen, faktisk setter noen begrensninger på hvilke tilbud en kommune kan være i stand til å yte? Dette gikk ikke bare på kommunestørrelse; det gikk også på arbeidsmarked og på avstand. De som blir bosatt, vil gjerne ha noen innenfor samme språkgruppe i nærheten av seg, og avstand var et kriterium som gjorde at enkelte kommuner ikke var blant dem som ble spurt. Så det gikk ikke utelukkende på kommunestørrelse, det gikk kanskje mye mer på muligheten for å finne praksisplasser til integrering når en begynner med og det å få på plass et godt kompetansemiljø og det å ha tro på at flyktningen faktisk ville være bosatt der over tid, så en fikk til et godt integreringsarbeid. Det er

uansett. De barna som bor der, trenger å ha både aktivitetstilbud og et barnehagetilbud. Jeg ser at Senterpartiet har lagt inn penger til dette i budsjettet sitt, men vi må ha på plass en ordning som sikrer at disse barna faktisk får rett til barnehageplass, at de får det fra de er ett år, sånn som andre norske barn, for dette er jo det aller viktigste vi kan gjøre for dem for at de skal lykkes med integrering i Norge. Det er nå kommet undersøkelser som viser hvordan f.eks. halvdagsplass i barnehage påvirker skoleresultater veldig positivt, og hvis vi klarer å begynne tidligere, er det enda mer positivt. Vil Senterpartiet stemme for? for? Senterpartiet har lagt inn penger til å fortsette ordningen med barnehageplass for fire- og femåringer. Vi har foreløpig ikke tatt oss råd til å lovfeste barnehageplass for samtlige. Det er aller, aller viktigst for dem som er skolestartere, at en begynner å ordne opp i det. Det er viktig for alle, men det er aller, aller viktigst for fire- og femåringer å ha en barnehageplass: å snakke med norsktalende unger og få språkstimulering via det. Nå er det jo sånn at barn i mottak er en veldig mangslungen gruppe. Noen er der i kort tid og skal få avslag på opphold og bli utsendt. Noen er der dessverre altfor lenge etter at de har fått oppholdstillatelse og skal integreres. Vi har da prioritert å sørge for at fire- og femåringer fortsatt skal ha rett

Senterpartiet vil revurdere. Men SV har også et par andre forslag i innstillingen, bl.a. ett forslag som går ut på at vi ønsker at regjeringen skal ta initiativ til en internasjonal aksjon for å redde mennesker i havsnød i Middelhavet, for vi vet at det er mange flyktninger der. Nå er det mange fra Syria som reiser via Nord-Afrika og legger ut på en veldig farlig ferd, og der har det vært en aksjon, under Italia, som nå er fjernet. SV mener at Norge bør bidra, ikke bare med å vokte grensene, men også med å redde folk i nød. Hva mener Senterpartiet om det forslaget? Det er ingen tvil om at Norge må bidra ute – og Norge bidrar sterkt ute i de voldsomme humanitære katastrofene vi ser i dag. Vi kommer nok ikke til å stemme for det forslaget som ligger der, men det er ingen tvil om at Norge må bidra mer ettersom denne katastrofen eskalerer, både ute og ved å ta imot flere kvoteflyktninger her til lands. Dermed er replikkordskiftet omme. Venstre har et positivt syn på migrasjon. Kulturell og

rapporterer om at 3 millioner mennesker har flyktet fra Syria, i tillegg til at 6,5 millioner er internt fordrevne. Libanon og Tyrkia har tatt imot over én million syrere hver. Det er ikke tilstrekkelig å bistå nabolandene, Venstre har vært opptatt av at Norge må ta imot flere flyktninger. Vi er derfor glade for at vi i 2015 vil ta imot 2 120 overføringsflyktninger – 500 mer enn det som var foreslått av regjeringen. Til sammenligning tok de rød-grønne imot 1 200 i 2011,

Venstre er imidlertid glad for at hele komiteen har sluttet seg til vårt forslag om å ta imot flere flyktninger fra den irakiske flyktningleiren Camp Liberty. Camp Liberty er en flyktningleir for iranske dissidenter som måtte forlate Camp Ashraf etter at leiren ble angrepet av irakiske soldater i 2013. Det er grunn til å være bekymret for både leveforholdene og sikkerheten i leiren. Det er en bred politisk enighet om at flyktningleiren har krav på beskyttelse og hjelp.

Vi forventer at dette følges opp i praksis, og at vi i det videre får en mer human behandling av lengeværende asylbarn enn tilfellet har vært tidligere. Det er i debatten de siste dager vist til stortingsmeldingen Barn på flukt, som ble lagt fram av de rød-grønne, hvor prinsippene som Venstre og Kristelig Folkeparti nå har fått gjennomslag for i forhandlingene med regjeringen, er nevnt. Det er anført at stortingsmeldingen ga de samme føringene, og det antydes at Skal man endre forvaltningens praksis, må man imidlertid endre jussen. Derfor foreslo Venstre at stortingsmeldingen skulle bli fulgt opp med en endring av utlendingsforskriften. Forslaget ble imidlertid nedstemt av flertallet og fikk bare Venstres og Kristelig Folkepartis stemmer. Jeg skjønner at dette smerter den tidligere regjeringen, men det er altså ikke tvil om at det måtte et regjeringsskifte til for å få en oppmyking av regelverket for de lengeværende asylbarna. I går skrev Audun Lysbakken på sin blogg: «Avtalen om asylbarna må være en alvorlig vekker for Arbeiderpartiet. Akkurat nå står Ap igjen som det mest restriktive partiet på Stortinget når det gjelder asylbarn. Frykten for å virke ettergivende i asylpolitikken har drevet Ap inn i posisjoner hvor det er vanskelig å se forskjell på dem og Frp, og i øyeblikket er altså Frp mer liberal når det gjelder barn.» Det er en menneskerett å kunne søke asyl for den som trenger beskyttelse, og som en velfungerende rettsstat har vi ansvaret for å sikre at asylsøknader blir behandlet på en forsvarlig måte, og at vi behandler mennesker som søker asyl, på en skikkelig måte. Vi er enig med regjeringen i at en rask retur er viktig etter endelig avslag. Når dette ikke er mulig må en – som vi nå har gjort for asylbarna – se om tiden som har gått og tilknytningen som er opparbeidet, likevel tilsier at man får bli. Asylmottakene må drives ut fra prinsippet om integrering fra første dag, hvor beboere på mottak skal få mulighet til å jobbe, lære språk og bli en del av lokalsamfunnet. Boforholdene i mottakene må videre gjenspeile at mange blir boende i mottak i flere år, og at dette også gjelder barnefamilier. Det er derfor viktig for Venstre å videreføre tilskudd til vertskommuner som tilbyr barnehageplass til unger i asylmottak. Barn i mottak har særlig behov for sosialisering med andre barn og vil der kunne starte integreringen med tilegnelse av både kulturkunnskap, samfunnskunnskap og språkkunnskap. Da blir overgangen til skolehverdagen enklere. Venstre mener likevel at det er uholdbart at så mange blir sittende så lenge i mottak. Vi må intensivere innsatsen knyttet til bosetting. For mange har livet sitt for lenge på vent. Har man fått opphold, må man også få muligheten til å starte et nytt liv i Norge. Det blir replikkordskifte. Jeg er

og Høyesterett har også brukt stortingsmeldingen som rettskilde. Jeg har lyst å stille det samme spørsmålet som Kristelig Folkeparti fikk, til Venstres representant, nemlig det som gjelder samarbeidsavtalen, og jeg tok også opp i mitt innlegg, det med at kvoteflyktninger med størst sjanse for vellykket integrering skal prioriteres. Hvorfor mener Venstre at dette er en riktig endring av norsk

om vi er bekvemme med at det også ligger andre ting i samarbeidsavtalen. Ja, en avtale inkluderer flere forhold, som også Toskedal var inne på. på. Jeg ser ikke noe motstridende i dette med en klar integreringsbit, som også ligger i denne avtalen, og som er en betydelig oppmykning og liberalisering – som dog ikke den forrige regjeringen gjorde, uansett hvor mye SV kjempet for det, noe som har kommet tydelig fram både i dagens debatt og tidligere. Jeg synes det er mer oppsiktsvekkende. Vi er uenige om forståelsen av hvorvidt en forskrift er nødvendig eller ikke. Vi mener at

at det er riktig å gjøre et skifte i den politikken vi har ført når det gjelder flyktninger? Det er riktig at de retningslinjene som gjelder – som ble fastsatt av den rød-grønne regjeringen i 2010 – gir åpning for denne type prioritering, men den politiske praksisen har vært at vi har lyttet til og tatt til etterretning anmodningene fra høykommissæren. Hvorfor mener representanten Skjelstad at dette er et riktig skifte i politikken? Jeg må igjen få uttrykke at vi ikke har samme forståelse av forskriften, det må jeg bare gjenta. Jeg vil vise til de tallene som jeg også viste til i sted overfor representanten Sivertsen: Vi har nå et langt høyere tak. Man vil ta inn langt flere kvoteflyktninger neste år enn det man gjorde under den foregående regjering, som Sivertsen var en representant for, representant for det bestående. Jeg synes det er merkverdig at Arbeiderpartiet nå prøver å skyve på det faktum at det nå er Arbeiderpartiet som står for den mest restriktive holdningen i dette

noe som SV ikke klarte med Arbeiderpartiet, og det er tydelig hva det hang i her.

Venstre sier i sin prinsipielle merknad at partiet mener at asylmottakene må drives ut fra prinsippet om integrering fra første dag, hvor beboere på mottak skal få mulighet til jobb, språkopplæring og å bli en del av samfunnet. Selv om asylsøkere som er internert på Trandum, har fått avslag på søknaden sin, stilles det spørsmål om hvordan den formen for internering fungerer for barnefamilier og mindreårige. Hva er begrunnelsen for Venstres støtte til å utvide interneringsmottaket på Trandum, sett i lys av de prinsipielle vurderingene partiet har om hvordan asylmottak skal drives? Et parti som framforhandler en avtale som en del av fire, er også nødt til å se på det, og ikke minst – som jeg også har vært inne på tidligere i debatten – er det altså ikke disse asylmottakene som det er i. Jeg må bare si, som vi også har referert til før i debatten her, at det er positivt at vi får en effektivisering når det gjelder behandlingstiden, og det har dagens regjering klart. Det er også et pluss i dette, for det er ikke noe poeng å sitte lengst mulig på Trandum eller en annen

Jeg synes det er interessant å høre hva Venstre mener om det. Det andre spørsmålet er: Vi hørte en representant fra Fremskrittspartiet som var oppe her i stad og beskrev en situasjon der man hadde strammet inn kraftig på så å si alle områder, mens Venstre nå sier at dette er et kvantesprang i den andre retningen. Nå er vel et kvantesprang egentlig bitte, bitte lite, hvis vi skal være helt presise, faglig sett, men begge de beskrivelsene kan ikke være riktige. Er det blitt en innstramming, eller er det en liberalisering? Alt er selvfølgelig i forhold til det en ser det i forhold til. Det er selvfølgelig et kvantesprang i forhold til det SV fikk til inn mot Arbeiderpartiet, det er det ingen som helst tvil om. Det er også en oppmyking og en liberalisering med tanke på asylbarna, det er det absolutt heller ingen tvil om. Så stiller representanten Andersen spørsmål om dem som er utsendt.

For SV er det åpenbart at når vi står i den største flyktningekatastrofen vi har hatt etter annen verdenskrig, er vi i Norge, som det rike landet vi er, nødt til å gå foran som et solidarisk eksempel i Europa. Derfor har vi fremmet forslag om å ta imot 5 000 flere syriske flyktninger og 1 120 kvoteflyktninger fra andre områder. Det mener vi er riktig. I tillegg mener vi det er nødvendig at Norge bidrar til å erstatte den italienske aksjonen Mare Nostrum, som reddet flyktninger i havsnød i Middelhavet, og som nå er nedlagt. Nå deltar Norge bare i Frontex, som er en ren grenseoperasjon, og som ikke har det samme formålet. De plukker selvsagt opp folk når de ser dem, men det er behov for både at Norge tar initiativ til en ny aksjon for å at Norge tar initiativ til en ny aksjon for å redde folk i havsnød, og også at Norge tar initiativ til å reforhandle Dublin-avtalen med en jevnere ansvarsfordeling mellom landene i Dublin. For nå er den ordningen i ferd med å bryte sammen fordi bl.a. Italia ser at den ikke fungerer for dem. Noe av det SV har vært kritisk til i budsjettet som ble lagt fram, er de kuttene som har vært gjort i både UDI og UNE, og også i rettssikkerheten for asylsøkerne. Det er slik at noen av de asylsøkerne som kommer til landet, har fått svært lang ventetid før de har blitt intervjuet første gang, f.eks. eritreere, som vi vet er en gruppe som stort sett får opphold,

Det er riktig at de samme vurderingstemaene ligger i stortingsmeldingen Barn på flukt, men jeg er glad for forskriftsfestingen, men uten kompetansen som skal gjøre disse vurderingene, er ikke dette godt. Det er et budsjett som ikke er barnevennlig, og det er et budsjett som prioriterer retur foran rettssikkerhet, og det er SV svært kritisk til.

slik at organisasjonene som jobber på dette feltet, varsler om at det kan være fare for ernæringssituasjon for både foreldre og barn, og også at man ikke har råd til å kjøpe nødvendige medisiner. Det er svært kritisk å foreta slike kutt som regjeringen har gjort på dette området. På integrering ønsker SV en ny bosettingsordning. Det har gått altfor tregt. tregt. En av grunnene til det er at kommunene peker på noen problemer med bosetting og finansiering, og det andre er at det har sittet ganske massive flertall rundt omkring i kommunestyrene, bl.a. med Fremskrittspartiet, Høyre og Arbeiderpartiet, som har sagt nei til bosetting. Så når barneministeren inviterer til dugnad, er det hennes egne som skulker den og sier nei. Slik er det

og SV øker – eller dobler – den ordningen, for vi mener det er det minste som må til, og vi vil oppfordre regjeringen til å styrke den framover. Det blir replikkordskifte. Jeg registrerer at representanten Andersen tar til orde for en ny bosettingsordning, og

man i tillegg hadde en situasjon hvor man ikke spurte kommunene. Man kan jo forvente at kommunene rekker opp en hånd og sier at de har både kapasitet, kompetanse og det ene med det andre, men det minste en må forvente av en regjering, og da tenker jeg på den rød-grønne som styrte før, er at man i hvert fall tar til orde for å spørre dem som frivillig skal bosette, om de kan. Hvor i all verden var SV? Nå ga vel representanten Greni et svar på hvordan argumentasjonen er, men jeg er veldig glad for at denne regjeringen har spurt alle kommunene. Jeg kjenner også til noen av de kommunene som er små, og som har vært veldig gode på bosetting, bl.a. Vinje kommune. De har blitt spurt, og de har tatt imot. Det synes jeg regjeringen godt kan få ros for, at man nå spør alle kommuner. Men en av grunnene til at det nå har blitt færre i mottak, er at det i det budsjettet vi la fram, og som denne regjeringen overtok, var en kraftig økning i integreringstilskuddet, for det sa kommunene var nødvendig. SV ønsker en ny bosettingsordning der man kan få en avtale med kommunene om å dekke utgiftene, og at man har en ordning der avtalen går ut på at kommunene da også er forpliktet til å ta det, slik som det er i Danmark. Vi ønsker også å åpne for mer selvbosetting. Det har lyktes bra der man har hatt det. Det er jo en del kommuner, store kommuner, i Norge som har praktisert selvbosetting og som har hatt ulike erfaringer, men i all hovedsak også gode erfaringer med det. Når representanten Andersen prøver å ta til inntekt at det er den forrige regjeringen som har æren for at antallet i mottak har gått ned, fordi den forrige regjeringen etablerte tilretteleggingstilskuddet, og samtidig etterspør at det som dagens regjering har har stilt opp med, både i år og neste år – en økning på 300 mill. kr i tilretteleggingstilskudd – og at det ikke er godt nok, så lurer jeg fortsatt på om det er slik at SV ikke hadde noe gjennomslag. Når vi ender opp med så mange barn som har bodd til de grader så lenge – mens den forrige regjeringen satt – så lurer jeg fortsatt på om det var slik at SV ikke hadde noe gjennomslag i den regjeringen for
Jo, vi hadde gjennomslag for mange ting, bl.a. å få økt integreringstilskuddet, slik som kommunene ba oss om. Dette er en av de viktige tingene vi fikk på plass, og jeg tror kommunene har rett når de sier at det er utgifter knyttet til dette som er vanskelig å håndtere, spesielt på boligområdet. I tillegg til dette klarte vi å prioritere f.eks. barnehage til barna, noe som tydeligvis ikke Høyre klarer å prioritere, og som er av de aller viktigste integreringstilskuddene. De fleste av disse barna skal jo bo i en kommune. Å få på plass en ny bosettingsordning, det er det SV som mener. Det var det ikke flertall for i den forrige regjeringen. Jeg er

ut ifra det som også representanten Sivertsen og Arbeiderpartiet ble spurt om, hvordan Karin Andersen i lys av det ser på dette, etter å ha vært i regjering og trodd at en fikk disse gjennomslagene, og nå ser Lysbakkens inngang og da er direkte lurt. også at her ble en lurt av Arbeiderpartiet? Jeg vet ikke helt hva representanten Skjelstad nå sikter til, men det er klart det er stor forskjell på SVs syn og Arbeiderpartiets syn når det gjelder flyktning- og asylpolitikken. Det er det ikke noen tvil om. Vi har rost Venstre for det Venstre nå har fått til. Man må også huske på at må også huske på at vi fikk til en engangsløsning da vi satt i regjering, som innbefattet 1 000 barn som fikk bli. Det er ingen liten løsning. I tillegg til det forhandlet vi fram stortingsmeldingen Barn på flukt, og den er et godt grunnlag for å behandle saker som gjelder barn, godt. Men jeg er enig med Venstre i at når praksisen i utlendingsforvaltningen har utviklet seg i så streng retning som den har gjort, trengs det en forskriftsendring for å få til nødvendige endringer for at man skal ta bedre hensyn til de lengeværende barna. Jeg er enig i at det var nødvendig å få på plass en engangsløsning. Det var bra. bra. Vi er også enige i at forskriften må på plass for å kunne følge opp meldingen. Det er ikke nok med en melding. Men jeg stilte representanten Andersen et spørsmål, hvor svaret fortsatt henger i lufta: Hvordan føler representanten Andersen det er å ha blitt lurt i et veldig essensielt spørsmål som gjelder asylbarna? Er det greit nå, ett år etterpå?

med det det var enighet om i regjeringen da vi behandlet stortingsmeldingen Barn på flukt. Jeg hører hva representanten Andersen sier. Hun sier at det ikke var i tråd med det som det var enighet om. Men fortsatt lurer jeg på: Ble SV lurt, ettersom det tildelingsbrevet var klart? Andersen sier. Hun sier at det ikke var i tråd med det som det var enighet om. Men fortsatt lurer jeg på: Ble SV lurt, ettersom det tildelingsbrevet var klart? Her må vi rett og slett gå inn og sjekke hva det er som konkret har skjedd. Ut fra hva jeg vet nå, har det ikke vært informert om dette til oss. Det er kjent i – i hvert fall når man har hørt på innleggene her i salen i dag – ikke er den minste tvil om at det regjeringsalternativet som Skjelstad nå støtter, er et regjeringsalternativ som høyt og tydelig, med Fremskrittspartiet, sier at de ønsker en mye kraftigere innstramming enn det som er nå. De legger til og med ut enigheten med Venstre som en meget kraftig innstramming, mens de talerne som har vært her oppe fra de rød-grønne partiene, har en helt annen tilnærming til dette. Så kanskje Skjelstad skulle fundere på om han kan få til mer i en annen konstellasjon enn den han er i nå. Replikkordskiftet er omme. Jeg vil først få lov til å vise til budsjettforliket mellom regjeringspartiene, Kristelig Folkeparti og Venstre og mener det er

På utlendingsfeltet er det lagt til grunn tre hovedmål: færre asylsøkere uten beskyttelsesbehov, raskere retur av tidligere asylsøkere og raskere id-avklaring. Det er dessverre for mange som oppholder seg i Norge ulovlig. Det er viktig å ha en nær sammenheng i asylpolitikken, slik at personer som ikke har beskyttelsesbehov, returneres raskt etter avslag, og personer som får opphold, raskest mulig integreres. 31. oktober 2013, rett etter regjeringsskiftet, var det 5 634 personer uten lovlig opphold som oppholdt seg i asylmottak. 31. oktober 2014, etter ett år med ny regjering, var det 3 727 personer uten lovlig opphold i asylmottak. Det er altså en nedgang på 1 907 personer eller 34 pst. I 2015 er det lagt opp til en vesentlig styrking av bevilgningen til politiet med 82,5 mill. kr for å øke antall uttransporteringer. Samlet er det lagt opp til at mer enn 10 000 personer uten lovlig opphold returneres i 2015. Jeg har imidlertid lyst til å understreke at det ikke bare er penger som bidrar til effektivisering av utlendingsforvaltningen. UDI, PU og UNE satte i vår i gang et stort samarbeid for å effektivisere saksbehandlingen av såkalte enkle Dublin-saker. Allerede nå ser vi et utrolig godt resultat av det samarbeidet. Saksbehandlingstiden har gått ned fra om lag 175 dager til ca. 55 dager. Det er en redusert saksbehandlingstid på nesten Det frigjør bortimot 500 plasser i asylmottak og gir 4 måneder kortere botid i Norge. 50 pst. færre søkere forsvinner under søknadsbehandlingen. Jeg er veldig fornøyd med innsatsen og samarbeidet til UDI, UNE og PU i denne saken. Det viser i praksis at det er mulig å løse opp i gamle arvede strukturer og finne løsninger i fellesskap. Regjeringen har foreslått 90 nye lukkede mottaksplasser på Trandum i tillegg til etablering av et nytt utreisesenter på Gardermoen. Jeg er fornøyd med at disse tiltakene nå får bred støtte i Stortinget. En av de største utfordringene vi har på utlendingsfeltet, er utfordringene med å få fastsatt rett identitet. identitet. Det skyldes dels at noen bevisst og aktivt ønsker å la være å avklare egen identitet og villede utlendingsmyndighetene, og dels at en del asylsøkere kommer fra land hvor det ikke utstedes tilfredsstillende id, eller at de har flyktet og ikke fått med seg id-papirer. Særlig i de førstnevnte tilfellene medfører det et vesentlig arbeid for politiet å avklare rett identitet, noe som er en forutsetning for riktig behandling av søknaden og for retur dersom opphold ikke innvilges. Derfor har regjeringen foreslått en styrking av id-arbeidet og kapasiteten i politiets id-etterforskning og utenriksstasjonenes arbeid og kompetanse på id-området. Samtidig som det er viktig for regjeringen å sikre at personer som ikke har lovlig opphold i Norge, skal returneres, er det også viktig å sikre at personer som trenger beskyttelse, skal få det. Regjeringen foreslår å videreføre dagens ordning for kvoteflyktninger hvor 1 000 plasser var øremerket syriske flyktninger av en totalkvote på Flyktningekatastrofen i Syria er av enorme dimensjoner, og svært mange mennesker befinner seg i en fryktelig vanskelig situasjon. Under budsjettforhandlingene i Stortinget har antall kvoteflyktninger økt med ytterligere 500 plasser. Sammenliknet med andre land i Europa tar Norge med dette et ganske stort ansvar for flyktninger i regionen. Samtidig vil jeg minne om hvor viktig det er å bidra med humanitær hjelp i nærområdene. Også her bidrar Norge på en god måte. Så har jeg lyst til å legge til at det har vært en diskusjon, særlig i en del av replikkordskiftene, hvor man forsøker å fremstille det som om avtalen mellom Kristelig Folkeparti, Venstre og regjeringspartiene enten må være innstramninger eller oppmykninger. Jeg er ikke enig i det, for avtalen rommer begge deler. På enkelte områder er det lagt opp til innstramninger, på andre områder er det lagt opp til oppmykninger. Det er poenget med denne typen avtaler, slik at alle partiene i en slik avtale skal få gjennomslag for den viktigste delen av sin politikk. Det åpnes for replikkordskifte.

Det vi finner, er en oppramsing av ulike problemstillinger knyttet til saken og ikke en vurdering av hvor mange vi kan ta imot. Mitt spørsmål til statsråden er om statsråden mener at han med dette kan kvittere ut anmodningen fra Stortinget. Jeg mener nemlig at det kan statsråden ikke gjøre. Jeg vil derfor gi statsråden anledningen til å svare på

FN å fremme flere saker enn det de har gjort, som også har vært et bidrag til at vi kunne svare opp dette i budsjettproposisjonen for 2015. Jeg merker meg svaret, og sier takk for et klart svar. Og så kan jeg opplyse om at jeg er uenig i den vurderingen, men det får vi komme tilbake til. I et replikkordskifte i denne salen i fjor, ca. på denne så kan jeg opplyse om at jeg er uenig i den vurderingen, men det får vi komme tilbake til. I et replikkordskifte i denne salen i fjor, ca. på denne tiden, svarte statsråden dette om hvilken innvandring- og asylpolitikk han var opptatt av å føre: «De konkrete tiltakene som denne regjeringen sammen med Kristelig Folkeparti og Venstre vil iverksette, vil bli klare og tydelige når de forhandlingene er endelig ferdig». Den siste tiden er det noen som hevder at det er skapt mer uklarhet om hvilken innvandringspolitikk Norge skal føre, og i går fikk vi en ny forskrift om de lengeværende asylbarna og deres foreldre, hvilke punkter er dette en klar liberalisering, og på hvilke punkter er denne forskriften en klar innstramming av politikken? Jeg tror det må bero på en misforståelse, for når jeg snakker om avtalen mellom Kristelig Folkeparti og Venstre og regjeringspartiene, snakker jeg om oppfølgingen av Nydalen-enigheten om asyl- og innvandringspolitikken generelt. Der er det både punkter som er innstrammende og andre punkter som er oppmykende. Den forskriften vi ble enige om på fredag, og som trådte i kraft på mandag, er en del av den avtalen som er oppmykende. Hensikten med denne forskriftsendringen har vært at det skal gi en løsning for lengeværende barn på lang sikt, og så skal det gi en forutsigbar håndtering og behandling av de sakene hvor barn har vært i landet veldig lenge, hvor en i større grad enn i dag – unnskyld – enn i forrige uke legger vekt på hensynet til barna i den konkrete vurderingen. Presidenten vil opplyse om at den reglementsmessige tiden for dagens møte er ute, men presidenten vil foreslå at møtet fortsetter til dagens kart er ferdigbehandlet. – Det anses vedtatt. I går trådte den nye forskriften i kraft, etter en avtale som var forhandlet fram mellom regjeringspartiene og Kristelig Folkeparti og Venstre. Det er vi svært glade for. Vi setter pris på at dette er en varig ordning, som vi kan forholde oss til framover. Men vi vet at ca. 200 lengeboende asylbarn bor i landet nå, og det er mulig at de lever i en familie der det er et lovlig vedtak om at de skal ut av landet. Derfor kan politiet på kort varsel hente dem og kjøre dem ut på en justispolitisk lovlig måte, men dermed får en ikke prøvd deres sak opp mot den nye avtalen som trådte i kraft i går. De må da be om en omgjøringsbegjæring, og vi vet jo og vi vet jo at det er viktig å ha en høy rettspraksis på dette området. Vil det automatisk bli en ny vurdering av disse, eller må de selv be om det? Det er for å kunne gi et råd ut jeg lurer på det. Med denne nye forskriften vil de som ikke er returnert, komme inn under forskriftens bestemmelser og ordinære saksbehandlingsrutiner når retur eventuelt skal gjennomføres. Det betyr at UNE vil foreta en vurdering av det på en ordinær måte – på samme måte som de har gjort med returer innenfor det tidligere regelverket. Talspersoner for Kristelig Folkeparti og Venstre er svært tilfreds med avtalen som er

Vi vet at det aldri før har vært sendt ut så mange lengeværende barn fra Norge som etter at den blå-blå regjeringen overtok og regjerer på grunnlag av samarbeidsavtalen med Kristelig Folkeparti og Venstre. Politikken det siste året har vært basert på den midlertidige løsningen som de har vært enige om. Den har ikke fungert etter intensjonen. Nå er en varig løsning på plass, noe som sikrer en sterkere vektlegging av barns beste. Hvor stor liberalisering – i forhold til dagens regelverk – mener statsråden at det har blitt gjort avtale om? Kan det f.eks. uttrykkes i hvor mye større andel av de lengeværende barna og deres familier som vil bli gitt opphold i Norge? Det er et svar det er helt umulig å gi. Det er fordi utlendingsforvaltningen behandler enkeltsaker, og det betyr at det nye regelverket vil få anvendelse på enkeltsaker. Men det er ingen tvil om hva som er intensjonen med dette nye regelverket og avtalen mellom Kristelig Folkeparti, Venstre og regjeringspartiene. Derfor er vi også enige om at dette regelverket skal evalueres etter ett år, for å se om den intensjonen er fulgt opp eller ikke. Når representanten Greni sier at engangsløsningen eller den forrige løsningen eller den midlertidige løsningen, som hun kalte det, ikke har fungert etter hensikten, er jeg litt usikker på hva representanten mener med det, for det mener jeg bestemt at den har gjort. Dette har vært et arbeid som har pågått i lang tid. Det første og viktigste var å få på plass engangsløsningen. Den trådte i kraft 1. juli 2014, og så har vi fått en ny forskrift om lengeværende barn, som skal være den varige løsningen, og som trådte i kraft i går. Så jeg er litt usikker på hva representanten viser til når hun sier at det er en eller annen løsning som ikke har fungert.